som definerer tyngdelover i utenrikspolitikken. I tiåret vi forlater, står terrorangrepet mot USA 11. september 2001 fram som en slik hendelse. Utfordringer knyttet til statenes nasjonale sikkerhet har dominert utenriks- og sikkerhetspolitikkens utsyn og handlemåte i dette tiåret. Dette vil vare ved når vi nå går inn i et nytt tiår. Samtidig vokser det fram nye, tunge endringskrefter som får avgjørende innflytelse også på utenrikspolitikken. I økende grad får vi endrede livsbetingelser og kamp om ressurser som følge av klimaendringene, virkningene av den globale økonomiske krisen og fremveksten av det vi hittil har kalt store utviklingsland som tunge og sentrale aktører i en stadig sterkere globalisert verdensøkonomi. Gjennom det siste tiåret har vi sett hvordan finanskrisen slo inn i realøkonomien. Den viste seg å være global og fikk ringvirkninger i alle verdenshjørner, med gradvise konsekvenser for alle politikkområder. Nå, ett år etter, ser vi at dette fortsatt spiller seg ut. Selv om det er håndfaste tegn på at verdensøkonomien tar seg opp igjen, kan vi fastslå at verden ikke blir som den var. Finanskrisen kom heller ikke alene. I 2008 skapte kraftige økninger i de globale matprisene store problemer for verdens fattige. Verden trenger samstemt internasjonal innsats for at produksjonen av mat – som er billig nok – skal øke i årene som kommer. Finanskrisen dreper og skader ikke som angrepene 11. september 2001. Virkningene er mer langvarige, mer dyptpløyende, og de vil kunne ramme flere land, flere mennesker og utfordre statene langt utover opplevelsen av utsatt fysisk sikkerhet. Virkningene av finanskrisen illustrerer hva en vismann en gang sa: Store forandringer kommer smygende på kattepoter. I dag kan vi konstatere: Virkningene av finanskrisen vil få avgjørende betydning for utenriks- og sikkerhetspolitikken i dette tiåret. Det betyr også at konteksten, rammen for håndteringen av alle utenrikspolitikkens saker, vil være i endring. Dette vil være fokus for min redegjørelse i dag, som ikke blir en katalog over alle enkeltsakene. Vi har hatt grundige debatter i denne sal om Afghanistan, interpellasjoner om Nordområdene og menneskerettigheter, og to ganger i året har jeg redegjørelser om utviklingen i Europa – derfor nå utgangspunkt i finanskrisen. Historien gir oss mange leksjoner i at økonomiske kriser er kilde til omveltning, krig og konflikt. Den dype krisen i mellomkrigstiden med de dramatiske følgene den fikk, er kanskje det mest talende eksempelet. På den annen side: Kriser kan også tvinge Historien har vist at erfaringer fra kriser kan lede statene til å treffe fremsynte tiltak for å motvirke nye kriser. Jeg tenker på hvordan byggverket fra Bretton Woods-institusjonene nettopp var rettet inn mot å forhindre at erfaringene fra 1930-tallet skulle gjentas, eller hvordan de europeiske fellesskapene ble bygget opp, basert på erfaringene fra den første og andre verdenskrigen. Det er altså i mindre grad krisen selv enn måten vi møter og håndterer den på, som er det avgjørende. Bak vår egen tids spektakulære konkurser fra Wall Street til Reykjavik ligger dypere ubalanser av flere slag. Vi ser finansielle ubalanser, mellom land med store underskudd og land med store overskudd, der USA særlig illustrerer den første kategorien og Kina den andre. Vi ser ubalanser mellom fattige og rike land, vi ser ubalanser mellom de faktiske utslipp av klimagasser og klodens tålegrense, tålegrense, vi ser politiske ubalanser, mellom de stadig mer globale markedene drevet fram av dereguleringer og teknologiske nyvinninger, og den politiske handlekraften som fortsatt i all hovedsak er knyttet til hver enkelt stat. Internasjonalt samarbeid var avgjørende da det stormet høsten 2008. Det internasjonale valutafondet, IMF, fikk ny relevans, og G20-samarbeidet – forumet hvor finansministre og sentralbanksjefer fra 19 av verdens største økonomier samt EU møtes – vokste etter hvert fram som det viktigste organet. Men førstelinjeforsvaret kom i USA og andre land som ble rammet tidlig, gjennom massive tiltak de første dagene og ukene etter at Lehman Brothers gikk konkurs 15. september 2008, for å sikre det finansielle systemet og redde samfunnsviktige finansinstitusjoner. G20-møtet i London i april 2009 betydde at de tyngste landene samordnet sin nasjonale politikk og ble enige om omfang og innretning også når det gjaldt internasjonale tiltak. De ble også enige om å tilføre IMF og andre internasjonale finansinstitusjoner nye finansielle ressurser for å kunne bistå særlig hardt rammede medlemsland. Bakom, og parallelt med utbruddet av den alvorligste finanskrisen siden mellomkrigstiden, pågår en stadig forskyvning i regional og global makt og innflytelse. Nye stater melder seg på gjennom befolkningsvekst, produksjon, teknologi og utslipp. De melder seg på for å sikre sin egen utvikling, bekjempe fattigdom, møte klimautfordringene, bli hørt, sett og respektert: Kina, India, Indonesia, Brasil, Sør-Afrika og flere. Jo tydeligere de markerer seg, desto tydeligere ser vi at skapt med vestlig dominans i en kontekst etter den annen verdenskrig – svekkes både i representativitet og i legitimitet. Inntrykket vårt forsterkes av et misforhold mellom tyngden i de internasjonale og økonomiske endringskreftene og mangelen på tyngde i de politiske institusjonene som kan gjøre noe med dem. Alle disse trådene vever et komplekst bakteppe for reformer av det internasjonale systemet. Det er krevende nok å oppnå enighet blant så mange aktører med ganske så ulikt utgangspunkt – politisk, økonomisk, kulturelt og religiøst. Og det er særlig utfordrende når en lang rekke regjeringer samtidig stilles til nasjonalt ansvar for å håndtere virkningene av finanskrisen her og nå, med de virkningene den har for enkeltmennesker, familier og de lokalsamfunn som opplever press mot arbeidsplasser og velferd. For selv i den globale tidsalder er all politikk lokal. I den innledende fasen av krisen fryktet vi for at banker ville gå konkurs. Nå frykter vi for at stater kan lide samme skjebne. Rammene for politikk er for mange regjeringer vesentlig endret på meget kort tid, med til dels dramatisk redusert handlefrihet bl.a. som følge av men også som følge av bortfall av viktige inntektskilder som turisme og overføringer fra utenlandsarbeidende. I mange land, som også står Norge nært, kan det oppstå store gap mellom krav, forventninger og tilvant levestandard på den ene siden og politisk evne til handling på den andre. Alt dette kan skje fort. Det vi har oppfattet som solide nasjonale og internasjonale politiske strukturer, kan på kort tid bli skjøre. Igjen kan vi hente lærdom fra 1930-årene. Da gjorde økonomisk nedgang veien kortere til autoritære styresett og utpeking av syndebukker. Det paradoksale kan skje at mens verden virkelig trenger sterkere regionale og internasjonale organer, kan enkeltland i håndtering av sin egen krise bli tvunget til å se innover og motsette seg, eller mangle evnen til, å bygge opp de internasjonale styringsorganene som behøves. Evnen og viljen til å ta ansvar utover eget land og egen befolkning kan bli kraftig redusert. Også Norge er berørt av finanskrisen. Vår eksport er påvirket av fallende etterspørsel i nøkkelmarkeder. Regjeringen prioriterer arbeidet med å holde orden i norsk økonomi. Vi fører en aktiv politikk for å sikre velferd, arbeid og modernisering av det norske samfunnet. OECDs nylige vurdering er at de norske tiltakene mot krisen har vært godt innrettet og langt på vei hatt ønsket virkning. Vår egen nasjonale utfordring er å ta godt vare på dette utgangspunktet – ikke minst ved å hindre at arbeidsledigheten stiger. I vår utenrikspolitikk må hovedsporet være å videreføre vårt arbeid for en internasjonal rettsorden med sterke og tilpasningsdyktige internasjonale organisasjoner som kan møte ubalansene og bidra til å styre oss ut av dem. Hovedkonklusjonene fra St.meld. nr 15 for 2008–2009, og Stortingets behandling av den, holder seg: Norge skal og vil ta internasjonalt ansvar, og Norge er tjent med en sterkest mulig internasjonal rettsorden. Jeg ønsker å resonnere rundt noen områder som illustrerer finanskrisens virkninger for internasjonal politikk og for norsk utenrikspolitikk. For det første: det internasjonale samarbeidet. En av de viktigste grunnene til at vi så langt har unngått 1930-tallets depresjon, er at vi møtte finanskrisen med tett multilateralt samarbeid. Statene hadde et institusjonsapparat på plass og var villige til å ta det i bruk. Koordinerte redningsaksjoner som savner sidestykke i historien, hindret langt på vei et sammenbrudd i verdensøkonomien. Ved hjelp av det multilaterale handelssystemet i Verdens handelsorganisasjon – WTO – har vi så langt også klart å unngå dreining i proteksjonistisk retning. Det globale regelverket har bidratt til å hindre kortsiktige proteksjonistiske handlinger, til tross for innenrikspolitisk press for slike tiltak i mange land. Ifølge WTO er verdensøkonomien like åpen i dag som før krisen, men det advares mot at land vil kjenne seg presset til å beskytte seg mot andre lands tiltakspakker gjennom økte handelshindringer – skjulte og indirekte. Det er vesentlig for norske interesser at dette ikke skjer. En åpen verdenshandel er avgjørende for norske interesser. Regjeringen vil derfor fortsette å arbeide i alle relevante fora for å motvirke økt proteksjonisme. Spørsmålet er om den globale samarbeidsånden fra 2008 og 2009 vil opprettholdes, siden den mest akutte fasen av finanskrisen nå er over. For oppsvinget er ujevnt. Det er uenighet om når tiltakspakkene skal fases ut og innstrammingstiltak fases inn. Krisen synliggjør gnisninger mellom overskuddsland og underskuddsland. For noen land melder krisens sosiale og politiske bredside seg først nå – med virkningene av rekordunderskudd og rekordgjeld på samme tid. Underskuddene må ned, og gjelden må betjenes. Samlet sett kan det bli en stor belastning innenrikspolitisk. Og i vår verden får det også utenrikspolitiske virkninger for den gjeldende statens eller grupper av staters handlingsrom. Ifølge IMF er Kinas og andre asiatiske valutaer undervurderte og bidrar til å holde prisene på deres eksportvarer kunstig lave. Dette rammer eksportnæringen både i industrialiserte land og i utviklingsland. I Doha-utviklingsrunden i WTO er det fortsatt manglende fremdrift med uvisshet om USA er klar for å sluttføre forhandlingene, samtidig som mye er avhengig av om USA og Kina kan komme til enighet. Det er snart ti år siden disse forhandlingene startet. Mye er oppnådd, men ingenting er klart før alt er klart. Det blir krevende å komme videre med andre viktige dagsordener for verdenshandelen hvis ikke Doha-runden kommer i havn, f.eks. viktige spørsmål som avtaler som legger stor vekt på miljø og fremmer handel med miljøvennlige varer og tjenester – herunder klimateknologi eller avtaler som ivaretar arbeidstakernes rettigheter og retten til anstendig arbeid. De dagsordenene lar vente på seg – til Doha kommer i mål. Norge vil gjøre sitt for å prioritere disse spørsmålene og bidra til en snarlig sluttføring av Doha-runden, og vi vil holde fast ved våre posisjoner i forhandlingene. For det andre: Parallelt og vevet inn i virkningene av finanskrisen endrer det multilaterale samarbeidet seg. Viktigheten av G20 illustrerer den globale maktforskyvningen som har funnet sted i retning av Asia, og særlig Kina. Vi er vitne til en vesentlig endring i maktforholdene i internasjonal politikk. Maktforskyvningen startet før finanskrisen brøt ut, men er blitt fremskyndet og forsterket. Vi ser nye allianser, ledet an av Kina, India, Brasil, Indonesia, Sør-Afrika og andre, som bygger nye samarbeidsrelasjoner – også innen områder som klima, utvikling, helse og menneskerettigheter. Realiteten er klar: Vi kan ikke forvente internasjonale løsninger på avgjørende spørsmål uten at de fremvoksende økonomiene sitter ved bordet. Vi så det ved klimaforhandlingene i København, vi opplevde det under opptakten til forhandlingene på Bali og under WTOs ministermøte sommeren 2008. Det er udelt positivt at de fremvoksende økonomier inkluderes, får ansvar og tar ansvar. Men vi ser at det blir mer krevende å nå internasjonal enighet. Og det reises viktige spørsmål om den formelle status til et forum som G20 – og om forholdet mellom G20 og det store flertall av land som ikke deltar, og de øvrige formelle institusjonene, ikke minst innenfor FN-systemet. Det er positivt, også for Norge, at G20 viste handlekraft i møte med krisen. Men Den er ikke valgt eller utnevnt, den har ikke statutter eller regelverk. Finanskrisens utfordringer har dominert dagsordenen siden G20-landene første gang møttes på stats- og regjeringssjefsnivå i november 2008. Men vi ser tegn til at det vil være i G20-kretsen det uformelle grunnlaget for formelle beslutninger legges for en lang rekke andre saker, fra klima til handel og hvem vet hvilke andre utenriksrelaterte områder. Dette reiser prinsipielle og politiske spørsmål ved beslutningenes legitimitet. Over 160 av verdens land, inkludert Norge og Norden, deltar ikke. Sammen med de andre nordiske land argumenterer Norge for å gjøre G20 mer representativt. Det kan f.eks. gjøres gjennom en valgkretsmodell som ikke behøver å øke antallet deltagende land vesentlig, men sikre deres forankring og representativitet betydelig. En nordisk stemme hører hjemme i gitt det nordiske internasjonale engasjementet, vår rolle i internasjonalt samarbeid, vår samlede tyngde i verdensøkonomien og våre finansielle bidrag til de avgjørende finansinstitusjonene. Det er de fremvoksende økonomiene – og da særlig Kina – som har hatt det raskeste oppsvinget, og som nå representerer vekstmotoren i verdensøkonomien. Kinas betydning i de fleste sammenhenger Det rapporteres nå om en økning i Kinas eksport på over 40 pst. det siste året, og landet har passert Tyskland som verdens største eksportør. Kina passerer trolig Japan som verdens nest største økonomi og kan overta for USA som verdens største allerede om 15 år. Kina er landet med de høyeste CO2-utslippene, ikke pr. innbygger, men som land – og samtidig verdens største produsent av energi fra fornybare kilder. I dag finnes det knapt noe område hvor Kina ikke allerede er verdens største eller nest største aktør. Og det er en aktør som melder seg på med en helt annen selvbevissthet enn for bare få år siden. Dette får betydning på nær sagt alle områder av de internasjonale relasjonene. Den vekst Kina har opplevd de siste 30 år, er til beste for landets enorme befolkning og fortjener anerkjennelse. Kinas vekst har redusert uverdig fattigdom og stimulert viktige deler av den veksten verden nå opplever. I dag er Kinas vekst i større grad enn tidligere basert på innenlandsk etterspørsel og ikke like mye på eksport. Det forsterker landets mulighet til å kunne velge økonomisk-politiske strategier uten å skjele for mye til omverdenen. Før var det bare USAs økonomi som var stor nok til å føre en slik uavhengig linje, men også Kina har nå denne evnen. Samtidig ser vi at Kina er sårbar, og selv kinesiske myndigheter uroes over grunnlaget for den kinesiske veksten. Til nå har Kina bevisst valgt å spille en mer tilbaketrukket rolle i internasjonal politikk. Dette er nå i endring, dels gjennom egen vilje til makt og dels gjennom politikkens og økonomiens tyngdelover: Det får konsekvenser også i internasjonal politikk å innta en rad med maktpolitiske førsteplasser. Kina eksponeres, Kina må ta ansvar, Kina må vise sine kort. Forholdet mellom USA og Kina, eller G2 som noen kaller det, vil ha stor betydning. Fremveksten av Kina har i en viss forstand gått på bekostning av USA. Men forholdet er komplekst og preges av gjensidig avhengighet – og derfor av gjensidig sårbarhet. I Afrika møter vi et ambisiøst Kina, med energiavtaler og store prosjekter innen infrastruktur og matproduksjon. Vi får levende innblikk i andre former for utenriks- og utviklingspolitisk alliansebygging. Kina legger ganske andre føringer på samarbeidet landet innleder, bl.a. ved å fokusere langt mindre på såkalte indre anliggender, som respekten for menneskerettighetene. Kina hevder seg også sterkere i sine nærområder. Energisikkerhet og forsyningslinjer er av økende betydning også her. Selv om Kina er verdens femte største oljeprodusent, har oljeforbruket siden 1993 vært større enn den innenlandske produksjonen, og landet importerer nå halvparten av sitt forbruk. For Norge innebærer dette at vi møter kinesiske interesser innen felles problemstillinger som f.eks. maritim sikkerhet og nye transportruter. Vi merker oss Kinas sterkt voksende engasjement rundt arktiske saker. Vi har sterke fagmiljøer som kan utvikle nye muligheter sammen med kinesiske motparter. Og vi opplever kinesisk interesse for vår samfunnsmodell, ikke minst innretningen av våre velferdsordninger. Dette gir et grunnlag for samarbeid. Norge kan også bli det første europeiske land med en handelsavtale med Kina, og sluttføringen av dette er et arbeid Regjeringen prioriterer høyt. I lys av Kinas voksende betydning på nær sagt alle områder lanserte Regjeringen en Kina-strategi i 2007. Kina øker sin aktivitet mot det norske markedet, og Norge er også synlig i Kina. Regjeringen har besluttet at Norge skal delta på verdensutstillingen Expo 2010 i Shanghai, noe som gir gode muligheter for omdømmebygging innenfor en lang rekke sektorer. Også i Norges forhold til India har det skjedd en opptrapping av kontakter og aktivitetsnivå, med kraftig vekst i samhandelen siden 2005. Det viktigste nye kjennetegnet er bredden i det norske engasjementet. Næringslivet var først, men nå kommer forskningsmiljøer, organisasjoner, kultur og sivilsamfunn. På denne bakgrunn lanserte Regjeringen sin India-strategi sist høst, og som jeg hadde gleden av å følge opp under mitt nylige besøk i India, der bl.a. sikkerhetspolitiske diskusjoner sto på dagsordenen, med et bredt og godt innhold. Regjeringen prioriterer å bygge opp kunnskap om de asiatiske stormaktene og om de globale endringene i maktforholdene som er blitt forsterket av finanskrisen. Følgelig styrker vi også vår representasjon ved utenriksstasjonene i denne regionen. Vi skal også gjøre dette også gjøre dette ved å holde fast ved respekten for våre viktigste universelle prinsipper, som menneskerettighetene og ytringsfriheten. At stater som legger mindre vekt på disse prinsippene, får økt innflytelse, gir oss en dobbelt utfordring. Vi skal og vil bygge ut forbindelsene til dem – og vi skal og vil gjøre det på en måte som ikke går på akkord med universelle prinsipper og regelverk. Dette står også i fokus for vårt arbeid som medlem av FNs menneskerettighetsråd, slik vi har redegjort for og diskutert i denne La meg så gå videre til det tredje området, utviklingen i Europa. Utgangspunktet for Norge er klart: Utviklingen i Europa, politisk og økonomisk, dreier seg om kjernen i våre nasjonale interesser. Dette er vårt viktigste eksportmarked. Faller etterspørselen, rammes norske bedrifter og arbeidsplasser direkte. Rammes europeiske land politisk og økonomisk, handler det om Norges allierte, nordiske naboer og nære partnere. Svekkes Europas røst, gjennom EU eller på annen måte, er dette i de fleste sammenhenger negativt også for vårt gjennomslag. Gjeldskriser tester nå Den europeiske union og ikke minst eurosamarbeidet. Finanskrisen og håndteringen av den førte til at mange av de europeiske land som fra før av hadde store budsjettunderskudd, fikk enda større underskudd og ytterligere problemer. To tredjedeler av EUs medlemsland er i dag under såkalte underskuddsprosedyrer, dvs. at deres budsjettunderskudd og/eller gjeldsgrad er høyere enn de kriteriene Maastricht-traktaten foreskriver. EU-området hadde i 2009 et fall i BNP på om lag 4 pst. Verst har det gått ut over de baltiske statene, men også land som er langt viktigere for internasjonal økonomi, som Tyskland, Storbritannia og Italia, har hatt en nedgang kraftigere enn Finanskrisen har stilt EU og den felles valutaen på den første virkelig vanskelige prøven. En felles valuta, sammen med fortsatt nasjonalstatlig suverenitet i finanspolitikken, stiller store krav til samordning av den økonomiske politikken, slik kriteriene for Den økonomiske og monetære union legger opp til. I eurosonen har euroen gitt en stabil og stødig valuta og et relativt lavt rentenivå, noe som har gjort høye investeringer og høyt konsum mulig i mange land. Samtidig har konkurranseevnen til underskuddslandene blitt svekket, og gjeldsforpliktelsene har økt. Til sammenlikning: Dersom en amerikansk delstat kommer i problemer, vil det fortsatt komme midler til helse- og trygdeutgifter fra hovedstaden. Noen slik felles offentlig sektor har ikke EU. Dermed blir belastningene for noen land særlig store når valutakursene er bundet. Medlemsland som over tid ikke har fulgt gjeldskriteriene, blir nå tett fulgt av Europakommisjonen, Den europeiske sentralbanken og de andre medlemslandene. Dette gjelder bl.a. Hellas, som har lagt fram tiltak som skal gjennomføres for å stabilisere situasjonen. Innstramningene har ført til massive protester og illustrerer den korte veien fra finanskrise til sosial og potensiell politisk uro. Også Spania, Portugal, Italia og Irland møter store politiske utfordringer som følge av høy eller økende offentlig gjeld. Vi må forvente at det å møte krisen vil ta mye av EU-samarbeidets oppmerksomhet i tiden fremover. I Brussel og i hovedstedene arbeides det med tiltak som stabiliserer situasjonen på kort sikt og legger til rette for vekst på lengre sikt. EU vil styrke samarbeidet om tilsyn med finanssektoren med bl.a. opprettelse av et nytt organ for overvåking av finansiell stabilitet på makronivå. Gjennom EØS-avtalen vil Norge kunne bli delaktig i de ordningene som utarbeides. Parallelt med håndteringen av finanskrisen arbeider EU-landene med å videreutvikle en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og oppbygging av en felles utenrikstjeneste i tråd med Lisboa-traktatens bestemmelser. Starten på dette satsingsfeltet har ikke gått smertefritt. Vi ser de tydelige rivningene mellom et ønske om sterkere samordning og tydeligere felles europeisk røst på den ene siden og et ønske, særlig blant de større EU-landene, om å markere egen utenrikspolitisk kurs og handling på den andre siden. Summen av dette blir en mer uklar europeisk profil og svakere europeisk gjennomslag. Vi så det under innspurten av klimaforhandlingene i København, og vi ser det på områder som EUs forhold til USA, Kina og Russland. Noen analytikere fremhever at det vi kan forvente, er en slags ny økonomisk normaltilstand i industrilandene, særlig i Europa, med lavere vekst og høyere arbeidsledighet i mange år fremover. Summen av store budsjettunderskudd og betjening av høy statsgjeld tynger offentlig økonomi, men dette slår også på et visst nivå hemmende inn på den økonomiske veksttakten og omstillingsevnen. Mange land må kutte og stramme inn. Men det er samtidig frykt for at denne medisinen kan bli så tøff at den i sin tur svekker muligheten for ny vekst. Samtidig skal vi ikke glemme at Europa i vår tid er utstyrt med et velutviklet politisk samarbeidsnettverk, i kontrast til Heri ligger håpet om at de europeiske landene vil trekke sammen og ikke vende seg mot hverandre. Og det har vist seg tidligere at det er i slike krisetider EU-landene tar felles steg fremover, slik vi bl.a. så det på 1980-tallet, da planene for det indre markedet vokste fram. I dette samlede Europa – som Norge er en del av – må det vises evne til solidaritet og utjevning. Vi skal se vårt bidrag gjennom de såkalte EØS-finansieringsordningene i et slikt lys. Vi skal bidra vesentlig, med over 15 milliarder kr – 3 milliarder kr i året – over fem år til de nye medlemslandene i henhold til en fornyet og oppdatert avtale som vi kom i mål med på tampen av 2009. Satsingen dekker flere områder, fra klima til grønn vekst, kultur og næringsutvikling. La meg som ett eksempel vise til at Norge nå er den største internasjonale støttespilleren til det sivile samfunn i de nye Regjeringen legger vekt på å utnytte disse ordningene i vår kontaktbygging mot disse landene, som også er våre nye allierte i NATO. Så tror jeg det er viktig å ta med seg at i dette kuperte realøkonomiske terrenget, der mange av våre nærmeste samarbeidsland i Europa foretar smertefulle omstillinger, kan kontrastene til Norge oppleves enda større. Vi har holdt orden i Med våre store petroleumsressurser og vårt handelsoverskudd står vi i en særstilling internasjonalt. Dette pålegger oss også et ansvar. Vi har i finanskrisens første fase bidratt til å redusere effektene av den for utsatte naboland, bl.a. ved å gi bilaterale råd til Latvia og Island. Vi har bidratt med ekstra ressurser til de internasjonale finansinstitusjonene, og vi har opprettholdt bistanden på over 1 pst. av BNI. Men vi må være forberedt på at det kan komme økt press på Norge – som overskuddsnasjon – både gjennom forespørsler om støtte til kriserammede land og ved søkelys på hvordan vi investerer våre overskudd gjennom Statens pensjonsfond utland. Dette understreker betydningen av langsiktighet og gjenkjennelighet i vår internasjonale opptreden, der forvaltningen av våre finansielle ressurser ikke er et politisk virkemiddel, men like fullt oppfattes som en del av det norske «fotavtrykket» internasjonalt.

at de tre landene kommer til enighet. Den islandske regjeringen har hele tiden understreket at den vil overholde sine internasjonale forpliktelser og følge opp stabiliseringsprogrammet med IMF. Slik Norge ser det, gir dette på det nåværende tidspunkt grunnlag for videreføring av IMF-programmet. Dette er et syn vi vil fortsette å fremføre overfor de andre landene i vår IMF-krets. Så til mitt fjerde punkt: Fjoråret ble det verste for amerikansk økonomi på over 60 år, med et i amerikansk sammenheng historisk stort fall i BNP, økning i arbeidsledigheten, rekordstort budsjettunderskudd og høy offentlig gjeld. Som en illustrasjon er det fremhevet at USA, og Storbritannia, har pådratt seg en gjeld tilsvarende den som ble bygd opp under den andre verdenskrigen. Finanskrisen og resesjonen, utløst på tampen av Bushs tid, har skapt et massivt politisk press mot president Obama og hans administrasjon. Presidenten møter formidable utfordringer innenriks: å sikre fortsatt økonomisk vekst, bedre situasjonen i arbeidsmarkedet og redusere det store budsjettunderskuddet. I tillegg kommer behovet for å sikre helseforsikring til alle og å begrense veksten i de høye amerikanske helseutgiftene. Knapt noe sted ser vi tydeligere sammenhengen mellom politiske omstendigheter rundt en økonomisk krise nasjonalt og vilkårene for en effektiv utenrikspolitikk. Obama-administrasjonens strev med å få igjennom helsereformen har belastet den politiske kapitalen og skjøvet en lang rekke andre saker ut i tid i forhold til nødvendig behandling i Kongressen. Dette får betydning for mulighetene til å få igjennom saker som ny klimalovgivning, en ny WTO-avtale eller nye historiske nedrustningsavtaler. Behovet for å holde oppmerksomheten på de innenrikspolitisk brennbare problemstillingene forsterkes av kongressvalget til høsten. Resultatet kan bli at politiske målsettinger som krever omstilling og langsiktighet – som f.eks. innen energisektoren – vil være under press. Internasjonale spørsmål som krever kraft, tid og oppmerksomhet i Kongressen, vil også være utsatt, veid opp mot de umiddelbare utfordringene de økonomiske nedgangstidene har skapt. Et eksempel er internasjonale spørsmål som må ratifiseres i Senatet som Havrettstraktaten, prøvestansavtalen og ratifikasjon av START-avtalen. Videre ser vi hvordan USA tynges av det siste tiårets to store militære engasjementer – i Afghanistan og i Irak. Dette har kostet både i menneskeliv, i dollar og i politisk overskudd i forhold til alle de andre engasjementene som supermakten USA er inne i. Denne byrden på USA med virkninger på landets relative internasjonale posisjon bør påkalle vår oppmerksomhet: Det har global betydning, men vi skal også følge dette nøye i forhold til den betydningen vi legger på gode og tilstedeværende transatlantiske relasjoner. For Norges sikkerhet er disse relasjonene fortsatt av stor betydning. Dette understreker betydningen av at vi engasjerer USA i vårt nordområdesamarbeid, og at vi bygger videre relasjoner med USA i utviklingen av det arktiske samarbeidet og på alle de andre områdene der vi jobber supplerende og komplementært til USA. Norge arbeider nært med USA for å bidra til fredsprosessen i Midtøsten. Også her ser vi at en regional konflikt får utvikle seg uten at de tradisjonelle maktsentra har tilstrekkelig tyngde eller posisjon til å tvinge fram en annen kurs. Dette har spilt seg ut i de siste dagenes strid om de nye israelske bosettinger i Øst-Jerusalem. Norge tar sterkt avstand fra disse planene. De er folkerettsstridige. De setter fredsprosessen i fare. Og de vil, om de gjennomføres, fysisk lukke Øst-Jerusalem bort fra en kommende palestinsk stat og dermed umuliggjøre en realistisk tostatsløsning. I en tid med kriser som skygger over landskapet – finans, miljø, matpriser – trenger vi et engasjement i Midtøsten, fra EU, USA, FN og andre aktører, og Norge vil fortsette å bidra til dette. Norges engasjement og stemme i Midtøsten er tydelig, og den skal være relevant. Et nytt møte i giverlandsgruppen for palestinerne, AHLC, som Norge leder, vil etter planen finne sted i Madrid i neste måned. Det er nå slik at AHLC er det eneste bredere organ der Israel og palestinere fortsatt formelt møtes. Flere fremhever at det faktisk er fremdriften i AHLC som er det området der det skjer fremskritt – i et bilde av Midtøsten som ellers preges av negative nyheter.

nedrustning, Afghanistan, Midtøsten, forholdet til Russland, samarbeidet i NATO, styrking av FNs rolle, for å nevne noe. Men poenget er altså dette: Vi må være forberedt på at USAs fokus vil være mer vendt innover, og mot Asia, i en annen retning enn Europa. Kanskje risikerer vi også av samme årsaker eller som en effekt at også andre store land i økende grad konsentrerer seg om egne, nasjonale økonomiske problemer fremfor å gå løs på de globale og regionale utfordringer. Dette berører også mitt femte punkt: utviklingen i Russland. Russland ble hardt rammet av finanskrisen og fremstår i dag som sårbart. I 2009 hadde Russland en nedgang i BNP på 8 pst., i motsetning til de ti forutgående årenes vekst på over 6 pst. Direkte utenlandske investeringer har gått kraftig ned. Det store fallet i økonomien flatet ut etter sommeren 2009, men det er en utbredt erkjennelse – også uttalt av president Medvedev – at den russiske økonomien må reformeres og moderniseres fundamentalt dersom landet skal unngå stagnasjon på sikt. Vi skal spesielt merke oss at en slik modernisering vil kreve tettere integrasjon med vestlig økonomi. Landet er sterkt energi- og råvareavhengig og preget av ensidighet i økonomien. Prisfallet på energi – olje og særlig gass – har få land følt så direkte på økonomien som Russland. Alt dette er med på å gjøre Russland til en stor «ukjent faktor»

og samarbeid om innovasjon, forskning og teknologiutvikling prioriteres fra norsk side. Samtidig knytter det seg fortsatt betydelig risiko, også politisk, til investeringer i Russland. Det er Russlands ansvar å bedre dette, slik landets president har fremhevet. Det er et mål for Regjeringen å knytte Russland sterkere til det internasjonale økonomiske samarbeidet, bl.a. gjennom OECD- og WTO-medlemskap. Bilateralt kan vi konstatere at vårt forhold til Russland er gjennomgående godt. Hovedlinjen i norsk politikk overfor Russland har vært og er stabilitet og langsiktighet. Vi ser i dag resultatene av snart 20 års bevisst norsk satsing på tillitsbygging, prosjektsamarbeid og utvikling av kontaktflatene etter Sovjetunionens fall – særlig i nord, der miljø og atomsikkerhet også har en viktig plass. Samtidig er vi oppmerksom på flere bekymringsfulle utviklingstrekk i dagens Russland, bl.a. når det gjelder menneskerettigheter, ytringsfrihet og vilkårene for et fritt sivilt samfunn forhold som vi regelmessig tar opp i våre samtaler med russiske ledere. Vi har med andre ord en bred og viktig dagsorden når den russiske presidenten kommer på statsbesøk til Norge i løpet av våren. Mitt sjette resonnement gjelder fremtiden for investeringer og oppfølging av de globale fellesgodene. Eksempler på globale fellesgoder kan være bekjempelse av ekstrem fattigdom og sult, tiltak for global helse, utdanningssatsing, matsikkerhet og den brede innsatsen for å bekjempe klimaendringene. Vi må se i øynene at økt oppmerksomhet rettet innenriks mot smertefulle innstramninger kan gjøre det vanskeligere å finansiere løsninger på globale utviklingsoppgaver. Finanskrisen har ført til lavere industriproduksjon og isolert sett en nedgang i klimautslipp – på kort sikt – fra flere land. Men finanskrisens realøkonomiske og realpolitiske konsekvenser kan føre til at de globale klimautfordringene kommer lenger ned på befolkningenes og politikernes dagsorden, og at den teknologiske vekstkraften som er påkrevd for å få til renere transport, energi og industriproduksjon, blir svekket. Vi skal være varsomme med å trekke bastante konklusjoner om hvordan de to krisene – finans og klima – virker inn på hverandre. Men når denne akutte fasen av finanskrisen er over, må arbeidet med å skape en virkelig bærekraftig vekst få ny prioritet. Dette nettopp fordi det kan vise seg at konsekvensene av klimaendringene kan bli mer dramatiske enn finanskrisen både når det gjelder makt over naturressurser, energipolitikk, fordeling, migrasjon og andre faktorer. Fram mot FNs klimakonferanse i Mexico i november/desember arbeider Norge bl.a. med forhandlingene rundt skogtiltak i utviklingsland og opprettelse av en skogmekanisme. Statsminister Jens Stoltenberg sitter i en rådgivningsgruppe som FNs generalsekretær har oppnevnt, og hvor Gordon Brown og Meles Zenawi er Denne gruppen jobber med finansieringsløftene i Copenhagen Accord og særlig den langsiktige finansieringen. Statsministeren vil også være vertskap for et skogmøte på høyt nivå i slutten av mai i år. Målet med møtet er å få på plass et globalt skogpartnerskap som kan legge en felles skogmekanisme til grunn for arbeidet med å bevare verdens tropiske skoger. Videre arbeider Norge fram mot Mexico med klimatilpasning og med mekanismer og incentiver for karbonfangst- og lagring i form av et offensivt påvirkningsarbeid på politisk nivå overfor andre land. På kort sikt kan innstramningstiltak som følge av finanskrisen føre til at land kutter i klimafinansiering og i forsvars- og bistandsbudsjetter. Vi ser nå tegn til at kampen om ressurser skjerpes i internasjonale organisasjoner. Ifølge aktuelle beregninger fra OECD vil giverlandene utbetale 107 milliarder amerikanske dollar i utviklingsbistand i 2010 og ikke nærmere 130 milliarder, slik det ble forespeilet i 2005 i de såkalte Gleneagles-løftene fra G8-møtet. Her er Norge – dessverre, kan vi kanskje si – i en særstilling ved å ha nådd 1 pst. av BNI i bistand. Konsekvensene kan bli alvorlige for verdens fattige land, hvor mangelen på sosiale sikkerhetsnett og økende matvarepriser gjør tap av arbeidsplasser til en kamp for livet. Selv om en rekke andre faktorer som handel og investeringer er viktigere enn bistand for å sikre vekst og utvikling, må vi ikke undervurdere bistandens betydning for humanitært arbeid og internasjonal mobilisering for fattigdomsbekjempelse. Svekket vilje i de rike landene til å stille opp i fattigdomsbekjempelsen kan øke spenningene globalt mellom rike og fattige land. Den globale finanskrisen har bidratt til å utvide gapet mellom fattig og rik. Bare det siste året er det blitt 100 millioner flere sultende og underernærte, og om lag 64 millioner flere mennesker lever under grensen for ekstrem fattigdom i 2010. Dette vil påvirke arbeidet med tusenårsmålene og særlig kampen mot fattigdom og sult. FNs toppmøte om tusenårsmålene i New York i september er en viktig anledning til å gjøre opp status og eventuelt justere kursen. På høstens toppmøte vil Norge også være spesielt opptatt av å få til en ny giv for barne- og mødrehelse. Forberedelsene til dette har startet fra norsk side. Kvinner kan bli hardest rammet av finanskrisen, selv om også menn er rammet direkte av den voksende ledigheten. Kvinner dominerer imidlertid arbeidsstyrken i tekstil- og annen eksportindustri og turisme, og dette er sektorer som er svært utsatt. Videre er det grunn til å frykte at finanskrisen legger økt press på arbeidstakernes rettigheter, og at den setter kampen for anstendig arbeid ytterligere på prøve. Norge vil gjøre sitt for å holde denne saken på bl.a. i ILO og WTO. Ulovlig kapitalflyt, ofte kanalisert gjennom skatteparadiser, utgjør også et betydelig hinder for økonomisk og sosial vekst i mange utviklingsland. Dette har kommet tydeligere fram under finanskrisen. I land som USA, Storbritannia og Tyskland, og i EU, G20 og OECD, er det økende oppmerksomhet om skatteunndragelsesproblematikk. Det er skapt et rom internasjonalt for å ta opp de ødeleggende konsekvensene som slike skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt har for utviklingslandene. Dette rom vil vi utnytte, og dette arbeidet står sentralt i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. La meg i redegjørelsens siste del omtale noen enkeltområder som vil stå i sentrum i tiden som kommer – områder der finanskrisen ikke får direkte innvirkning, men indirekte fordi det rådende internasjonale klima som følge av krisen får betydning. NATO. NATO utvikler nå et nytt strategisk konsept som vil legge føringer for alliansens politikk i mange år fremover. Siden det forrige konseptet ble vedtatt i 1999, er NATO blitt utvidet fra 16 til 28 medlemmer. Nye saker dominerer. Terrorisme er høyt på den globale sikkerhetspolitiske agendaen. NATO er en aktør i Afghanistan, langt utenfor det nordatlantiske området. En hovedoppgave er å identifisere hvilke sikkerhetsutfordringer som vil prege NATO i neste tiårsperiode, og hvordan disse skal møtes. Parallelt med arbeidet med et nytt strategisk konsept skal det utformes forslag til omfattende endringer i NATOs kommandostruktur og øvrige organisering. I dette arbeidet prioriterer Regjeringen fire hovedspørsmål. For det første: partnerskapene. Gjennom disse har NATO bidratt til å sikre stabilitet og utvikling i Europa. Etter utvidelse av alliansen er det behov for å tilpasse NATOs ulike partnerskap slik at utbyttet for partnerlandene og NATO blir større, nettopp fordi NATOs partnerland er forskjellige og har ulike interesser i samarbeidet med alliansen. For det andre: Russland, NATOs viktigste partnerland. Samarbeidet i NATO–Russland-rådet har gått i bølger. Norge legger vekt på å bygge tillit mellom NATO og Russland. Vi ønsker å sikre enighet om et ambisiøst mål for det praktiske samarbeidet og den politiske dialogen med Russland. Det vil være områder der vi er uenige, men disse bør ikke hindre samarbeid der vi har felles nytte av det. For det tredje: søkelys på NATOs samarbeid med andre internasjonale organisasjoner, særlig FN og EU. Afghanistan har vist hvor nødvendig dette er. Regjeringen arbeider for at NATO skal forsterke samarbeidet med andre organisasjoner både i felt og i hovedkvarterene. For det fjerde: fokus på NATOs kjerneoppgave. Regjeringen ønsker fortsatt fokus på NATOs grunnleggende kjerneoppgave, nemlig det kollektive forsvar. Vårt initiativ om økt bevisstgjøring i NATO om både det kollektive forsvar og om alliansens nærområder handler ikke om en slags «avsporing» fra NATOs operasjon i Afghanistan. Norge står fullt og helt bak denne innsatsen. Et av formålene med økt fokus på alliansens eget territorium og nærområder er å styrke NATOs stilling innad og utad som en legitim og troverdig sikkerhetsgarantist. Dette fundamentet er en forutsetning for NATOs operasjoner utenfor kjerneområdet. Det kan heller ikke være slik at NATOs funksjon og fremtid skal måles ensidig ut fra hvordan operasjonen i Afghanistan utvikler seg. NATO gjør gjennom ISAF-deltakelsen en viktig jobb i Afghanistan, men dette bidraget er bare én del av den komplekse innsatsen som trengs for å lykkes. Vi kan ikke måle NATOs betydning for oss etter hvordan den samlede innsatsen i Afghanistan utvikler seg gjensidig. For Regjeringen er fortsatt NATO-medlemskap en bærebjelke i sikkerhetspolitikken. sikkerhetspolitikken. Så vil jeg også legge til, i lys av debatten i vinter: Vårt fokus på NATOs nærområder – for vårt vedkommende nordområdene – er ikke et budskap om at vi anser våre nærområder for å være mer utsatt eller truet enn før. Vår hensikt er å understreke at NATOs kjerneoppgave forblir uendret, at kollektivt forsvar er grunnmuren, at våre allierte bør kjenne til endringene som skjer hos oss, slik vi skal kjenne til realitetene som er nær dem, at summen av dette handler om sikkerhetens udelelighet.

USA og Russland er nær en ny START-avtale om nedskjæringer i langtrekkende atomvåpen – den første virkelige nedrustningsavtalen for atomvåpen på to tiår, hvis den blir sluttført. I mai arrangerer FN tilsynskonferanse for avtalen om ikke-spredning av atomvåpen, NPT, og i NATO drøftes spørsmålene i forbindelse med alliansens strategiske konsept. Og da de to landene Burkina Faso og Moldova overleverte sine ratifikasjoner av Konvensjonen om klaseammunisjon til FN 16. februar i år,

Den siste rapporten om Iran fra Det internasjonale atomenergibyrå gir all grunn til fortsatt uro. Det påligger Iran et ansvar for å bevise at IAEAs og det internasjonale samfunns bekymringer er grunnløse. Hvis ikke vil nye sikkerhetsrådssanksjoner tvinge seg fram. I nedrustningsarbeidet er to hensyn overordnede for Regjeringen: for det første at vi evner å bruke de nye åpningene som finnes for reell fremgang For det andre at vi bidrar til å tilpasse den internasjonale arkitekturen for samarbeid på nedrustningsfeltet til dagens virkelighet. Det betyr at forhandlinger i lukkede rom, med få deltakere, ikke kan være enerådende. Nedrustning er et globalt anliggende. Forhandlingsprosessene må derfor inkludere alle relevante aktører, både nye statlige aktører, sivilsamfunn og ofrene. Interessen hos stadig nye aktører tydelig. Det skjer i et sikkerhetspolitisk bilde som er mer uoversiktlig enn under den kalde krigen. Frykten for at atomvåpen skal bli brukt – ikke for avskrekkingsformål, men for terrorformål – er reell. Og jo større spredning, desto større er sjansen for at de vil bli brukt. Ikkespredningsavtalens mål er å avskaffe atomvåpen. Visjonen om en verden uten atomvåpen ble gjentatt av president Obama i hans tale i Praha i april i fjor. Denne ambisjonen bygger på tre pilarer, og det er NPTs tre grunnpilarer: ikke-spredning nedrustning fredelig bruk av kjernefysisk teknologi Det vil være vanskelig å få gjennomslag for nye ikke-spredningstiltak dersom atommaktenes nedrustningsvilje ikke fremstår som ekte. Derfor er det så avgjørende at de to atomvåpenstatene USA og Russland kommer i havn med de pågående forhandlingene. Og samtidig: Skal vi få reell og varig nedrustning, så trenger vi et bunnsolid ikke-spredningsregime. I en tid med økende bruk av kjernekraft er dette enda mer nødvendig. Parallelt må vi også i NATO-sammenheng fremme det jeg vil kalle et oppdatert syn på kjernevåpnenes rolle. Selv om NATO ikke er en nedrustningsorganisasjon, er det betimelig – drøye 20 år etter 1989–90 – med en drøfting av alliansens avskrekkingsdoktrine. Det kan bare styrke NATO som troverdig forsvarsorganisasjon at vi åpent reiser spørsmålet om hva som gir oss størst sikkerhet i dag. Derfor tok Norge sammen med Belgia, Luxembourg, Nederland og Tyskland initiativet til at atomvåpen skal bli gjenstand for debatt på NATOs utenriksministermøte i Tallinn om en måned. Norge har vært en internasjonal pådriver for nedrustning av konvensjonelle våpen med uakseptable humanitære konsekvenser. Her har flere norske Norge har gjennom arbeidet med Minekonvensjonen og Konvensjonen om klaseammunisjon bidratt til å sette nye humanitærrettslige standarder. Disse konvensjonene fokuserer på at effektene av våpenbruk må være det bestemmende for om de kan tillates eller må forbys. Konvensjonene har stor betydning for mange menneskers liv. De har økt tilslutningen til og respekten for slike internasjonale instrumenter, og de har vært med på å styrke den internasjonale humanitærretten og den internasjonale rettsorden. Nå fokuserer vi på gjennomføringen. Regjeringen har økt innsatsen for rydding av eksplosiver og hjelp til ofre gjennom humanitære organisasjoner og FN-systemet. Vi har i år også presidentskapet for Minekonvensjonen. Norge er en støttespiller for Laos, verdens hardest rammede land, som holder det første statspartsmøtet for Konvensjonen om Hver dag dør 2 000 mennesker som følge av væpnet vold, ofte med håndvåpen. Millioner blir foreldreløse, hjemløse eller frarøvet sin fremtid. Dette er uakseptabelt fra et humanitært ståsted, et stort hinder for utvikling, og det bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Norge setter denne utfordringen på den internasjonale dagsordenen sammen med andre land, organisasjoner og sivilsamfunn. Vi vil skape et trykk for at verdenssamfunnet og statene tar ansvar for å forebygge og redusere væpnet vold gjennom tiltak og forpliktelser. Sammen med UNDPs leder Helen Clark inviterer Norge til en internasjonal konferanse i Oslo i april for å legge grunnlaget for konkrete mål for dette arbeidet videre. Målet om å hindre og redusere væpnet vold er også utgangspunktet for Regjeringens arbeid med en internasjonal våpenhandelsavtale. Vi ønsker en avtale der slik handel underlegges strenge restriksjoner. Statene må forpliktes til å passe på at våpen ikke blir brukt til å bryte menneskerettigheter og humanitærrett. Og ofrenes rett til hjelp må anerkjennes. Vi har også til vurdering spørsmålet om innføring av sluttbrukererklæring ved alt våpensalg. Regjeringen arbeider med å avklare muligheten for å innføre dette som en norm i NATO.

for å prege samarbeid og satsinger i nord. Det gjelder i den regionen vi definerer som nordområdene – nord i Norge, nord i Europa. Det gjelder også Arktis, som nå åpnes opp som følge av klimaendringer og økende interesse for ressurser og transportveier. I lys av denne redegjørelsens fokus på det internasjonale samarbeidet vil jeg peke på noen sider ved den internasjonale, rettslige og politiske utviklingen i nord. Her noterer vi oss flere positive trekk. For det første: I tråd med norsk syn er det en økende erkjennelse av at Arktis verken er et folketomt eller rettstomt område. De tilstøtende landområdene i Polhavet er integrerte deler av nasjonalstater, og statenes rettigheter og forpliktelser strekker seg ut i havet og på sokkelen, på samme måte som i andre havområder. Den internasjonale havrettskonvensjonen gir et solid fundament for politikkutforming, og det kreves ingen særskilt ny traktat. Dette syn vinner gjennomslag. I tillegg finnes en rekke avtaler på miljøområdet hvor det er viktig med gjennomføring og etterlevelse. Og selv om USA, som eneste land i Arktis, ikke har ratifisert Havrettskonvensjonen, følges traktatens regler i praktisk politikk, og det er sterke interesser i sving i USA som ønsker en ratifikasjon i løpet av president Obamas periode i Det hvite hus. De fem kyststatene til Polhavet – Canada, Grønland/Danmark, Norge, Russland og USA – vil møtes i Ottawa i neste uke for å fortsette diskusjonene om spørsmål som gjelder vårt ansvar i nord. Drøftelsene bidrar til åpenhet og til å bygge gode rammevilkår for internasjonalt samarbeid i denne regionen. FNs havrettskonvensjon gir klare anvisninger for jurisdiksjonsspørsmål. Et av dem gjelder kontinentalsokkelens utstrekning. Som første arktiske stat mottok Norge i fjor den endelige anbefaling fra Kontinentalsokkelkommisjonen. Den slår fast at vår sokkel strekker seg fra fastlandet til et punkt langt nord for Svalbard. Dette er en viktig avklaring, og Stortingets organer er blitt holdt orientert om dette arbeidet. For det andre: Arktisk Råd er den sentrale arktiske samarbeidsorganisasjonen. Norge ønsker at Arktisk Råd forankrer sin rolle som politikkutformende organ for arktiske spørsmål. I forståelse med Danmark og Sverige etablerte det norske arktiske formannskapet et sekretariat i Tromsø. Det betjener nå det danske og deretter det svenske formannskapet. Vi ønsker å skape et fast sekretariat, noe som ville styrke organisasjonen vesentlig, ikke minst på informasjonsfeltet. Men det er til nå ikke blitt enighet om å ta opp nye faste observatører til Arktisk Råd. Land som Kina og Japan, og EU-kommisjonen, banker på. Det skal være en klar forskjell på faste medlemmer og observatører, men Norges holdning er at aktører som disse For øvrig er Norge i jevnlig kontakt med Kina om klima- og miljøutfordringene i Arktis, og både Kina og India er som kjent etablert med forskningsstasjoner i Ny-Ålesund på Svalbard. La meg ellers understreke den vekt vi legger på samarbeidet med de nordiske land, slik det kommer til uttrykk i oppfølgingen av Stoltenberg-rapporten som har de andre fire landenes fulle oppmerksomhet. For det tredje: Med økt internasjonalt fokus mot nord arbeider vi for at nordområdene fortsatt skal være kjennetegnet av lavspenning. Økende interesse for nordområdene er ikke negativt, truende eller nødvendigvis konfliktskapende. Vi skal utøve suverenitet og myndighet i nord på en troverdig og forutsigbar måte, ikke som svar på opplevelsen av militær trussel ut fra våre gamle mentale kart, men fordi økt aktivitet krever mer norsk nærvær, i form av bl.a. utvidet oppsyn, styrket søke- og redningstjeneste og bedre maritime overvåkingssystemer. Forsvaret har en viktig rolle i ivaretakelsen av norske interesser i nord, også på områder som primært er sivile. Derfor styrker Regjeringen vår operative kapasitet ved bl.a. nye fregatter og en kystvakt med økt kapasitet. Flere internasjonale fora i tillegg til Arktisk Råd, som Barentssamarbeidet og Den nordlige dimensjon, spiller viktige roller. Den internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO, er også blant dem, og jeg var nylig i London for å diskutere fremdriften i arbeidet med å få vedtatt et internasjonalt bindende regelverk for arktisk skipsfart. Her har Norge inntatt en lederrolle. For det fjerde og til sist: Vårt ønske om å se de mange politiske perspektivene i nord – også de utenrikspolitiske – enda tydeligere i sammenheng gjør at Regjeringen tar sikte på å fremlegge en melding for Stortinget om nordområdepolitikken i løpet av denne perioden.

Stedet «langt borte» finnes knapt mer i vår elektroniske tidsalder, der mennesker, varer, virus, kapital og ytringer er så vel bereiste. Fortsatt vil sakene dominere oppmerksomheten. Men vi bør ha vårt fokus også på de tunge drivkreftene som former utenrikspolitikkens rammer, for til syvende og sist avhenger vår sikkerhet av statenes evne til å møte disse utfordringene sammen.

anses vedtatt. Bakgrunnen for Regjeringens lovforslag er avdekkingen av momssvindel ved handel med klimakvote innenfor EU-markedet for CO2-kvote. Ifølge Europol kan momssvindelen ha ført til at medlemslandene har tapt rundt 5 milliarder euro, EU-kommisjonen har framsatt et hasteforslag om endring i merverdiavgiftsdirektivet. Flere medlemsland, blant dem Danmark, har fulgt opp med egne tiltak. Det er bra, men dess flere land som vedtar mottiltak, dess mer sannsynlig er det at slik svindel kan flyttes til Norge. foreslår derfor, som et hasteforslag, at kjøper skal ha ansvaret for å beregne og betale merverdiavgift ved innenlands omsetning av klimakvote til næringsdrivende og offentlig virksomhet, i den hensikt å demme opp for momssvindel. Det er et forslag som hele komiteen støtter. Jeg vil takke komiteen for å ha bidratt til at denne saken kunne få en rask framdrift, og at vi nå får lovforslaget ferdigbehandlet i Stortinget før påske. påske. Jeg viser ellers til komiteens enstemmige tilråding til Stortinget.
sak nr. 2. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.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

Klimaforliket i Stortinget setter mål for en nedgang i innenlands klimautslipp som gjør det nødvendig å snu utslippsøkningen innen samferdsel til en sterk nedgang. Avgiftene på drivstoff vil være ett av virkemidlene for å nå dette målet. Flertallet i komiteen – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV – påpeker at avgiftene må stimulere til ved at de må bidra til å redusere den totale mengden biltransport, samtidig som vi ønsker at en større andel av biltransporten skal skje med miljøvennlig drivstoff. En tredje forutsetning for avgiftene er at alle trafikanter skal være med på å betale kostnadene knyttet til bruken av vei. Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre peker på behovet for forutsigbar politikk når det gjelder drivstoffavgifter. De ser et stort potensial til CO2-kutt gjennom større innfasing av biodrivstoff. Utover dette skal de selv få redegjøre for sine synspunkter. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er ikke opptatt av utslippskutt i sine merknader, men er først og fremst opptatt av at de totale inntektene fra drivstoffavgifter og andre avgifter på bilbruk Fremskrittspartiet mener at høye drivstoffpriser bidrar til økt sentralisering. Dette vil de sikkert redegjøre nærmere for. Komiteens flertall er opptatt av at det er behov for langsiktighet med hensyn til drivstoffavgifter. Derfor mener vi at prinsipielle vurderinger bør gjøres i forbindelse med stats- og nasjonalbudsjettet. Jeg imøteser en slik gjennomgang i forbindelse med Det blir ikke mer forutsigbarhet av å rushe en gjennomgang allerede i revidert budsjett. SV vil understreke hvor viktig det er å ha to tanker i hodet samtidig, nemlig å ha avgifter som reduserer den totale bilbruk, men samtidig sørge for at mer av bilbruken skjer med mindre forurensende drivstoff. Det finnes flere virkemidler for å nå dette målet. Det har aldri vært brukt så mye biodrivstoff i Norge som i dag som følge av omsetningspåbudet, som pålegger oljeselskapene at minst 2,5 pst. av drivstoffet de selger, skal være biodrivstoff. Regjeringa har varslet at dette skal økes til 3,5 pst. i år og 5 pst. neste år. Vi har også inngått avtale med oljeselskapene om å rapportere om klimagevinsten knyttet til økt bruk av biodrivstoff. SV mener det er viktig å lage en langsiktig plan for videre opptrapping av biodrivstoffandelen. SV er enig med Fremskrittspartiet i at bilavgiftene skal dekke de samlede kostnadene for bil og bilbruk i samfunnet. Det omfatter selvfølgelig også miljøkostnadene ved bilbruk, og der slipper bilen for billig i dag. Vi er også enig med Fremskrittspartiet i at Norge er et langstrakt og spredt bebygd land med store avstander, og at det betyr at bilen er kommet for å bli. Men jeg vil peke på at det ikke er i utkantene det kjøres mest bil, men i områder som der jeg selv kommer fra, nemlig omkring mellomstore byer som Tønsberg, eller i Akershus for den saks skyld. Det er etter SVs mening behov for et avgiftsregime som både er enkelt å forstå og enkelt å følge opp, og som ikke lager skattehull og for mange unntak. I den forbindelse synes vi det er interessant å se nærmere på forslaget som miljøstiftelsen ZERO har kommet med. De peker på at CO2-avgiften på diesel og bensin i Norge er svært mye lavere enn i Sverige, og mye lavere enn prisen på de tiltakene som er nødvendige for å redusere klimagassutslipp innenlands. En utveksling mellom CO2-avgift og veiavgift i Norge i retning av Sveriges avgiftsnivå vil bidra til at ikke-fossilt drivstoff blir rimeligere. Samtidig kan det redusere behovet for andre særregler. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til Klimakur, som peker på at det er et stort potensial for utslippskutt. Samtidig peker Klimakur på at det totale transportarbeidet må reduseres, og rapporten foreslår en sterk økning av drivstoffprisen. Vi hadde oppslag om en dobling av bensinprisene. Det tror jeg ikke er realistisk. Man må være forberedt på at det er riktig å ha en økning av drivstoffprisen, men det må kombineres med en storstilt satsing på alternativene, nemlig kollektivtrafikk og jernbane. Jeg håper at vi i statsbudsjettet for 2011 kan legge fram et forslag til drivstoffavgifter drivstoffavgifter som imøtekommer flertallsmerknaden og kan gi enighet om drivstoffavgifter framover.

Jeg er enig med forslagsstillerne i at vi må ha en forutsigbar avgiftspolitikk, noe debatten rundt biodieselavgiften til fulle har vist at vi ikke har. Jeg er også enig med forslagsstillerne i at man må legge til rette for utvikling innen de industrielle og teknologiske miljøene vi har i Norge. Det gjøres selvfølgelig ikke ved at man innfører eller øker avgiften for en type drivstoff over natten, slik som Regjeringen gjorde i biodieselsaken i budsjettet for i år. Både produsenter og brukere av denne typen drivstoff hadde gjort store investeringer som over natten ble ulønnsom, og det uten noen form for varsel. En slik måte å behandle aktørene som ønsker å være miljøbevisste, på gjør at eventuelle investorer skyr dette markedet, og brukerne tør ikke investere miljøriktig fordi regel- og avgiftsregimet forandres over natten. Dette er uforutsigbarhet satt i system, noe Fremskrittspartiet tar avstand

som er på markedet, men minst like mye på utskiftingstakten i bilparken. Norge har en gammel bilpark sett i sammenheng med resten av Europa. Det hjelper ikke at vi har utviklet nye typer drivstoff hvis vi ikke har en

Etter å ha lest merknadene til regjeringspartiene kunne en være tilbøyelig til å tro at de var enige, for i en av merknadene står det: «På prinsipielt grunnlag bør alle trafikanter betale avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje.» Jeg ber en merke seg ordet «tilsvarer», for det er et faktum at bilistene betaler langt over de faktiske kostnadene de påfører samfunnet. Det har jo også flere finanspolitikere fra disse partiene opp gjennom årene bekreftet når de gjennom årene bekreftet når de i flere debatter har slått fast at bilavgiften er en fiskal avgift, altså en avgift som har til hensikt å skaffe penger til statskassen. Nå har jeg ikke noen tro på at regjeringspartiene vil ta det inn over seg – ønsket om å avgiftsbelegge befolkningen er for stort til det. Jeg har registrert at for å få befolkningen til å agere sånn som Regjeringen ønsker, er bruken av avgifter et viktig virkemiddel. Jeg er ikke så sikker på at dette virker helt etter sin hensikt. Hvis vi ser på land hvor en har lave eller ingen avgifter på kjøp av biler, ser en fort at salget av miljøvennlige biler er langt høyere enn i Norge. I de fleste europeiske land er CO2-utslippene pr. bil lavere enn de er i Norge. Det er selvfølgelig på grunn av at bilparken er nyere enn i Norge, og dermed er den nyeste moderne teknologien Det er vel ingen land som selger flere hybridbiler, biler som er laget for bruk av E85 og biodrivstoff, og elektriske biler enn USA, og der er det ingen eller svært liten avgift på både biler og drivstoff. Dette viser at befolkningen er i stand til å ta fornuftige valg uten at staten med avgiftspisken skal tvinge dem til det. Det står i sterk kontrast til saksordførerens sterke tiltro til avgiftspisken. Han kan kanskje forklare hvorfor land med liten eller ingen avgift har lavere utslipp pr. bil enn det man har i Norge, der vi har skyhøye avgifter og bruk av avgiftspisken. I tillegg til de forskjellige typer avgifter er regelverket for godkjenning av biler rigid og lite framtidsrettet. Vi har mange eksempler på at miljøvennlige biler som sideimporteres til Norge, ikke blir godkjent på grunn av et komplisert regelverk. har mange hybridbiler blitt sendt ut av Norge og tilbake til landet de ble importert fra, fordi de måtte igjennom kompliserte og dyre tester selv om dokumentasjon kunne framskaffes. Det er derfor grunnlag for å se på hele den norske avgiftspolitikken og godkjenningsregelverket når det gjelder bilpolitikk. Jeg tar herved opp vårt forslag og viser til at vi subsidiært vil støtte forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Representanten Per

Det handler om trygghet for investeringer, både for kjøpere av et produkt og selgere og produsenter av et produkt. Det handler om at neste gang staten innfører nye ordninger, vil kanskje folk ikke respondere sånn som staten og samfunnet ønsker at man skal gjøre, rett og slett fordi man ikke lenger tror på at staten vil stå ved sine løfter. Flertallet peker i merknadene «det er behov for langsiktighet i virkemiddelbruken slik at aktørene har forutsigbare rammevilkår». Det merker vi oss. Nå er finansministeren tilbake i salen, og jeg vil utfordre finansministeren til å svare på om han synes regjeringspartienes formulering i den merknaden er dekkende for biodieselsaken. Jeg vil også utfordre neste taler, Lundteigen, som egentlig har fulgt forslagsstillerne ganske bra, om syn på dette. Det er også bemerkelsesverdig at SV, som har saksordføreren i denne saken, ikke benytter muligheten til å komme et reelt flertall i Stortinget i møte. Det viser nok en gang at man protesterer for all verden, men er med på ferden, selv om man har saksordføreren i en sak. Klimautfordringene gjør det nødvendig med ny teknologi og nye produkter. Dette er dyrt, det tar lang tid, og det krever både mye penger og tålmodige eiere. Ofte vil nye produkter være dyre i en oppstartsfase, og man vil da ha behov for avgiftslettelser i en periode. Dette er det relativt bred enighet om, men det er fortsatt ikke politiske føringer for hvor lenge slike fritak og stimuleringsmidler skal vare. Det gjør dem utsatt for politisk risiko og tautrekking, og de blir ofte et lett i sene nattetimer i regjeringskonferanser, gjerne uten andre begrunnelser enn det populære provenyet. Det vi forslagsstillere fra Høyre reagerer på, er at man får systemer som er sårbare, og som bidrar til umiddelbare endringer av rammevilkår uten at signaler er gitt på forhånd, for bedrifter som er i en oppstartsfase med ansvar for millionverdier i lån. Det er ingen tjent med. Dersom produksjon av andregenerasjons biodrivstoff skal være konkurransedyktig i Dersom produksjon av andregenerasjons biodrivstoff skal være konkurransedyktig i en introduksjonsfase, er det avhengig av fritak fra autodieselavgiften. Hvis ikke forsvinner det norske hjemmemarkedet. Det er derfor behov for en gjennomgang av avgiftssystemet for drivstoff for å skape forutsigbare og stabile rammebetingelser som kan sikre framtiden for klimavennlige drivstoff. Dersom det er innført midlertidige fritak for ikke-klimarelaterte avgifter for nye drivstoff, må det tidlig tilkjennegis hvor lang tid avgiftsfritaket skal gjelde, sånn at produsenter og forbrukere kan tilpasse seg dette. Jeg opplever at saksordføreren kom oss litt i møte helt avslutningsvis. Det betyr at vi har noen forventninger til statsbudsjettet. Det må etableres forutsigbare kriterier for hva slags avgifter man skal innføre, hva slags avgifter man skal unnta for nye klimavennlige drivstoff, og hvor lenge avgiftsfritakene skal

Og der er det mindre press på veiene. Avgiftene tar heller ikke hensyn til kvelds- og nattkjøring og antall personer inne i bilene. Staten må bruke avgiftssystemet for å bidra til at det ikke blir ulønnsomt å velge miljøvennlige drivstoff. Det burde derfor fortsatt vært fritak for autodieselavgift på all biodiesel, ettersom dette fortsatt er i en introduksjonsfase. Men når virkemiddelet avskaffes, oppstår det problemer for dem som har satset på nyutviklingen, som har investert i produksjonsanlegg, eller har kjøpt ny dyrere – bil i tillit til at subsidieringsordningen videreføres. Slike feilinvesteringer innebærer samfunnsøkonomiske tap som finanskomiteen bør være spesielt interessert i å korrigere. En måte å unngå dette på er å varsle i god tid om at virkemidlene som kommer, vil bli avviklet innen et visst tidsrom, eventuelt når en markedsandel har blitt så og så stor.

Jeg vil følge opp med noen kommentarer til det saksordføreren, Egeland, sa om de prinsipielle vurderingene. Det er to forhold som står sentralt i denne saken. Det er et helhetlig avgiftssystem, altså et avgiftssystem for alle former for drivstoff, og det er forutsigbarhet – forutsigbarhet for alle transportbrukere og alle produsenter av drivstoff. Da snakker vi om forutsigbarhet i et tidsperspektiv på fem til ti år framover, for vi vet at det skal store investeringer til for å framskaffe drivstoff som er samfunnsmessig mer gagnlig enn det som er i dag. Det har kommet noe godt ut av den debatten, og det er at vi har et system i dag som ikke i tilstrekkelig grad er helhetlig og forutsigbart. Det er det positive som har kommet ut av debatten om drivstoffavgifter i det siste. Det er videre klart at de samfunnsmessige kostnadene for trafikantene er store. Fra regjeringspartienes side er vi svært opptatt av at det samlede avgiftsnivået må sikres for å finansiere fellesskapets oppgaver. fellesskapets oppgaver. Det er brei oppslutning om dette synet, for alternative inntektskilder for staten er ikke spesielt mer populære. Det som da er spørsmålet, er: Hvordan skal vi innrette avgiftene på drivstoff framover? Hva skal vektlegges når det gjelder den generelle veibruken, og hva skal vektlegges når det gjelder karbondioksid, som er den store utfordringa med hensyn til å redusere utslipp? Videre er det sånn at i en tidsperiode må en stimulere til en ny type drivstoff som skal lønne seg både for den trafikanten som bruker det, for den som produserer det, å få det fram, sånn at det kommer inn på markedet. Det er klassisk økonomisk tenkning for å forandre atferden. Det Regjeringa står for, er sjølsagt at en både må ha et slikt gunstig innfasingssystem, og at en over tid dreier i retning av høyere andel karbondioksid totalt sett. Dermed er det mulig å gi det drivstoffet som ikke gir netto karbondioksidutslipp, et fortrinn i avgiftssystemet framover. Det blir en sentral debatt i de kommende hvordan vi skal sikre helheten og forutsigbarheten. Det som er det mest interessante av det som har vært sagt hittil, er at verken Fremskrittspartiet eller Høyre har noe syn på hva de konkret mener med helheten og forutsigbarheten, annet enn at det er om å gjøre å ha billigst mulig drivstoff og minst mulig avgifter. Det gjør jo at Regjeringa får et stort pluss, det gjør jo at det er Regjeringa som har styringsfarten. Det er jo Regjeringa som kan komme med forslagene om hva som er det helhetlige systemet og det forutsigbare systemet, for opposisjonen har jo ikke noe alternativ, annet enn at det er lavest mulig avgifter. Det gjør altså at regjeringspartiene har en stor mulighet her til å designe et system framover som ivaretar de ulike hensyn statsbudsjettet, og samtidig ivaretar trafikantenes og tilvirkernes interesse på lang sikt. Regjeringspartiene er således i en glimrende god posisjon. Jeg må nesten replisere litt til at regjeringspartiene er

Men det er mulig verden fortoner seg litt annerledes her inne enn der ute, som jo Lundteigen vanligvis pleier å være veldig opptatt av. For sannheten er vel – det tror jeg alle erkjenner – at en slik prosess som man hadde rundt avgiften på biodiesel, er det ingen som ønsker seg en gang til, hvor man fra regjeringshold i valgkampen åpner den ene fabrikken etter den andre med faner og fanfarer og sier at dette skal bli kjempebra. Så kommer det altså avgifter to–tre måneder etterpå – avgifter som man i realiteten visste på samme tidspunkt som man sto og klipte snorer, ville komme, og som medførte store problemer for produsentene. Hvis dette er et «glimrende» utgangspunkt, så frykter jeg fortsettelsen. Men la meg ta det positive: Jeg oppfattet av representanten Egelands – saksordførerens – innlegg at han vil legge vekt på langsiktighet og forutsigbarhet i bilavgiftene. Jeg tar det som en invitasjon til at man skal kunne diskutere det i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Da tar jeg representanten Egeland på ordet.

med. Da er spørsmålet: Hvordan vil Regjeringen legge opp sitt arbeid for at produsenter og forbrukere kan ha den forutsigbarhet og den langsiktighet man her sier at man er for? Det er det opposisjonen, med utgangspunkt i Høyres forslag, har lagt grunnlaget for. for. Jeg håper behandlingen av dette representantforslaget og de signalene som kommer fra flertallet, betyr at vi kan få en reell diskusjon om dette i forbindelse med statsbudsjettet for neste år. Det ser vi fram til. For Venstre er

Skal vi lykkes med dette, må vi føre en konsekvent politikk som tar klimahensyn på alle områder. På tross av uttalt vilje fra nesten samtlige partier om reduksjon i de norske klimautslippene, er fasiten det motsatte. De samlede klimautslippene øker stort sett hvert eneste år, og de har økt aller mest de siste ti årene – fra utslipp fra veitrafikken. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. Venstre vil derfor ha raskere innfasing av nullutslippskjøretøy og en annen, ny miljøtilpasset teknologi i transportsektoren. I realiteten snakker vi om biodrivstoff, om hydrogen og om elektrisitet. Problemet er ikke at dette er teknologi som er langt fram i tid, men at dette foreløpig ikke er økonomisk konkurransedyktig, og at Regjeringens og regjeringspartienes opphevelse av fritak for autodieselavgift for biodiesel bare gjorde vondt verre. Derfor er det absolutt behov for en samlet gjennomgang av prinsippene for avgifter med tanke på forutsigbarhet både for produsenter og forbrukere, slik Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår. Nå varsler i og for seg flertallet at en slik gjennomgang bør finne sted i forbindelse med framleggelsen av neste års statsbudsjett. Det er bra, men dette haster. Det burde vært gjort allerede ved framleggelsen av revidert budsjett denne våren, slik forslagstillerne tar til orde for.

endre bilavgiftene slik at de stimulerer til bruk av lav- og nullutslippskjøretøy som hybridbiler, elbiler og brenselcellebiler sette årlige, gradvis strenge utslippsmål for nye biler og tilpasse avgiftsystemet for å sikre måloppnåelse sikre omsetning av minst 10 pst. biodrivstoff og hydrogen innen 2013 sikre at 2. generasjons biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig senest fra 2013 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi, fra 2015 utvide bruken av den eksisterende utslippsfrie trolleybussteknologien bidra til oppbygging av infrastruktur for hydrogen, biodrivstoff og lading av elbiler gi frihet til å innføre flere miljøsoner i bysentra, hvor kjøretøy må oppfylle strenge, definerte miljøkrav for å slippe inn sette strenge miljøkrav til kjøretøy i offentlige anbud, drosjekonsesjoner og i kjøregodtgjørelser og firmabilordninger at offentlige virksomheter som hovedregel kjøper inn lav- og nullutslippskjøretøy

enn det som så langt har kommet fra Regjeringen, både når det gjelder vilje og evne til å ta i bruk kraftfulle tiltak for å få redusert klimautslippene her hjemme. Noen korte kommentarer til saken.

av mange grunner, både fordi det kan føre til tilpasninger for å slippe en eventuell avgift som kommer – eller motsatt. Jeg tror det er viktig å forholde seg til de budsjettdokumenter som blir lagt fram for Stortinget. Så noen få ord om Klimakur. Klimakur er et grunnlagsmateriale for å vurdere virkemiddelbruken i klimapolitikken fram mot 2020. anbefalinger om hva slags tiltak og virkemidler som skal gjennomføres, men har et faktagrunnlag og gir ulike alternativer og muligheter for tiltak og virkemidler. Vi trenger tid til å vurdere dette. Rapporten er sendt på høring nå med høringsfrist 20. mai. Kostnadsanslagene i Klimakur vil også bli behandlet i nasjonalbudsjettet for og jeg regner også med at rapporten vil være et viktig grunnlag for arbeidet med en egen stortingsmelding om klimapolitikken som Regjeringen vil fremme høsten 2011. Da åpnes det for replikkordskifte.

og det selv om vi i Norge styrer bruk gjennom avgift på en meget sterk måte. Kan finansministeren forklare hvorfor det er slik? Først vil jeg si at både undertegnede, Regjeringen og mange andre har stor tiltro til at folk er i stand til å innrette seg fornuftig. Samtidig er det også slik at f.eks. avgifter skal balansere mellom det å påvirke, eller endre folks atferd, og påvirke, eller endre folks atferd, og samtidig gi inntekter til statskassen. Når det gjelder siste del av spørsmålet, er dette en viktig sak for Regjeringen. Derfor har tidligere den rød-grønne regjeringen, den som jeg nå er medlem av, hatt som et klart mål å redusere utslippet bl.a. fra nye biler til 120 g/km. Det er en målsetting som Regjeringen står fast ved, og det vil være et viktig bidrag for

å forhåndsvarsle avgiftsendringer. Vel, man opplever at det er nettopp det Regjeringens ulike lekkasjer de siste månedene har gjort. Det har vært en hel haug med avgiftslekkasjer, at det går både opp og ned. Den er kanskje mer tilpasningsdyktig enn man skulle tro. Så til det som er spørsmålet. Jeg opplever at saksordføreren, Egeland, kommer med en presisering til Stortinget om at det kommer med en presisering til Stortinget om at det forslagsstillerne egentlig ber om, får man faktisk svar på i statsbudsjettet, mens finansministeren nå kommer med et svar til Stortinget om at det er en dum idé eller et dårlig forslag. Vi ønsker at Finansdepartementet, Stortinget og Regjeringen skal ha et opplegg. Når man tar store satsingsområder som er midlertidige – alle vet at det er midlertidig – ønsker man å vite hvilke kriterier som skal til når det fjernes. Hva er finansministerens plan? Nå tror jeg nok at representanten Kambe dro finansminsterens synspunkt vel langt, fordi det jeg sa, var at Derimot er det slik at denne regjeringen både i budsjettene for 2007, 2008, 2009 og 2010 varslet dette spørsmålet om prinsippet med betaling av veibruksavgift, som er noe annet. Ellers er det ingen motstrid mellom undertegnede og saksordføreren om at Stortinget vil få seg forelagt et bredt grunnlag for å vurdere drivstoffavgiften i forbindelse med statsbudsjettet og
Det er ikke første gang vi får høre fra flertallet og fra finansministeren at å si noe om avgiftsnivået, det kommer ikke på tale. Det skal «åpnes» nærmest som en innpakket glanset julepakke når statsbudsjettet Samtidig har jeg heller ikke, når det blir spurt om behovet for langsiktighet og forutsigbarhet i avgiftspolitikken, hørt noen som har sagt at det ikke er på sin plass, som f.eks. den svenske regjeringen gjorde i situasjonen med avgiftsbelegget på biodiesel i Sverige. Så mitt spørsmål er: Mener statsråden at dette er umulig å kombinere?

å varsle i de statsbudsjett som jeg nevnte i stad. Der står det: «På prinsipielt grunnlag bør alle trafikanter betale avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker» osv. Det er en varsling om at alle bilister bør bli utsatt for den type avgifter, men å varsle konkrete avgiftssatser og slike ting er noe som må forbeholdes statsbudsjettet. Det er ingen tvil om at det er finansministeren, som også er Regjeringens bærekraftminister, som sitter med nøkkelen til mange av løsningene for

Det gjelder i og for seg bevilgningssiden med nødvendig opptrapping og satsing på jernbane, men det gjelder vel så mye avgiftsregimet knyttet til det å eie og bruke miljøvennlige biler, og til det å øke satsing på utvikling og produksjon av miljøvennlig drivstoff og en infrastruktur for å gjøre dette tilgjengelig for folk flest. Jeg har lansert ti tiltak i mitt innlegg som kan bidra til å få til dette. Jeg vil utfordre finansministeren til å tenke litt høyt om hva han ser for seg som det viktigste enkelttiltaket for å få ned utslippene fra biltrafikken i den størrelsesorden som blir skissert i Klimakur 2020. Jeg har merket meg de ti forslagene som representanten kom med, og dem tar jeg med meg når referatet kommer, for jeg rakk ikke å notere dem under innlegget.

– ny teknologi for å finne fram til alternative drivstoff, er viktig. Avgiften i seg selv vil også ha en virkning, altså nivået på CO2-avgiften. Så er det også helt riktig, som representanten sier, at det å ha et godt utbygd kollektivtilbud, særlig i og rundt de store byene, er viktig for å redusere utslipp, og viktig for å redusere bilbruk. Men jeg skal ta med meg de forslagene representanten refererte i innlegget sitt.

hvorfor man har lavere utslipp fra bilparken i Europa, der det er lavere – eller ingen – avgifter enn i Norge. Man skulle jo tro at Norge lå på topp her. Jeg tolker det svaret jeg fikk i stad, som at finansministeren ikke kunne svare på det spørsmålet, og det hadde jeg for så vidt ikke regnet med. Men det er noe jeg kunne gjerne tenke meg at finansministeren sa litt om: Det er jo ikke bare drivstoffavgiften eller drivstoffet som gjør at det blir mindre eller mer forurensning, det er jo en helhet. Det har med kjøpsavgiften på bil å gjøre, innføring av moderne teknologi i motorer osv. Ville det ikke være bedre – sett i sammenheng – om man hadde en samlet gjennomgang av dette? Takk i like måte, til innledningen på replikken. Ellers viser jeg til det svaret jeg ga til foregående replikant når det gjelder mer bredden i det. Jeg kan love at vi skal komme tilbake til dette spørsmålet i sin fulle bredde i statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet. Det kan være ulike årsaker til at bilparken i Norge har et større utslipp. Det kan f.eks. ha noe med alderen på bilparken å gjøre. Det faktum at vi nå over år har endret bilavgiftene, slik at det relativt sett har blitt rimeligere å kjøpe biler med lavt utslipp, vil over tid også gi virkning i Norge. Men, som sagt, vi kommer tilbake til dette om noen få måneder, og da blir det nok en bredere og større debatt om saken. Replikkordskiftet er dermed over. De representantene som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. minutter. Det er ikke mer enn noen måneder siden statsrådene Solheim og Brustad reiste til Norske Skogs anlegg på Follum for å lovprise utviklingen av ny biodieselteknologi. Det er heller ikke mange månedene siden miljøvernministeren, med sedvanlig beskjeden ordbruk, åpnet biodieselfabrikken Uniol i Fredrikstad. Man bør kanskje slutte å la seg overraske over avstanden mellom ord og handling i Regjeringens miljøpolitikk, selv om mønsteret begynner å bli ganske tydelig. Men biodieselsaken handler om mer enn miljøpolitikk. Det handler også om forutsigbare rammevilkår og om tilliten mellom Regjeringen og den delen av næringslivet som ønsker å satse på grønn teknologi- og industriutvikling. Foruten det enorme potensialet for å redusere utslippene fra transportsektoren er det dette som er kjernen i problemet. Høyre er enig med Regjeringen i at det er grunn til å være skeptisk til enkelte typer første generasjons biodrivstoff. Samtidig leser vi Darwin dit hen at annen generasjon vanskelig lar seg unnfange hvis du har tatt livet av første generasjon. Det er vel heller ingen i denne sal som forventer at biodrivstoff skal fritas for avgift for evig, men vi forventer stabile, forutsigbare rammevilkår for en spennende ny vekstindustri med utgangspunkt i norsk teknologi, råstoff, kompetanse og kapital. Spørsmålet som nå tvinger seg frem, er om det vi har sett i år, er et varsel om at avgiftsfritaket for biler og busser som går på strøm, gass, hydrogen og bioetanol fjernes allerede neste år. Hvilke signal er det egentlig Regjeringen ønsker å sende til næringsaktører og forbrukere som teller på knappene om de skal satse grønt og fremtidsrettet? Hvilke kommuner vil gjøre som Oslo, å kjøpe inn en ny serie med bioetanolbusser, hvis det er usikkerhet om det allerede neste år vil være billigere å holde konvensjonelle dieselbusser i drift?

verken på etanolen eller de 15 prosentene med bensin, mens de som kjører på biodiesel, må betale fullt ut? Hva er begrunnelsen for at elbiler skal slippe å betale for veislitasje, mens biodieselbiler skal betale? Det er behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på biodrivstoff, en gjennomgang som tar sikte på å fremme økt bruk av miljøvennlige drivstoff, men også forutsigbarhet for teknologimiljøer, bedrifter og forbrukere. Klimakur 2020 peker på økt bruk av biodrivstoff som et av de aller viktigste virkemidlene for å kutte norske utslipp i transportsektoren. Derfor er det helt avgjørende at Regjeringen endrer kurs før det er for sent, aller helst i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er ingen skam å snu – særlig ikke i påsken.

som jeg videre har lyst til å si, er: Hva er opposisjonens alternativ? Hva er Høyres og Fremskrittspartiets alternativ? Det blir her nevnt at en skal ha stabile og forutsigbare rammebetingelser, og så nevnes det stabile avgifter. Ja, hva blir konsekvensen av stabile avgifter? Blir det den dynamikken som vi ønsker å stimulere i Nei, sjølsagt ikke. Vi kan jo ikke ha stabile avgifter. Men vi må ha en helhetlig avgiftspolitikk som sikrer et helhetlig syn på alle former for drivstoff. Så må en ha forutsigbarhet med hensyn til hva som kommer til å skje på det området. Det får vi altså ikke noe svar på fra Høyre og Fremskrittspartiet, sjøl om de stiller spørsmål omkring dette. Det dette. Det er en svakhet for de partiene, men det gir en mulighet for opposisjonen til å ha den nødvendige styringsfarten i saken. Sånn står saken i dag. Det har kanskje blitt en litt tammere diskusjon enn mange hadde håpet på. Det skyldes kanskje at det er dag. Det har kanskje blitt en litt tammere diskusjon enn mange hadde håpet på. Det skyldes kanskje at det er stor enighet, med unntak for Fremskrittspartiet, om ønsket om å bruke avgiftene til å fremme innfasing av biodrivstoff for å få ned klimagassutslippene. Som jeg sa tidligere, har det aldri vært brukt Men det er altså ikke nok. Vi ønsker å øke bruken ytterligere. Jeg er også enig i den tiltakslista som Abid Q. Raja la fram. Det var hyggelig at han hadde med på lista det forslaget som SV kom med, om å forby biler som bare går på fossilt drivstoff – et forslag som Venstre var med på å latterliggjøre da vi la det fram. Forslaget som vi behandler i dag, handler altså om en gjennomgang av drivstoffavgiftene. Men som også finansministeren gjorde klart, blir det en gjennomgang av de totale bilavgiftene, inkludert engangsavgifter og årsavgifter, nettopp med det mål å belønne dem som kjøper miljøvennlige biler, og å innfase ny teknologi, som jeg tror er viktig. Kenneth Svendsen gjorde et demagogisk poeng av som han påpekte er lavere i en del andre europeiske land. Det er jo kun et demagogisk poeng, for det er det totale utslippet fra bilen som er viktig. Man kan ha en energieffektiv bil og kjøre mye og slippe ut mye CO2. Og man kan ha en gammel CO2-versting som man nesten ikke kjører, og slippe ut mindre. Det er viktig å påpeke at av klimagassutslippene fra bil faktisk er knyttet til drivstoff. Resten er knyttet til andre ting. Det som egentlig har overrasket meg mest her, er at ingen fra opposisjonen har vært opptatt av å ha de to tankene i hodet samtidig – både å innfase mer miljøvennlig drivstoff og å få ned det totale utslippet fra bilparken gjennom mindre kjøring. Biodrivstoff er viktig, men det er åpenbart at det er ikke nok til å løse klimaproblemene knyttet til utslippene fra samferdsel. Vi må også få ned det totale volumet av transport.

det kun er Regjeringen som angivelig har tenkt over helhetsutslippene fra bil, og ikke bare drivstoffutslippene. Ja, hele denne debatten har fra Regjeringens side kun handlet om utslippene fra drivstoff. Når Fremskrittspartiet har prøvd å framheve at avgiftene bør reflektere totaliteten, har ikke det vært så viktig. Det viktige for Regjeringen har vært fordi de slipper ut lite når de blir kjørt, skal ha en avgiftsfordel, mens andre, skal vi si mer gammeldagse biler, som er enklere å produsere, har mindre utslipp i produksjonssammenheng. De blir altså straffet for dette i avgiftssystemet. Så den sammenhengen som SV her påberoper at Regjeringen har, har de faktisk gått stikk imot Statsråden snakket om at det i lang tid har vært varslet et prinsipp i statsbudsjettet om at det vil bli betaling for veibruk også for alternative drivstoff. Det er riktig. De har slått fast at avgiftsfritak er det beste virkemiddelet – i fire år i strekk. Det som gjør at debatten nå det siste året har vært spesiell, er at de har gått vekk fra dette prinsippet uten å ha hatt en helhetlig gjennomgang først. Den skal altså først komme i 2011. Da utfordrer jeg statsråden til å forklare for Stortinget: Hvorfor var det så viktig å gjøre en endring akkurat på biodiesel før man fikk en helhetlig gjennomgang av hele avgiftssystemet? Hva er det med biodiesel som gjør at det er så forskjellig fra bioetanol, som også er et biobasert drivstoff? Bioetanol, E85, som representanten Astrup tok opp,

alternativ, mens Regjeringen har tenkt helhetlig. Regjeringens tilnærming i denne saken viser at de ikke aner hvordan den prinsipielle tilnærmingen i avgiftspolitikken skal vedvare. Opposisjonen har derimot sagt at en bør ta en gjennomgang totalt sett. Fra Fremskrittspartiets side har vi flere ganger luftet at en f.eks. kunne hatt en tilnærming til alternative drivstoff der en sier at sånn og sånn skal regelverket være på avgiftssiden i et tiårsperspektiv. En kunne f.eks. ha sagt at alle alternative drivstoff skal ha fullstendig avgiftsfritak i fem år, så en drivstoff. Så får en ha unntak for CO2-avgifter når det ikke er CO2-utslipp. Det er en god alternativ tilnærming som Lundteigen åpenbart ikke har fått med seg, men som likevel eksisterer i den virkelige verden. Det bør vel være hevet over enhver tvil at det er andre måter å gjøre ting på enn det Regjeringen har gjort det siste året, i hvert fall. men som likevel eksisterer i den virkelige verden. Det bør vel være hevet over enhver tvil at det er andre måter å gjøre ting på enn det Regjeringen har gjort det siste året, i hvert fall. Finansministeren signaliserer ganske klart at det skal komme en gjennomgang i budsjettet for 2011. Jeg kan godt forstå at man ikke signaliserer altfor mye på forhånd når det gjelder hva man har tenkt å gjøre på avgiftsområdet. Jeg vet samtidig at SVs finanspolitiske talsmann og ordfører for saken har en innflytelse på hva som kan komme, og det For det første vil jeg spørre om han har belegg for det – det ble jo tilbakevist av Arve Kambe – men saksordføreren har ikke kommentert det. Det andre er at i Distrikts-Norge har man ikke alternativer. Det må jo gå an å se verden fra en litt annen vinkel enn bare å se dem man møter på E18 fra Vestfold til Oslo. Vi ser det også i debatten rundt firehjulsdrevne biler. Det er ikke noe luksusgode for dem som bor i Holmenkollen; i mange deler av Distrikts-Norge er det faktisk en nødvendighet.

uheldig, uheldig». Det vitner om i hvilken grad man er i villrede på dette politiske området. Jeg kan ikke skjønne at man ikke har fått med seg at Høyre faktisk gjorde ganske mye med grønne avgifter og gjorde en dreining også i sitt alternative statsbudsjett. Det er mulig vi ikke er enige om alle tiltakene. Vi har også kommet med forslag om en raskere utskifting av bilparken. Vi ville ha beholdt stabiliteten rundt biodiesel. Det er ingen tvil om at det ville ha kommet til å innvirke på utslippsproblematikken i Norge. Så jeg synes ikke man skal seile så veldig høye og mørke her fra Regjeringens side. Det er en utfordring å få til dette. Vi liker alle at det også skal være lys ute i det meste av Distrikts-Norge, og da må vi også ha den problemstillingen med oss i forkant av budsjettet for 2011.

bil. Det var en misforståelse, for selvfølgelig er Fremskrittspartiet opptatt av utslippene fra bil. De er jo opptatt av å øke dem mest mulig ved å senke drivstoffavgiftene mest mulig. Men jeg tok ikke Fremskrittspartiet med i det gode selskap av dem som faktisk er interessert i å bruke avgiftene for å få ned klimagassutslippene i Norge. Fremskrittspartiet kjemper jo for at enhver drivstoffavgift skal reduseres, og det er prisforskjellene som er viktige i spørsmålet om innfasing av miljøvennlig drivstoff. Senker man alle avgiftene, har det bare den virkningen at klimagassutslippene øker. Fremskrittspartiets interesse for biodiesel er først og fremst begrunnet i deres interesse for at alle drivstoffavgifter skal reduseres. Til Gunnar Gundersen må jeg si at jeg skal skaffe den referansen fra Transportøkonomisk institutt som sier noe om hvor det kjøres mest, og så kan Kambe skaffe sin referanse. Men noe av grunnen til at jeg pekte på det, er at utkantene brukes veldig ofte som et argument for at drivstoffavgiftene må være lave. Da er det grunn til å peke på det også kjøres fryktelig mye rundt byene, og det er en bilkjøring som vi kan komme til livs ved å bedre arealøkonomiseringen, først og fremst, og deretter bygge ut alternativer i

til butikken og dra hjem med den bussen som kjører skolebarn, ved 16-tiden. Da bruker jeg altså hele dagen på dette. Jeg tror vi må ta inn over oss at vi bor i et langstrakt land. Derfor ønsker vi å ha lave bilavgifter, som gjør at folk kan bo der de ønsker å bo. Så er det slik at vi ønsker en helhetlig tilnærming til bilavgiftene. Vi ønsker et lavere utslipp, men basert på at en skifter ut bilparken raskere, slik at en hele tiden bruker den siste miljøteknologien som det er mulig å få tak i. Det ønsker man ikke i SV, og derfor har vi langt høyere CO2-utslipp i Norge enn man har i andre europeiske land som det er naturlig å

Derfor har vi fremmet et forslag om det i innstillingen vi i dag har til behandling, altså ha en helhetlig tilnærming til problemet – som vi gjerne får i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett – slik at vi i løpet av resten av året kan lage et helhetlig forslag basert på de faktaene som kommer fram der, og legge det fram i statsbudsjettet for 2011. Istedenfor å få en utredning i statsbudsjettet for 2011, som må rushes i Stortinget, ønsker vi å ha god tid på å gjøre dette. Dermed har vi fremmet dette forslaget.

Så til innlegget fra SVs representant, for der er det en rekke logiske brister hvis det skal være en helhet i det man presenterer; det hadde jeg dog ikke forventet: Representanten sier altså at prisforskjellene er det som er viktig for forbrukerne når det gjelder å ta i bruk alternative drivstoff. Ja! Og da ber jeg ham resonnere litt i eget hode: Hva skjedde med prisdifferansen på biodiesel kontra vanlig diesel som følge av biodieselavgiften? Det var ikke akkurat å øke prisdifferansen – tvert imot. Så må også SV forklare hvordan vi kan forvente at denne varslede gjennomgangen av avgifter vil bidra til å øke prisdifferansen i favør av alternative drivstoff, når premisset som er gitt fra Regjeringen, er at forurenser skal betale. Ergo: Du kan ikke redusere avgiftene på alternative drivstoff ytterligere, for de er allerede på null, bortsett fra på biodiesel. Men hvis forurenser skal betale, så må man begynne å øke avgiftene på elbiler, på hydrogenbiler, på biogassbiler og på bioetanolbiler. bioetanolbiler. Det betyr at prisdifferansen vil bli mindre. Du kan ikke ut fra Regjeringens logikk om at dette skal være provenynøytralt – fordi avgiftsnivået skal ligge på stand by – gå ut og øke de andre avgiftene enda mer, og med det legge en enda større belastning på fossil bensin og diesel. Ergo: Konsekvensen av denne gjennomgangen blir jo at det som SV sier er målet, blir det motsatte. En reduserer denne greia. Utfordringen her for Regjeringen er å sørge for at bransjen får en forutsigbarhet en gitt tid framover, sånn at de våger å gjøre investeringer ved både å ta i bruk teknologi og å utvikle teknologi, at de vet at om ti år så er det gjerne avgiftsbelagt fullt ut, men i en overgangsfase vil de allikevel kunne tjene på kapitalinvesteringer, fordi de har en konkurransefordel kontra fossilt drivstoff. Den konkurransefordelen våger ingen å utnytte i dag, fordi de ser at drivstoffet E85 er fullstendig avgiftsfritt, men er det det i morgen? Nei, ser man på biodiesel, så er det ikke det. Ser man på løftene med hensyn til småkraftpolitikken, der det var lov til å være med i en overgangsordning og investere nå, så ble også løftene fra Regjeringen brutt fordi de fant det for godt ikke å inkludere det. Så vil jeg også utfordre statsråden på et punkt CO2-avgiften på diesel. Nå har enkelte vært ute og sagt at CO2-avgiftsandelen må økes, og så skal det som skal dekke kostnadene med forurensing og slitasje, reduseres. Er det noe statsråden er enig i – hvis han følger med på innlegget? Her må jeg også spørre: Hva skal CO2-avgiften reflektere, et ønsket beløp fra SV, eller den reelle CO2-kostnaden med å kjøre bil? Jeg vet ikke om jeg får noe svar, for statsråden følger ikke med, men det ligger vel her et spørsmål som statsråden må ta inn over seg i regjering, og det bør også ligge til grunn i den helhetlige gjennomgangen som kommer. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og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

Finansministeren og regjeringspartiene er opptatt av, og der er jeg enig, at skattesystemet ikke skal uthules. Men det jevnstiller de med at systemet må være som det er, og der er vi ikke enige. Det er en grunnleggende asymmetri i vårt forhold til helse. Vi har fri behandling av og full lønn ved sykdom, men vi lever livet som vi vil. Det er mitt valg, min helse, men næringslivets og samfunnets kostnad om det går galt. Selv for en rød-grønn regjering vil det heldigvis være utenkelig å innføre noe så nært en styring av folks privatliv når det gjelder aktivitet, men det burde settes i gang noen tanker om hvordan arbeidsgiver og samfunn kan stimuleres og mobiliseres for å redusere kostnadene. Det er helt i kjernen av diskusjonen om hvorvidt vi kan opprettholde vårt rause velferdssystem, at vi får kontroll med Det er vel ingen overraskelse at Høyre støtter forslagsstillerne i at utgifter til arbeidsgiverbetalt helseforsikring og behandlingsutgifter skal fritas for arbeidsgiveravgift og personbeskatning. Det er et tydelig ideologisk skille her, og den rød-grønne regjeringen fjernet i budsjettet for 2006 det fritak Bondevik II-regjeringen innførte i budsjettet for 2003. Dagens regjering foretrekker åpenbart at køene vokser, sykefraværet forlenges, og at den enkelte bedrift og arbeidstaker mister muligheten til å påvirke sin situasjon. Men til tross for Regjeringens motstand mot private helseforsikringer meldes det også i dag om at salget av private helseforsikringer eksploderer. Økende køer og behandlingstid gir det som resultat. Selv i det inngrodde røde fylket, Hedmark, som finansministeren og jeg kommer fra, har ikke et konsern som Moelven noen betenkeligheter med å gå offentlig ut med millionbesparelser grunnet helseforsikring av ansatte. Regjeringens politikk er en straff for de arbeidsgivere som vil ta et ekstra ansvar for sine ansatte, og den er en dobbeltstraff for den sykmeldte. Køene forlenges, og gjør man noe aktivt for å finne andre løsninger, får man tilleggsskatt. Trening og aktivitet er et godt forebyggende tiltak. Arbeidslivet blir stadig mer stillesittende og mindre fysisk aktivitetskrevende. Nyere undersøkelser tyder på at kun 20 pst. av befolkningen tilfredsstiller myndighetenes anbefalte minimum på 30 minutters daglig moderat aktivitet. Mange lever i dag et så inaktivt liv at man ikke utvikler eller opprettholder en fysisk kapasitet til å kunne tåle belastningen ved full jobb. Det gir seg utslag i sykefravær og mindre livskvalitet. Et eksempel fra virkeligheten: Min hjemkommune, Åsnes, som også finansministeren kjenner godt, prydet for noen år siden toppen av en lite hyggelig statistikk, Norges feteste. Det medførte oppmerksomhet fra kommunens side. De satte i gang et helseprosjekt i Åsnes. Målet var gjennom faglig veiledning å trene seg til bedre kondisjon og en lettere hverdag. Resultatene var bemerkelsesverdige. Sykefraværet for gruppen gikk, ifølge Østlendingen 1. desember 2009, ned fra 27,51 pst. til 7,43 pst., fra før prosjektet startet til etterpå. Det skulle være unødvendig å si at dette også bedret livskvaliteten for den enkelte. Det er mye å vinne på å se på dette med nye øyne. Finansministeren og regjeringspartiene har utelukkende fokus på at skattesystemet ikke skal uthules, og at det ikke skal skapes forskjeller mellom dem som er i arbeid,

for å løse sykefravær- og helseproblematikken. Da trengs det nytenkning, veiledning og kompetanse. Vi mener at problemstillingen fortjener en helhetlig gjennomgang. Jeg tar med dette opp de forslag Høyre er med på. Representanten Gunnar Gundersen har tatt opp de forslag han refererte til. I likhet med ethvert skattekuttforslag kan man også ha en viss sympati med dette. Inaktivitet er

Spørsmålet er om skattekutt er medisinen for å øke aktiviteten. Alle skattekutt har noen virkninger. Den åpenbare virkningen er selvfølgelig at man tapper fellesskapskassen for midler. Det gjør man også – med et ganske stort beløp – hvis man innfører dette forslaget. Men det har i tillegg noen fordelingsvirkninger som jeg mener er veldig For det første var målsettingen med reformen fra 1991 å få et bredt skattegrunnlag og en lavere marginalskatt. Grunnen til at man fikk den reformen, var nettopp at man hadde uthulet skattesystemet så mye over år at det var mye urettferdighet i skattesystemet. Det var et skattesystem som fremmet spekulative løsninger, og det var et skattesystem som hadde uheldige fordelingsvirkninger. Dette fikk man ryddet opp i med reformen i Dette forslaget er for så vidt et angrep på den reformen og den tanken, noe mange av de skattekuttforslagene som kommer, er. For det andre har også forslaget, som sagt, noen uheldige fordelingsvirkninger. Det er slik at bruken av naturalytelser i stor grad øker med stigende lønnsinntekt. Det betyr at dette først og fremst vil treffe dem som har Det i seg selv har en uheldig fordelingskonsekvens, mener regjeringspartiene. Det er også slik at det treffer jo ikke de 600 000 som står utenfor arbeidslivet, som kanskje trenger mest stimulering til aktivitet, og som ville hatt størst helseeffekt av dette. Det har også vært bred enighet om at naturalytelser skal skattlegges på vanlig måte,

Man kan gå tur, og for så vidt ha den samme kostnaden ved bruk av tiden. Så det er muligheter for å se for seg løsninger som høyresiden ofte liker å kalle «friheten til å velge», selv om vi har et skattesystem som i dag. Det er en rekke årsaker til at regjeringspartiene ikke synes dette er en god nok idé å gjennomføre. Vi ønsker å bruke fellesskapets midler på andre måter for å fremme fysisk fostring, for det er vi nødt til å gjøre. Vi må sette mer trykk på å få til mer fysisk fostring. Det er livsstilssykdommene som er den store utfordringen i helsevesenet vårt. Det er i stor grad livsstilssykdommene som er utfordringen i forhold til sykmeldingsproblematikken i arbeidslivet. Så der er vi for så vidt enige, men vi er uenige om virkemidlene. Jeg vil gjerne starte med å trekke opp det som etter min oppfatning er det viktigste i

De av oss som er opptatt av innbyggernes helsetilstand, vet at det er økende utfordringer knyttet til f.eks. overvekt og inaktivitet. Derfor er det god grunn til å stille spørsmål om det i disse tider, hvor samfunnet står overfor store utfordringer med økende sykefravær, lange helsekøer og tiltagende grad av livsstilssykdommer, er livsstilssykdommer, er skattlegging av forebygging som er svaret på disse utfordringene. Jeg tror ikke det, men jeg tror tiden er inne til å gi incitamenter til fordel for forebygging – og da først og fremst til fordel for den enkelte, noe som igjen vil resultere i en fordel for velferdssamfunnet Norge. Noen kan sikkert hevde at dette er det enkelte menneskets eget problem. Jeg er totalt uenig i det. Det er samfunnets problem og utfordring når sykefraværet tiltar og produktiviteten svekkes som følge av folks helsetilstand. La meg understreke at dette er et stort og komplekst tema. Det er ingen raske løsninger, eller «quick fix»-løsninger, på disse problemene. Det er imidlertid slik at samfunnet og politikken må legge til rette for økt aktivitet og trening. Det må legges til rette for arbeidsgivers mulighet til å føre en god politikk overfor sine ansatte uten at dette skal straffes med beskatning. Det er, slik jeg ser det, ingen gode argumenter for at treningskort betalt av arbeidsgiver skal skattlegges den enkelte arbeider eller arbeidsgiver. Dette tiltaket er det det offentlige som tjener på, gjennom et lavere sykefravær og bedre effektivitet. Når vi vet av undersøkelser at bare 20 pst. av landets befolkning tilfredsstiller myndighetenes anbefalte mål om minimum 30 minutter moderat aktivitet hver dag, da vet vi også at dette skaper nye – og forsterker gamle – skiller i det norske samfunnet. Spesielt er det relevant for små og mellomstore bedrifter som ikke har eget skattefritt treningssenter i sin bedrift. Vi som er stortingsrepresentanter eller statsråder, kan fritt benytte treningsrommet på Stortinget eller i departementet. Hvorfor skal ikke da alle gis denne retten til gratis trening? Jeg imøteser gode svar fra regjeringspartiene på hvorfor det er greit at vi kan trene gratis, mens ansatte i små og mellomstore bedrifter som blir gitt et treningskort av sin arbeidsgiver, altså må skatte av dette. Som de fleste har lagt merke til, er jeg åpenbart en av dem som med fordel kunne ha brukt de med fordel kunne ha brukt de gratis treningsfasilitetene her på huset i større grad. Men de samme mulighetene som jeg da har, synes jeg også andre bør få. Det er mange gode arbeidsgivere i dette landet som ønsker å ta ekstra godt vare på sine ansatte. Heldigvis preges det private næringsliv, ikke minst de små og mellomstore bedriftene, av at de har et ansvar også i Større satsing på å få arbeidsfolk raskere tilbake i jobb, både gjennom helseforsikringer, bruk av ledig kapasitet i helsevesenet og større satsing på rehabilitering, vil også gi store gevinster for bedriftene gjennom lavere sykefravær og bedre helsetilstand for deres ansatte. ansatte. Hvorfor arbeidsgivere og ansatte skal straffes for at man ser seg nødt til å skaffe helseforsikringer, er for meg uforståelig. Svaret er vel sannsynligvis at mange arbeidsgivere ikke ser seg tjent med at deres ansatte står i endeløse, økende rød-grønne helsekøer for å få hjelp til selv de enkleste operasjoner og behandlinger i det offentlige helsevesenet. Hvorfor dette skal fordelsbeskattes og ilegges arbeidsgiveravgift, er som sagt uforståelig for meg. Jeg registrerer at finansministeren mener at alle økonomiske fordeler fra arbeidsgiver bør skattes som arbeidsinntekt, og at selv samfunnsøkonomisk ønsket aktivitet må vike av skattetekniske hensyn. Jeg synes det er leit at hensynet til skatteteknikk veier tyngre enn god folkehelse. Dersom arbeidsgivere er villige til å betale for sykdomsutgifter til sine ansatte, vil jo dette redusere de offentlige helsekøene, og ventetidene vil bli redusert. Dette er rett og slett en Det er meningsløst at dette skal skattlegges, all den tid det medfører store besparelser for det offentlige. Dette gjelder både helseforsikringer og treningskort. Det er noen skillelinjer som jeg ikke rekker å gå inn på. Men jeg skal avslutte med å ta opp det forslag som Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har fremmet i saken, og anser disse som referert. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Representanten Per

Hvorfor skal jeg straffes for å jobbe? Hvorfor skal jeg i det hele tatt ha inntektsskatt? Hvis denne saken hadde handlet om fysisk helse og ikke om en skattelette, er jeg helt sikker på at det hadde vært mange andre og viktigere tiltak vi nå ville diskutert enn akkurat det å gi skattelette for treningskort. Ellers er jeg enig med inaktivitet ikke bare er et individuelt problem, men et samfunnsproblem. Det er ikke så veldig lenge siden vi her behandlet et Dokument 8-forslag fra Fremskrittspartiet om forenklinger i skjemaveldet i offentlig sektor. Nå kommer da et forslag som vil bidra til økt byråkrati gjennom å innføre en særregel, som man selvfølgelig, i likhet med alle andre særregler, kan argumentere for fremmer et godt formål. Det har vært gjort mye arbeid de senere årene for å forenkle skattesystemet – tankegangen er altså at et bredt skattegrunnlag gir rom for lave skattesatser, desto flere unntak vi har, desto høyere må skattesatsen bli for dem av oss som må betale. SV ønsker også å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet, men vi tror ikke at det er riktig å gjøre det gjennom å uthule

som arbeidsledige eller trygdede. En god arbeidsgiver kan gjøre mye for å fremme fysisk aktivitet blant sine ansatte. Jeg har arbeidet på steder hvor vi har hatt felles trening uten tilgang til verken treningssenter eller trimrom. Jeg har også vært ansatt et sted hvor arbeidsgiver tilbød én time i uken til fysisk aktivitet i arbeidstiden, også uten å ha treningsrom – f.eks. at folk gikk på jobben i stedet for å ta bil. Noen tok ut denne timen i et treningssenter, men det var i stor grad de som allerede var brukere av et slikt tilbud. Opposisjonen peker på forskjellsbehandlingen som ligger i at noen større arbeidsplasser har egne trimrom, mens andre ikke har det. Slike urettferdigheter kan vi alltid finne. Trimrommene er forskjellige. Noen kan bli forbannet på at andre får firmabetalt treningskort til treningssenter med spa, mens jeg bare får en spinningsykkel i kjelleren på jobben. Vår anbefaling er altså å ikke gå inn på skattelette for slike naturalytelser. Det offentlige – stat, fylker og kommuner – må tilrettelegge for fysisk aktivitet gjennom idrettshaller og treningsanlegg og, ikke minst, gjennom tilrettelegging for friluftsliv, som jo er den største bidragsyteren i Norge når det gjelder fysisk aktivitet. Veldig erstattes av at man går eller løper en tur, og i tillegg får man faktisk en naturopplevelse. Forslaget om å gi skattelette for behandlingsforsikring er et brudd med prinsippet i skattereformen og også med norsk helsepolitikk. Det er en oppmuntring til privatisering, der folk i arbeid skal gå foran andre, og vil ta fokus vekk fra at det er det offentlige som skal ha et ansvar for at alle mennesker i dette land får et helsetilbud som er kvalitetsmessig godt, og til riktig tid. Representanten Gundersen har rett i at det er et ideologisk skille her, hvor staten, etter min mening, bør bruke sine penger på å gi et godt helsetilbud i egen regi og ikke gi skatteletter til private

Senterpartiets syn at vi har en skanse som er uhyre viktig å holde, nemlig et godt offentlig helsetilbud. Hvorfor har vi den skansen, som er så viktig å holde? Jo, fordi helsetilbudet skal være godt for alle, uavhengig av om en deltar i det betalte arbeidslivet eller ikke. Det er et grunnsyn som ligger til grunn, og som jeg tror har bred oppslutning i det norske samfunnet. Det tredje punktet som er tatt opp av forslagsstillerne, er å ta vekk arbeidsgiveravgift og personbeskatning for treningskort. Jeg er enig i at når felles treningsopplegg i regi av arbeidsgiver gis en slik skattemessig behandling at skattyter kommer gunstig ut, så reises også spørsmålet om å utvide den ordningen til å gjelde private treningsopplegg gjennom å kjøpe eksempelvis treningskort for de ansatte. Imidlertid må grensen settes et sted. Det er jo de sterke bedriftene og de sterke fagforeningene som eksempelvis her driver fram ordninger hvor deres ansatte eller medlemmer får en fordel framfor ansatte i mindre, svake bedrifter og fagforeninger. Jeg vil si det sånn at Regjeringa kanskje skal være mer på vakt mot å gå i en slik retning fordi man dermed får en uheldig sidevirkning. Etter Senterpartiets syn må grensen gå et sted. Det som er vår vurdering når det gjelder realiteten i forslaget, er at man bør tilrettelegge for trening og fysisk aktivitet for folk flest gjennom virkemiddelet støtte til De frivillige lagene og foreningene som engasjerer og mobiliserer brede grupper, bør få, som Regjeringa legger opp til, momsrefusjon på driftsmidler og også momsrefusjon på bygg og anlegg. På den måten stimulerer vi frivillige lag og foreninger til å komme med enda mer positive tilbud til folk flest, og derigjennom vil kanskje bedriftstilknytningen ikke bli så sentral framover, men lokalsamfunnstilknytningen bli sterkere. Det gir, etter Senterpartiets vurdering, en bedre samfunnsmodell enn å knytte stadig mer opp til menneskers tilknytning til det betalte

vurdering. Men når det gjelder forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om å unnta arbeidsgiverbetalte treningskort fra arbeidsgiveravgift og personbeskatning, støtter vi det, og jeg skal gi en kort begrunnelse for hvorfor. Det har seg slik at vi foreslo dette i forbindelse med IA-avtalen, at dette burde være et element i Det ble det ikke noe av, og da synes vi det er rimelig, slik Fremskrittspartiet også har gjort før, å foreslå det uavhengig av den IA-avtalen som nå er undertegnet. Det er vel liten tvil om at inaktivitet er en av vår tids største folkehelseutfordringer, og da bør vi også se hen til hva som kan bidra til å bøte på akkurat det. her en del erfaringer å hente fra vårt naboland, som jo har innført den ordningen som er foreslått i forslag nr. 3. De erfaringene er positive. Jeg har også i denne sammenhengen lyst til å tilføye at Finansdepartementet nå har på høring et forslag om hvordan man skal få momssatsen på 8 pst. inn i dette regimet. Det tror man betyr at det skal bli provenynøytralt også for dem som må betale moms, at de skal få fradrag på kjøp av varer osv. Treningsforbundet er vel av en litt annen oppfatning. Jeg skal ikke blande meg inn i den dialogen man har med dem som berøres av dette momspåslaget, men bare slå fast at jeg tror at dette er noe som vil komme etter hvert fordi det er så viktig i folkehelsesammenheng. Andre ganger har vi også sett at det antakelig er litt uenighet mellom Finansdepartementet og andre fagdepartementer om i hvilken grad man faktisk vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å bygge opp under en politikk man ellers er for. Jeg Jeg har forståelse for Finansdepartementets ønske om å røre svært lite ved generelle ordninger, men i denne situasjonen tror jeg at vi alle hadde tjent på å gå inn for dette forslaget, også fordi det bøter på en urettferdighet i dagens system: Det er de store bedriftene som har mulighet til å tilby dette, som nyter godt av den ordningen som nå gjelder, mens de mindre

slik at det vi har stått igjen med, er en saklig uenighet om pengebruk eller effekten av skatte- og avgiftsendringer. Men i denne saken skjønner jeg virkelig ikke logikken fra Regjeringens og regjeringspartienes side. Man skryter uhemmet av tiltaket Raskere tilbake, men vil straffe økonomisk dem som ikke er heldige nok til å komme inn under ordningen, men som har en arbeidsgiver som får dem raskere tilbake under en svært hul argumentasjon, at det vil få en uheldig fordelingsvirkning.

Dersom du er heldig nok til å ha en arbeidsgiver som har økonomi til – eller har så mye omsorg for deg – å betale for kostnadene knyttet til behandling av sykdom, slik at du selv kommer raskere tilbake igjen i arbeid og dermed bidrar til økt verdiskaping, økte skatteinntekter og reduserte kostnader for arbeidsgiver – og folketrygden – skal du straffes økonomisk for dette gjennom å fordelsbeskattes av kostnadene. Det er skatt på sykdom! For meg og Venstre henger ikke dette på greip. Det er ingen som ønsker å være syk, og det er definitivt ingen som ønsker å stå unødig lenge i kø for å få behandling for sin sykdom eller skade. Jeg er enig i at det kan stilles både ett og to spørsmål ved forslaget om skattefritak, f.eks. ved arbeidsgiverbetalte månedskort til kollektivtransport, selv om det er miljømessig riktig, og, som i denne saken, ved arbeidsgiverbetalte treningskort, selv om det er helsemessig riktig. er åpenbart fordi det er en økonomisk fordel for arbeidstaker som i utgangspunktet gjelder for alle, men det er heldigvis slik at ikke alle av oss har bruk for at arbeidsgiver betaler behandlingsutgifter knyttet til sykdom for å få oss raskere friske og tilbake i jobb. At det er en økonomisk fordel, er også en sannhet med mange modifikasjoner. For en som vil måtte være sykmeldt i seks måneder i stedet for to måneder, betyr det ingen verdens ting økonomisk, men det betyr en hel del for arbeidsgiver, og det betyr ikke minst mye for staten knyttet til reduserte skatteinntekter og økte trygdeutbetalinger. Hadde det enda vært slik at alle som ville det, fikk hjelp av Raskere tilbake-ordningen, hadde det muligens vært noe hold i argumentasjonen fra Regjeringen og regjeringspartiene. Men slik er det jo ikke. Faktum er jo at køene vokser,

i et godt skattesystem at skattepliktig inntekt mest mulig samsvarer med den faktiske inntekten. At et tiltak i seg selv er samfunnspolitisk ønskelig, er ikke et argument for skattefritak – og det er også i strid med det som var grunntanken bak skattereformen 1992. Som det er påpekt av andre her, viser det seg også at verdien av naturalytelser øker med økende inntekt. Skattefradrag for naturalytelser kan derfor få uheldige fordelingsmessige konsekvenser og bidra til å motvirke andre mekanismer i skattesystemet som skal virke inntektsutjevnende. Skattefritak for tilskudd til behandlingsutgifter og treningskort kan også føre til et betydelig provenytap. Innsats overfor sykmeldte ivaretas, etter mitt syn, best gjennom ordningen Raskere tilbake. Hensikten med denne ordningen er å få sykmeldte raskere tilbake til arbeidslivet gjennom redusert ventetid og raskere behandling. Midlene som anvendes, kan settes inn der de gir best virkning for den sykmeldte, og ikke der utvelgelsen blir overlatt til arbeidsgiver eller til den enkeltes økonomi. Det er mange gode argumenter for økt fysisk aktivitet for å forebygge sykdom, men det i seg selv burde jo være en tilstrekkelig motivasjon for dem som har anledning til å etablere ordninger for arbeidsgiverbetalte treningskort. Skattefritak for dekning av behandlingsutgifter og treningskort vil heller ikke være til hjelp for dem som står utenfor arbeidslivet. Det er Regjeringens oppfatning at det offentliges bidrag til folkehelsen ikke bør skje gjennom skattefritak for arbeidsgivertilskudd til dekning av behandlingsutgifter eller til trening, men at en heller legger til rette for et godt offentlig helsetilbud ved å gi bidrag til idrett, ungdomsarbeid, forebyggende helsearbeid mv. som er tilgjengelig for hele befolkningen. Nå har jeg vært opptatt av de mer skattemessige sidene ved dette forslaget. Men jeg har lyst til å legge til to ting. Det er slik at arbeidskraften er samfunnets viktigste kapital. Samtidig er den også bedriftens viktigste kapital. Det vi gjør fra samfunnets side for å vedlikeholde og øke verdien av denne kapitalen, er å ha et godt helsevesen, et godt utdanningssystem og generelle ordninger som gjør at vi både kan utvikle og ivareta arbeidskraften. det også er viktig at en bedrift ser verdien i det å investere i sin egen arbeidskraft, på linje med det å investere i maskiner eller annet som en bedrift har bruk for. For det er slik at for enhver bedrift er dagens arbeidskraft den viktigste kapitalen både i dag og i framtiden. Da er det fint, som det ble referert til fra saksordføreren, at en bedrift vi kjenner godt, investerer i sin egen arbeidskraft på den måten fordi det er lønnsomt i seg selv, ikke nødvendigvis fordi staten eller samfunnet gir skattefradrag for den investeringen. Derfor bør investering i egen arbeidskraft veies opp mot lønnsomheten ved andre investeringer som bedriften gjør. Det er det ene. Det andre er at denne saken handler om egenansvar. Det jeg og du og alle andre kan gjøre for å passe på vår egen helse, er å sørge for at vi kan gjøre for å passe på vår egen helse, er å sørge for at vi holder oss i god form, eller sagt på en annen måte: Det er et samfunnsansvar som enhver borger har for å ivareta helsen sin. For å si det med et lite skråblikk: Jeg har trent uten skattefradrag hele livet mitt. Riktignok Jeg har trent uten skattefradrag hele livet mitt. Riktignok har jeg blitt parlamentarisk mester på ski, men bortsett fra det har jeg ikke noen store idrettsbragder bak meg. Der har saksordføreren langt større meritter å vise til. Men hele poenget er at det å trene og på en måte ivareta sin egen kropp og sin egen helse bør være en livsstil for den enkelte. For også å si det slik: Jeg betaler med glede årskortet mitt for å komme fram til de beste skiløypene i hele Norge, området rundt Nybygda i Ringsaker kommune. Det er en god investering der jeg får mye tilbake, og som jeg får mye glede av. Det blir replikkordskifte. Jeg er

vel, betydelig? Vi stilte det spørsmålet til Finansdepartementet i forbindelse med vårt alternative statsbudsjett i 2007. Da var de totale kostnadene, altså provenyet, 160 mill. kr ved inntil 3 000 kr betalt av arbeidsgiver. Men også regjeringspartienes representanter sier at dette ikke er et nullsumspill. Det er faktisk en fordel for staten. Inntektene vil overskride utgiftene. Da blir det muligens et betydelig provenytap det første året. Men år to, tre, fire og fem, hvis inntektene blir høyere enn utgiftene? Har departementet regnet på det, eller er det bare påstander som blir fremsatt? Det er fullt mulig å lage et regnestykke som sier at et fradrag gir større meravkastning over tid. Det er klart at 160 mill. kr – eller hva det over tid. Det er klart at 160 mill. kr – eller hva det nå er – er et betydelig proveny. Men det som egentlig er det viktigste argumentet rent skatteteknisk, er at hvis du stadig inkluderer i skattesystemet ulike fradragsordninger for ulike gode samfunnsmessige formål, får du etter hvert et skattesystem som blir ganske uoversiktlig. Og det vil bryte med den logikken som er i skattesystemet. Jeg tror nok at enhver finansminister, både jeg og Jeg tror nok at enhver finansminister, både jeg og de som måtte komme i framtiden, vil være veldig opptatt av å ha et skattesystem med bredest mulig skattegrunnlag og færrest mulig fradragsordninger, som gjør det mulig å ha lavest mulig skattesats generelt. Vi hører hele tiden at verdien av naturalytelser øker med lønn. Det er

og som for meg er et ganske stort tankekors, for det går på samfunnsmessig ressursbruk – det står treningsrom tomme stort sett hele tiden. Det går også på store forskjeller ute. Hvorfor svarer man ikke på det? Jeg tror ikke det er så enkelt som å si at store bedrifter er flinkere enn mindre bedrifter til å ivareta arbeidskraften. Jeg tror vi kan finne mange gode eksempler på små og mellomstore bedrifter som er veldig bevisste

Hvilke tiltak vil finansministeren iverksette for at flere arbeidsgivere skal gjøre dette, som er lønnsomt både for arbeidsgiver, for arbeidstaker og for staten? Som jeg sa i mitt innlegg, synes jeg at ordningen Raskere tilbake er en god ordning. Den har sitt utspring i avtalen om et inkluderende arbeidsliv, og det vil være naturlig for Regjeringen å bygge opp under den ordningen. Det andre som vi bør og kan ha, er et helsevesen som gir bedre behandling, raskere behandling, og som også fungerer slik at køene blir kortere, selv om det er fryktelig vanskelig, for etter hvert som tilbudet øker, øker også behovet. Men jeg vil først og fremst satse mer på det en kan kalle fellestiltak, framfor å fremme forslag om tiltak som i større grad bidrar til en privatisering av helsevesenet.

bl.a. subsidiering av treningskort og slike ting. Men grunnen til at også Høyre er skeptisk til det forslaget og heller foreslår at her skal man ta en gjennomgang, er at dette er ganske komplisert. Finansministeren sa jo selv at han trente uten noen skattestimulans. Det gjør også jeg, og det er det mange som gjør. Men det er uhyggelig mange som ikke gjør det, og det er det som er problemet. Da burde man kunne ta en gjennomgang og se på hvordan vi faktisk klarer å nå fram til dem som ikke gjør det. det. Det er en større og større gruppe som ikke gjør det, og problemstillingen blir mer og mer aktuell. Så hvorfor er man ikke med på å ta en skikkelig gjennomgang som ikke er med på å uthule skattesystemet, men som kunne skape en ordentlig og godt fundert politikk på dette området? Det lå ikke i mitt svar på den forrige replikken fra Gunnar Gundersen at de små og mellomstore bedriftene måtte bygge sine egne treningslokaler, men skattesystemet åpner jo for at en kan leie lokaler hos andre, eller ute på byen, for å ha et tilbud til sine ansatte. Ellers rører representanten Gundersen ved et viktig spørsmål: Hvordan skal en få motivert folk til å trene og ta bedre vare på helsa? Jeg tror at da må en nærme seg med et litt bredere spekter av virkemidler enn hele tida å peke på at det er skattestimulansen som er den utløsende faktoren. det å drive et forebyggende helsearbeid blir viktig, og det er en viktig del av den Samhandlingsreformen som nå etter hvert også kommer til behandling i Stortinget. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Med fare for å forlenge debatten unødvendig har jeg lyst til å snakke lite grann om hva det er

Unntak fra skatteplikt gjelder dersom tiltaket består i en naturalytelse og anses som rimelig velferdstiltak.» Videre: «Velferdstiltak i skattelovens forstand er tiltak som: henvender seg innad til de personer som er knyttet til foretaket/bedriften, og har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og i tilknytning til den, oftest i form av fellesarrangement.» Her er altså dette definert i ABC-en. Eksempelvis vil det regnes som rimelig velferdstiltak dersom arbeidsgiver selv innreder eller leier eget trimrom for de ansatte. Som rimelig velferdstiltak regnes ikke personlig medlemskap i helsestudio eller treningssenter betalt av arbeidsgiver. Konsekvensen av dagens skattelovgivning er at foretak kan omgå skattelovgivningen ved at bedriftene kjøper et visst antall upersonlige treningskort som de ansatte kan bruke på trening. Det kvalifiserer i henhold til loven. Ordningen med upersonlige kort fungerer imidlertid ikke i praksis, fordi den ekskluderer dem som trenger det mest, for de ivrigste tar selvfølgelig kortene. Dessuten forhindrer ordningen treningssentrenes mulighet til å drive personlig oppfølging, noe som er helt vesentlig for å forbedre folkehelsen. Treningsskatten innebærer også en forskjellsbehandling av store og små bedrifter, i motsetning til hva statsråden påpeker, for større bedrifter har i langt større utstrekning treningsrom på arbeidsplassen

og da er det kanskje naturlig at man også legger til rette for aktiviteter som spesielt kvinner ønsker å benytte seg av. Det er relativt få kvinner som driver med bedriftsfotball og bedriftsbowling og andre ting, som det selvfølgelig er skattefritak for i henhold til regelverket, så kanskje man skal se på dette også i det perspektivet. Ordningen finnes jo allerede i sosialdemokratiske Sverige i sosialdemokratiske Sverige – den gangen det ble innført, var Sverige sosialdemokratisk. Det er snakk om et skattefritak på inntil 6 000 kr for treningskort, altså dobbelt så mye som det Fremskrittspartiet la inn i sitt alternative budsjett for 2007. Det har vært vellykket i Sverige, og det er ingen der borte som snakker om uthuling av skattesystemet og skriker og bærer seg for det. Nei, det fungerer der borte, og da kunne en kanskje skule til Sverige og se om det er noe vi kunne kopiere derfra. Sverige burde vel være et foregangsland for sosialdemokratiske Norge i mange sammenhenger, så da kan man vel gjøre det. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til
fra Kenneth Svendsen, Ulf Leirstein og Ketil Solvik-Olsen om å gi Regjeringen fullmakt til å redusere merverdiavgift på strøm og elavgift i perioder med ekstraordinært høy strømpris. Som saksordfører vil jeg prøve å gå gjennom saken på en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

Finanskomiteen legger fram innstilling om representantforslag fra Kenneth Svendsen, Ulf Leirstein og Ketil Solvik-Olsen om å gi Regjeringen fullmakt til å redusere merverdiavgift på strøm og elavgift i perioder med ekstraordinært høy strømpris. Som saksordfører vil jeg prøve å gå gjennom saken på en nøytral måte og beskrive representantenes intensjoner og forslag, og

produksjonen, men skyldes en rekke andre ting, også problemer i utlandet. Høyre har sammen med Fremskrittspartiet og andre partier de siste årene fremmet en rekke forslag som vi mener ville bidratt både til å redusere konsekvensene av den situasjonen vi er inne i, og også unngå at slike ting skal oppstå i framtiden. Blant annet fremmet Høyre et forslag i begynnelsen av

Jeg vil nesten si det så sterkt at Regjeringen over lang tid har somlet med å få disse sertifikatene på plass. Solvik-Olsens forslag om småkraftverk for et par uker siden, som Høyre også er med på, er et godt eksempel på at folk

Når det er sagt, er det klart at vi må styrke overføringsnettet, både utenlands og innenlands mellom regionene, der vi har problemer. Midt-Norge har delvis problemer, deler av Hordaland og Rogaland vil kunne få det i framtiden, så her er det viktig at man tar grep. Nå er det likevel sånn at det forslaget som vi har til behandling i dag, ikke tar de langsiktige aspektene inn over seg, men kun går akutt fjerne momsen og å redusere elavgiften. Det er forslag Stortinget tidligere har avvist, og Høyre mener at det å gjøre strømprisene billigere for alle i en slik situasjon snarere vil øke problemet enn å løse det. Derfor har Høyre en helt annen innfallsvinkel til dette, nemlig en modell fra den gangen Bondevik II-regjeringen hadde en tilsvarende utfordring. Staten får inn over 55 milliarder på elavgift og moms. Det Høyre har sagt, er at utfordring. Staten får inn over 55 milliarder på elavgift og moms. Det Høyre har sagt, er at vi kunne tenke oss å verne dem som trenger det mest, dem som nå sliter med å betale strømregningen, dem som gruer seg til neste måned når strømregningen kommer. Hvordan skal vi klare å finne en målrettet, enkel og rask løsning slik at vi kan hjelpe dem? De som i dag mottar bostøtte fra staten, og det samme fra kommuner og Husbanken, har allerede vært gjennom det nåløyet at de trenger økonomisk hjelp til boutgifter. Det betyr med andre ord at de har en dårlig økonomi, og at de har høy risiko for å få betalingsproblemer når strømprisene øker. Derfor vil jeg ta opp det forslaget Høyre har fremmet sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, om at vi ønsker å gi Regjeringen fullmakt til nettopp i slike situasjoner å bruke noen av de ekstra kronene som man får inn i avgifter, til å hjelpe dem som trenger det aller mest. Det er klart at for en alenemor eller en minstepensjonist som nå møter våren med ganske stort underskudd på budsjettet, fordi det går ut tusenvis av kroner til strøm, ville forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vært en håndsrekning. Selv om regjeringspartiene i sine merknader skriver at man har fått en generell økning i bostøtten,

når ordningen er fullt innfaset i 2012. I forbindelse med den nye bostøtteordningen ble bl.a. støtten til utgifter for oppvarming av bolig økt med gjennomsnittlig 1 000–1 500 kr pr. år for alle med alders-, uføre og etterlattepensjon som ikke får denne utgiften dekket over husleie eller felleskostnad. Så dette er et område Regjeringen har satset stort på. Så til hovedinnholdet i representantforslaget. Jeg er enig med saksordføreren i at forslaget har gode intensjoner. Høye strømpriser er en utfordring for mange. Energiproduksjon, forsyningssikkerhet og en god nettpolitikk er avgjørende for sikkerheten i systemene og for prisnivået. Vi står likevel sammen med saksordføreren om konklusjonen: at forslaget ikke vedtas. For vi mener at redusert elavgift ikke er et effektivt og hensiktsmessig virkemiddel når prisene henger sammen med markedsverdien på strøm gitt det tilbudet og den etterspørselen som er. Som finansministeren skriver i sitt brev til komiteen: «Det reduserte avgiftsnivået gir derfor i første rekke en inntektsoverføring fra staten til strømprodusentene, og ikke til forbrukerne.» Vi tror derfor ikke fra regjeringspartienes side at forslaget vil gi den ønskede effekten eller være hensiktsmessig i forhold til formålet, og tilrår derfor komiteens innstilling.

har mottatt strømregninger på et nivå som de aldri har opplevd før. Det som er betenkelig, er at den norske stat er en av aktørene som sørger for at regningen øker langt mer enn det den burde gjøre. Dette har sin bakgrunn i avgiftene som legges på kundene. Staten tar 26,6 pst. av strømregningen i avgifter, og gjennomsnittsforbrukere som inngikk en ettårig strømavtale med dagens markedspris 2. mars 2010, måtte betale staten nær 9 000 kr i avgifter, ifølge NRK Hordaland. Det er en betydelig sum for en minstepensjonist og folk med dårlig råd – slike som den rød-grønne regjeringen sier de er så opptatt av. Dette er et godt eksempel på at Regjeringens avgiftspolitikk bidrar til at folk får dårlig råd. Men det stopper ikke der. I et oppslag i NRK Nordland så opptatt av. Dette er et godt eksempel på at Regjeringens avgiftspolitikk bidrar til at folk får dårlig råd. Men det stopper ikke der. I et oppslag i NRK Nordland står det: «Stor økning i antall gjeldsoffer siden nyttår. Dyre forbrukslån og høye strømregninger er noe av årsaken til at folk nå ber NAV om hjelp. De siste par ukene har også folk som har problemer med å betale strømregningene kommet til NAV.» Bare i Bodø er det utbygging av kraftanlegg rundt om i landet. Dette har ført til underproduksjon av strøm og press på priser. I tillegg har Norge et skyhøyt avgiftsnivå på strøm, noe som legger ekstra byrder på befolkningen. Dette i et land som burde ha muligheten til å flomme over av billig fornybar, ikke-forurensende kraft – hvis det hadde vært ført riktig og langsiktig politikk på dette området. Norge produserer stort sett fornybar vannkraft, slik kraft som alle ønsker seg. Selv om vi gjør det, er denne kraften pålagt noen av de høyeste skattene og avgiftene i Europa. I et oppslag i NRK den 23. februar står det under overskriften «Norge kan få dyrest strøm i Europa»: «I Oslo lå spottprisen en stund i går på over det dobbelte av Italia, det tradisjonelt dyreste strømlandet i Europa.» Vi ser i oppslag i NRK den 17. mars at staten tar inn 55 milliarder kr i strømavgifter. Dette er en kraftig økning fra årene før – ja, faktisk en økning i skatter og avgifter på 10 milliarder kr, som tilsvarer en økning på 20 pst. Det er noen som må betale dette. Disse «noen» er befolkningen. Det har i media vært flere oppslag som viser at mange har store problemer med å betale de skyhøye strømregningene. Strømselskapene har vært ute og oppfordret folk til å ta kontakt, sånn at de får betalt regningen over tid. Men hva hjelper det, når en ny, skyhøy regning fra strømleverandøren havner i postkassen før den første er betalt? Mange vil etter hvert havne som kunde hos et inkassobyrå – med de påslagene som er der. Dette er altså staten med på, gjennom skatte- og avgiftsnivået som Stortinget har vedtatt! Det er forunderlig at Høyres tilnærming er at vi først skal avgiftsbelegge strømprisene så høyt at vi deretter må subsidiere gjennom bostøtte, slik at de unngår inkassokravene. Denne vinteren har vært spesiell på mange måter: lave temperaturer, uregelmessig kraftproduksjon i Sverige, manglende investeringer i nye kraftanlegg i Norge, osv. Alt dette, sammen med høye avgifter, har ført til høye strømregninger for kundene. Vi som storting kan kun gjøre én ting på kort sikt for å avhjelpe befolkningen i denne situasjonen: sette ned avgiften på strøm, dvs. elektrisitetsavgiften og merverdiavgiften. Det dvs. elektrisitetsavgiften og merverdiavgiften. Det er også det som er Fremskrittspartiets forslag. Jeg hører i debatten at det er liten mulighet for å få vedtatt et sånt forslag. Det tar jeg til etterretning, men jeg tar uansett opp forslaget. Representanten Kenneth Svendsen har tatt opp det forslaget han refererte til. De høye strømprisene i vinter viser at markedet ikke er

til. De høye strømprisene i vinter viser at markedet ikke er særlig egnet til å fordele et slikt nødvendighetsgode som tilgang på elektrisk kraft er. Markedstroen har gjort at vi ikke styrer energipolitikken etter politiske mål. Hvis brødprisen hadde steget 20 ganger nærmest over natta, hadde de fleste vært enig i at det ikke hadde vært et fungerende marked, og at det burde avskaffes. Når det gjelder strømprisen,

Nå vil Fremskrittspartiet vise handlekraft, men det er synd at det de foreslår, ikke virker. Finansdepartementet viser i sin uttalelse til at et merverdiavgiftsfritak trolig bare vil øke fortjenesten til strømprodusentene og ikke komme kunden til gode. Ja, faktisk er det slik at for energikrevende industri kan prisen komme til å stige. stige. Dette, i tillegg til de administrative kostnadene, gjør at forslaget rett og slett er dårlig. Etter SVs mening er det frislippet, som energiloven innførte, som er noe av problemet, og derfor bør vi se nærmere på om det bør gjøres endringer i energiloven. Det koster mye penger å legge kabler til overføring av strøm på kryss og tvers av landet – og til utlandet. Ikke bare fører det til økte utgifter for forbrukerne. Det fører også faktisk til stort energitap. Sjøkabelen til Nederland gir aleine et nettap tilsvarende strømforbruket til 10 000 husstander. Nå er ikke løsningen at vi ikke skal ha overføringskabler. Men det at strøm sendes på kryss og tvers utelukkende for alltid å få solgt den til høyeste pris, bidrar faktisk til mangel på energi. Overføringskabler kan bidra til å utjevne pris. Men i praksis kan de også bidra til å øke prisene. Mens strømprisene var på topp i Midt-Norge, var Norge fortsatt netto eksportør av strøm. Spørsmålet er om det ikke bør reguleres, slik at energiselskapene får større ansvar for å levere strøm til stabile priser. Det koster 6,5 milliarder kr å bygge ny kabel fra Indre Sogn til Møre. Det kan gjøres mye for fornybar energi og energiøkonomisering for et slikt beløp, for løsningen er jo å bidra til at husstandene blir mindre avhengige av elektrisk kraft til oppvarming. Det betyr satsing på bioenergi, fjernvarme og energiøkonomisering. En varmepumpe i hvert hjem i Møre og Romsdal ville redusert forbruket av strøm for husstander i Derfor er det viktig å ha Enova, som har bidratt til å igangsette miljøvennlige energiprosjekter tilsvarende 11,6 TWh fram til og med 2008. Det tilsvarer faktisk en energimengde på omkring 10 pst. av Norges samlede forbruk av elektrisitet i løpet av et år. Så Enova bør styrkes ytterligere. Et tillegg på en eller to øre på nettariffen ville kunne være et viktig bidrag for å få til dette en investering som i neste omgang ville gi strømkundene lavere og først og fremst mer stabile priser. I tillegg bør vi få en ordning med såkalt hvite sertifikater, en ordning som pålegger energiselskapene å iverksette energisparetiltak hos kundene sine. Da vil SV ha en ordning etter engelsk mønster, der minst halvparten av tiltakene skal være øremerket lavinntektsfamilier. Det er en ordning som også vil stimulere markedet for miljøteknologi i elektro- og byggebransjen. Når det gjelder å verne dem som nå er verst ute, er jeg enig i det som er sagt før, at vi får sette vår lit til bostøtte og til Nav, mens vi bør tenke langsiktig med tanke på hvordan vi skal gjøre oss mindre avhengig av strøm

i vinter. Vi har etablert et marked som tilsynelatende skulle fungere som ethvert annet marked, og så har en unnlatt å se på de fysiske forutsetninger som de facto er til stede, og som hindrer markedet i å fungere. Noe av er jo rett og slett nødvendig kapasitet for å transportere strøm fra ett punkt til et annet punkt. Strøm vet vi beveger seg akkurat som vann – det beveger seg fra kilden til nærmeste forbruker. Når da kilden og nærmeste forbruker er slik plassert at en ikke kan få tilførsel annenstedsfra, får du altså en helt abnorm situasjon. Du får underskudd på et knapphetsgode og dermed en prisutvikling som ikke hører noe sted hjemme, og som heller ikke den alminnelige forbruker kan forholde seg til, fordi han ikke får informasjon kontinuerlig om hva som er den prisen som vedkommende må betale. Slik er systemet i dag. Derfor er det jo betimelig å ta opp denne diskusjonen. Men det som da er det sentrale, er jo, akkurat som vi har diskutert tidligere, å få en helhet og en forutsigbarhet, å få en helhet og en forutsigbarhet, få inn korrigering av markedskreftene, som SVs talsmann var inne på, få til systemendring, få til at det også er et norsk politisk ansvar å sikre at det områdefortrinn vi har med mye fornybar energi, er et områdefortrinn som også bør overrisle det norske næringslivet og den norske befolkning. Jeg vil bare si at de forebyggende tiltakene for å rette opp de enestående, tydelige svakheter som nå er kommet, er så sterke at Regjeringa har svært dårlig tid på seg til å få gjort noe her, slik at dette ikke fortsetter, og til å vise det i konkrete handlinger. Men det vil koste penger, og det vil også koste at enkelte sterke krefter som sto bak den reformen som vi nå ser i full blomst, må gå tilbake på det en tidligere har sagt, og se at vi må omorganisere strømmarkedet, slik at det som et basisgode har en pris som er på et helt annet stabilt og forutsigbart nivå enn det vi nå opplever. Det er Det er flere grunner til de høye strømprisene vi har sett i vinter – i hvert fall i enkelte perioder i vinter – og det har jo ikke minst sin årsak i selve vinteren selv, samtidig som en nå har stått overfor en situasjon der viktige deler av svensk kjernekraftproduksjon har vært ute av drift. Det er ingen tvil om at mange at en har hatt så høy strømpris i enkelte perioder. Jeg tror ikke at avgiftsreduksjoner er et svar på de utfordringer som vi har sett. Det dreier seg først og fremst om utfordringer knyttet opp mot kapasiteten, ikke minst på overføringsnettet. Så jeg er ganske trygg på at økte investeringer i kraftproduksjonen og overføringskapasitet vil bidra til et mer tøyelig og robust kraftsystem som også vil gi jamnere priser mellom ulike regioner. Så er det også viktig å understreke at store deler av industrien i hovedsak ikke betaler avgifter på strøm, og de blir da i liten grad omfattet av et forslag om en generell avgiftsnedsettelse på strøm. Jeg har veldig stor forståelse for at høye strømpriser kan være en belastning og er en belastning for mange husholdninger med presset økonomi. Men samtidig tror jeg at å redusere avgifter på elektrisk kraft er et lite effektivt og i mange tilfeller også et lite treffsikkert virkemiddel for å lette situasjonen for husholdninger som blir rammet av høye strømpriser. Det er slik at en avgiftsreduksjon – som kunne ha vært aktuelt i vinter – ikke nødvendigvis fører til at strømprisen blir lavere til forbrukerne. Det skyldes jo at i en situasjon med knapphet på kraft og

for å hjelpe utsatte grupper. Det er slik her som det er på andre områder, at med økende inntekt øker også strømforbruket. Gjennomgående har husholdninger med høy inntekt større forbruk enn de med lav inntekt. Det betyr at en generell avgiftsnedsettelse vil kunne få en skjev fordelingseffekt. jeg at den godt etablerte ordningen vi har med bostøtte, som representanten Teigen viste til, er et mye mer treffsikkert virkemiddel for å nå dem som har de største problemene med å betale strømregningen sin. Som representanten Teigen også viste til, har man styrket bostøtteordningen betydelig den siste Så tror jeg at vi over tid vil oppleve at prisen på strøm vil svinge – det ligger litt i sakens natur. Som forbrukere vil vi være utsatt for svingende markedspriser. Selvsagt kan vi som forbrukere til en viss grad gardere oss mot det ved å inngå andre typer kontrakter med strømleverandøren og Men over tid er nok tiltak som kan styrke leveringssikkerheten det viktigste vi kan gjøre. Det betyr å bygge ut og styrke overføringsnettet, selv om det ofte er forbundet med saker som har betydelig politisk sprengkraft, for å bruke et slikt uttrykk. Det er å ruste opp kraftverkene. Det er satsing på

strømforbruket sitt og på en måte avpasse strømforbruket etter svingninger i levering f.eks. over døgnet. Så det er mange tiltak en her kan bruke, og jeg tror de langsiktige tiltakene er de som vil virke best for å få et jevnere og bedre fungerende marked for strøm. Da åpner vi for replikkordskifte. Statsråden gikk igjennom forskjellige grunner til at strømprisen er

uten å ta sosiale hensyn. De rammer alle sammen, uansett hvem de er. Det ser vi nå. Det er underordnet hvorfor de kommer. Utgangspunktet må være at vi løser dette problemet, og det kan vi på kort sikt gjøre ved å senke avgiften. På lang sikt kan vi gjøre det ved større utbygging. Vil statsråden ta initiativ til at man øker takten i utbyggingen i

Det som var mitt poeng, er at en generell nedsettelse av avgiftene er lite treffsikkert. Det har store administrative virkninger ved seg, og det er en av grunnene til at vi velger å peke på bostøtten som et mer egnet og treffsikkert virkemiddel. Når det gjelder mer kraftpolitiske vurderinger, tror jeg at jeg må overlate det til olje- og energiministeren. Men jeg vil for øvrig vise til det jeg sa på slutten av mitt innlegg om ulike tiltak som er mulig for å styrke både leveringssikkerheten og kraftproduksjonen i Norge.

Det som finansministeren gjør, både i innlegget sitt ved å vise til Teigens merknader og i svaret til Svendsen her nå, er igjen å vise til bostøtten. Vel, nå har Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre servert en lissepasning til finansministeren som både er ubyråkratisk og rask og raskt kan trekkes tilbake igjen. Regjeringen kan bruke noen av de få kronene som kommer inn nå, til å bistå dem som trenger det mest. Dette er altså virkelighetens verden for mange småbarnsfamilier og for mange eldre mennesker som har grudd seg, og som gruer seg; folk som har betalt den forrige strømregningen, og som gruer seg til den neste regningen som kommer. Vil statsråden, som han nå har åpnet for, gjøre noe med forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i dag? Når det gjelder forslag som har mer budsjettmessig virkning, må jeg for så vidt vise til revidert nasjonalbudsjett og de muligheter en har gjennom den ordinære budsjettbehandlingen. Ellers konstaterer jeg at det ikke er flertall i Stortinget for det forslaget som Høyre har fremmet, og jeg vil selvsagt forholde meg til det som blir Stortingets vedtak. Ber representanten Solvik-Olsen om replikk? – Vær så god. Det er et hint til representantene at når statsråder holder innlegg, de som da prøver å tegne seg, som om de ber om replikk. Det kan bli litt uklarhet her. Jeg rakte opp en finger. Det trodde jeg var til innlegg, for to fingre er til replikk, men greit. Statsråden og ikke minst representanten for SV sier at en avgiftsreduksjon sannsynligvis vil gjøre at fortjenesten økes hos kraftprodusentene, og at forbrukerne ikke får glede av dette. Nå viser jo tall som statsråden selv har lagt fram for komiteen, at 15 pst. av kraftomsetningen i Norden foregår på Nord Pool-børsen, og at andelen av den norske elavgiften er 25 pst. Ergo: Det forslaget vi snakker om her, påvirker forbruket til 3,75 pst. av markedet. Tror virkelig statsråden at 3,75 pst. av markedet kan gi slike utslag at fjerning av momsen vil gi 25 pst. økning av markedsprisen? Det er selvsagt vanskelig å ha helt skråsikre oppfatninger om det. Men det som var poenget mitt, er at vi har visse erfaringer med generelt sett å sette ned avgifter til staten i forbindelse med et håp om å få ned produsentprisen. Det er ikke bestandig at det slår direkte gjennom i produsentprisen. Jeg tror nok at noe av det samme vil gjøre seg gjeldende i forhold til prisen på el, særlig fordi mye av prisøkningen skyldes knapphet på strøm i markedet. Men det er ikke mulig å lage noen nøyaktige regnestykker på dette, og jeg vil heller ikke prøve meg på det i et replikkordskifte.
Jeg synes det er et interessant svar, for i den offentlige debatten har regjeringspartiene vært veldig tydelige på hva som ville vært konsekvensen av en avgiftsreduksjon. Det ville vært at forbrukerne ikke fikk noe glede av dette, mens produsentene, som i Norge er statlig og kommunalt eid, ville fått hele gevinsten. Her står statsråden i Stortinget og sier at det kan han ikke gjøre beregninger på, og han vil ikke ta det opp i et replikkordskifte. Åpenbart må noen ha antatt dette, når man fra regjeringspartienes side i debatten har gått så veldig bastant ut. Synes ikke statsråden at hans kollegaer har opptrådt uredelig i debatten, når de kommer med så bastante påstander, som han selv ikke ønsker å forsøke å kvantifisere? For det er altså snakk om 15 pst. av markedet som er på Nord Pool, og en fjerdedel av det igjen som vil bli berørt at denne prisgreia her. Så bør også statsråden ta inn over seg hvilken priselastisitet det er for strøm, som gjerne er noe helt annet enn for normale luksusgoder, der en liten prisendring kan gi store utslag. Statistikker viser at store prisendringer på strøm gir veldig små utslag, fordi dette er nødvendighetsvare og ikke et luksusgode. Jeg må vise til det svaret jeg ga i stad, og for så vidt sett fra mitt ståsted, en vurdering at det er ikke nødvendigvis slik at hvis man setter ned momsen, ville produsenten tilsvarende oppleve en nedgang i prisen. Det har nok sammenheng med det jeg sa: Når det er knapphet på et gode og det er høy utnyttelse av importmuligheten, vil også en lavere avgift kunne bidra til å presse opp produsentprisene.

Det er jo helt feil. Det er jo nettopp markedet som virker. For når man struper tilgangen til et marked, stiger selvfølgelig prisen. Det betyr at det er flertallet her på Stortinget som gjennom politiske vedtak har strupt inngangen til strøm i markedet. Med andre ord: De har ikke vedtatt å bygge ut de reservene som ligger i Norges land, som ville ha ført at tilgangen til strøm hadde økt. Da ville markedet automatisk ha sørget for at prisen gikk ned. Så det er ikke markedet som sørger for at det er høy pris. Det er politiske vedtak som sørger for at det er høy pris, for tilgangen på strøm er blitt kuttet, og vi har skyhøye avgifter når det gjelder strøm. Statsråden sa også at strøm var et knapphetsgode. Men det er nettopp på grunn av politiske vedtak at det er et knapphetsgode. Representanten fra SV hadde en finurlig gjennomgang, at man ville ikke akseptert at brødprisene steg med Men jeg kan fortelle hvorfor brødprisene ikke stiger med 20 pst. Det er fordi Stortinget ikke har gjort et vedtak om at produksjonen skal være mindre. Hvis Stortinget hadde vedtatt at det skulle produseres bare så og så mye brød, hadde markedet sørget for at prisen steg. Men det er ikke markedet som har gjort det. Det er vedtak i Stortinget som har gjort det. Det er akkurat det som har skjedd når det gjelder tilgangen på strøm. Jeg tror at det er Stortinget og de vedtakene som er gjort her, som først og fremst må ta ansvaret for at vi har en skyhøy strømpris i dette landet. Jeg håper at i framtiden tar Stortinget inn over seg at vi har reserver å bygge ut når det gjelder vannkraft i hele dette landet. Det er lokalsamfunn som står klar og ønsker vannkraftutbygging i egen kommune. Men Stortinget har vedtatt at man ikke skal gjøre det. Melfjord-anleggene i Nordland og Vefsna i Nordland er to eksempler på at det er lokalt initiativ og et ønske i befolkningen om utbygging, mens Stortinget setter ned foten. Det betyr mindre strøm inn i nettet og høyere pris. Slik virker et marked. Jeg anbefaler SV å ta et kurs om

sviktet. Det sier de to partiene som har sittet i regjering i fire og et halvt år, og som har en regjeringssjef som i Stortingets spørretime 3. mars fastslo at det knapt finnes en bransje i Norge som er mer politisk gjennomregulert enn nettopp kraftbransjen. Både på eiersiden, på prosjektsiden og på nettsiden er det stat og kommuner som styrer alt. Det private innslaget er svært lite.

enn den som nettopp har gjort det. Så blir det brukt som argument her at hvis en gjør noe med avgiftene, vil det automatisk øke fortjenesten til kraftprodusentene, det vil ikke komme kundene til gode. Som jeg viste til i replikkordskiftet, der statsråden var svar skyldig, er det en svært liten andel av det nordiske markedet som vil bli påvirket av en endring i elavgiftene. Det representerer Det er svært lite. Jeg har ingen tro på at kraftmarkedet vil gi prisutslag som oppveier for en eventuell reduksjon i avgiftene, spesielt når man vet at de høye strømprisene allerede har gjort at folk sitter og fryser i dag, de som har dårlig råd,

Så om du kutter i strømforbruket to dager totalt sett og bruker 10 pst. mindre den måneden, blir likevel forbruket 90 pst. av vanlig forbruk når strømprisene er høye. Du har ikke noen incentiver til å spare. Du har ikke den andelen på Nord Pool-børsen som gjør at dette gir et utslag. Ergo: Strømkundene vil kunne få en glede av dette. Så er det noen som sier at dette ikke er treffsikkert nok fordi det faktisk kan være en fordel for andre enn for de aller fattigste. For meg er ikke det et problem. Når staten tar inn 10 milliarder kr mer i avgifter enn det man forutsatte, synes jeg vi skal gi den gevinsten tilbake også til vanlige folk, ikke bare til de fattige. Fremskrittspartiet sier at strømsektoren er

Når det blir for lite korn – brødkorn – har vi i Norge et system som Fremskrittspartiet er stor motstander av, nemlig makspris på brødkorn. Det er et system som vi heldigvis har hatt i gode og dårlige tider. Det er altså ikke lov til å ta markedspris for brødkorn når det er for lite brødkorn. Det er en begrensning som er lagt i det norske brødkornmarkedet. Hvorfor er den maksprisen lagt der? Jo, fordi en skulle verne forbrukerne og samtidig sikre stabilitet for produsentene i systemet. Når det altså er lite brødkorn på det internasjonale markedet, får vi ikke disse markedssvingningene i Norge og takk og pris for det. Vi har på det området et regulert markedsøkonomisk system fordi brødkorn er et basisgode. Det kunne være interessant å høre hvorfor ikke Fremskrittspartiet ønsker å sikre at basisgodet strøm også har slike begrensninger, slik at en får fram markedskreftenes bedrøvelighet i forhold goder og sentrale produkter som enhver forbruker trenger i situasjoner, uavhengig av sin inntekt. Det er nesten med litt fornøyelse jeg sitter og

hvorfor har ikke da Regjeringen allerede gjennomført de endringene som måtte til? Man har sittet i fire og et halvt år, og man har hatt alle rettigheter til å kunne gjøre endringer i tråd med det Lundteigen selv ønsker. Det har ikke blitt gjort. Evalueringen som Regjeringen gjennomførte og forela Stortinget i forrige periode, tilsa at systemet er ganske bra. Så skulle det ha vært gjort noen endringer – jeg skal ikke skissere dem – men Regjeringen foreslo altså ingen vesentlige endringer i systemet. Da synes jeg det er ganske merkelig at regjeringspartiene står her og sier at systemet er feil.

en betydelig regulering av sektoren. På vindkraftsiden har manglende rammebetingelser gjort at mange av de prosjektene som har blitt framlagt, ikke har blitt realisert, noe kraftbransjen også kan bekrefte. På gasskraftsiden i Midt-Norge, som blir hardest berørt, har det ligget framme fire gasskraftverkprosjekter under denne regjeringen. Tre av dem har fått avslag, og det fjerde har fått godkjennelse, men med rammebetingelser som gjør det teknologisk umulig å bygge, fordi man krever CO2-rensing ved oppstart. Da kan en ikke komme og si at det er kraftmarkedet som sådant som feiler, når det er politiske vedtak som gjør det umulig å bedre tilbudssiden i dette kraftmarkedet. Og nettopp derfor, nettopp fordi det er en politisk skapt krise vi nå opplever – som strømkundene så langt har betalt 10 milliarder kr i ekstra avgifter for – bør vi sørge for at vi gir litt av de pengene tilbake til kraftkundene, slik at vi viser en viss sympati for at de har lidd under dårlig politisk energipolitikk i fire og et halvt år.
har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Det var til representanten Lundteigen, som hadde en gjennomgang av brødprisene og tilgangen på korn og makspris. Jeg forstår det sånn at Lundteigen ønsker makspris på strøm. Da forstår jeg ikke hvorfor det ikke er foreslått gjennom årene han har sittet på Stortinget – det har han ikke gjort. I stedet for å begrense tilgangen på korn – eller strøm, som vi prater om i dag ønsker Fremskrittspartiet å øke tilgangen på strøm ved å bygge ut kraftverk. Da har vi ikke kommunistiske og sosialistiske løsninger som makspris. Det er forunderlig nå å oppleve distriktspartiet Senterpartiet, som ellers hører på alt som kommer fra Distrikts-Norge, og mener at alt som vedtas lokalt, er det beste. Nå er det sånn at de fleste kraftselskapene og nettselskapene eies av lokale aktører, og kommunestyrene omkring i dette landet er de som er med på å sette disse prisene, eller som iallfall kan gjøre noe med dem. Det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

Island er på mange måter kommet i en ulykkelig situasjon, i den forstand at islendingene selv har stemt på noen politikere som langt på vei tillot om ikke å eksperimentere, som kanskje er å ta hardt i, men som i hvert fall tillot en ekspansjon av en type næringsliv utover landets grenser, som jeg snart skal komme tilbake til. Rett før finanskrisen hadde faktisk de islandske bankene forpliktelser overfor utlendinger tilsvarende om lag ni ganger bruttonasjonalproduktet. En særegen innenlandsk boble forsterket krisen. Nå kreves det – betimelig nok – økonomisk opprydning og støtte fra det internasjonale samfunnet. Helt siden høsten 2008 har det vært Regjeringens linje å gå foran i det internasjonale samarbeidet for å stabilisere Islands økonomi. Det har det vært bred støtte for også her i Stortinget. Islendingene har på mange måter ingen bedre venn i verden enn Norge, men som jeg skal komme tilbake til, tror nok jeg og også flertallet i finanskomiteen – at islendingene er avhengig av flere venner i verden enn bare Norge i den situasjonen de nå står overfor. Det er, og har vært, en tverrpolitisk enighet om at Norge skal være solidarisk med Island i den vanskelige situasjonen landet er kommet i. Selv om islendingene selv må bære et betydelig ansvar for krisen som landet har kommet opp i, har den norske regjeringen tatt flere initiativ og vært pådrivere internasjonalt for ulike former for hjelp og vi kan ikke betale Island ut av den krisen økonomien deres er oppe i. Det viktigste nå er å få på plass grunnlaget for at IMFs styre kan behandle og godkjenne neste gjennomgang av stabiliseringsprogrammet. Det er dette islandske myndigheter er opptatt av, og det er også dette den norske regjeringen arbeider for. Bare gjennom et bredt samarbeid kan Island gjenopprette den tilliten og troverdigheten islendingene selv er avhengig av, og som islendingene selv sier er det viktigste for at de også i framtiden kan ha et næringsliv som har tillit utover de islandske grenser. De såkalte innskuddsgarantiforpliktelsene som følger av islandske filialbankers etablering i EØS-området, har vært en viktig del av diskusjonen om støtte til Island. I mange land var det dekning i filialbankene for de kravene innskyterne hadde etter garantiordningen, bl.a. gjaldt det i Tyskland og Norge. Vi husker alle de norske myndighetenes raske og tillitvekkende håndtering av bl.a. Kaupthings filial her i Norge. Når det gjelder Landsbankis filialer i Storbritannia og Nederland – de såkalte IceSave-filialene – var imidlertid situasjonen slik at kravene klart oversteg verdiene i selve filialen. For å sikre at ikke vanlige folk i Storbritannia og Nederland skulle betale for det som skjedde, gikk britiske og nederlandske myndigheter inn og forskutterte utbetalingen til innskyterne i IceSave. Det er disse utbetalingene de to landene satte fram krav om refusjon for overfor den islandske stat. Og det er her kronen på verket er, eller kjernen i problemet ligger, for det er fortsatt ikke enighet mellom de tre landene om vilkårene for tilbakebetalingen. Det er enighet om at Island skal gjøre opp for seg, islendingene selv sier det, men de er ikke enige i de betingelsene som er blitt satt, foreløpig. Jeg mener det er grunnlag for å tro at de forhandlingene som er gjenopptatt etter at islendingene selv hadde avholdt folkeavstemning om et forslag som nok mange mener var utdatert – de hadde jo allerede framforhandlet seg til et bedre forslag enn det som lå på bordet – vil føre til minnelig enighet på et eller annet tidspunkt. Det er så mange som har interesse av at både Storbritannia, Island og Nederland kan komme fram til en minnelig løsning. Norge har ikke gjort de konkrete IceSave-avtalene mellom de tre landene til en betingelse for videre utbetaling av lånet til Island. Men norske myndigheter har vært helt klare på at islendingene må følge sine internasjonale forpliktelser, bl.a. EØS-forpliktelser i henhold til innskuddsgarantidirektivet. Jeg vil avslutningsvis si at jeg har veldig stor sympati – både i offentligheten og også her i salen – for Kristelig Folkepartis prisverdige engasjement for vårt broderfolk på Island. Men her i salen – for Kristelig Folkepartis prisverdige engasjement for vårt broderfolk på Island. Men jeg vil tro at vi her i Norge kan gjøre islendingene mer en bjørnetjeneste hvis vi ensidig skulle sette i verk en masse tiltak som islendingene selv ikke har bedt om ennå. Jeg tror at Island er avhengig av en bred internasjonal støtte for det som blir foreslått. Det kommer Norge til å støtte. Hvis situasjonen skulle utvikle seg i den forstand at islendingene vil trenge mer assistanse fra Norge, er jeg helt sikker på at norske myndigheter er villige til å stille
Aller først ønsker jeg å komme med noen refleksjoner knyttet til det juridiske grunnlaget for IceSave-avtalen mellom Nederland, Storbritannia og Island. Islands tilslutning til EØS-samarbeidet på begynnelsen av 1990-tallet innebar bl.a. at islandske banker fikk anledning til å konkurrere på Det er altså ikke slik som komitélederen antyder, at det var noen uansvarlige mennesker som satte i gang noe rart borte på Island, som vi kunne få inntrykk av. Det er en avtale – EØS-avtalen – som også Norge er en del av, og norske banker ekspanderte også gjennom samarbeid med andre land i andre land. Forskjellen er at Island er et veldig lite land og har en veldig liten økonomi. Konsekvensen var at Islands tre store banker valgte for det var der kundepotensialet var størst. Av samme grunn valgte europeiske banker ikke å opprette bankfilialer på Island, for der var det ikke nok kundegrunnlag. Gjennom ekspansjon i andre land hadde de tre islandske bankene på det meste en omsetning som var ti ganger høyere enn Islands bruttonasjonalprodukt. Denne veksten skjedde både mens bankene i hovedsak var statlig eid, og etter at bankene ble privatisert på begynnelsen av 2000-tallet. Finansnæringens kollaps på Island reiser mange spørsmål. Enkelte av disse er juridisk svært kompliserte og er på mange måter upløyd juridisk mark. Det overhengende er selvfølgelig: Kan en stat stilles økonomisk til ansvar dersom deler av det private næringsliv påtar seg økonomiske forpliktelser overfor utlendinger næringslivet ikke selv er i stand til å overholde? Med andre ord: Er det virkelig slik at Island som nasjon står juridisk og økonomisk ansvarlig for tap som de private islandske bankene har pådratt seg? bygger på et slikt prinsipp, og det er nettopp dette prinsippet mange islendinger mener er galt, derav den store folkelige motstanden mot IceSave-avtalen. Det er altså ikke – igjen – slik, som komitélederen prøver å antyde, at Island gjør opp for seg. Island har ikke inngått noen forpliktelser, det er tre private banker som tidligere var offentlig eid, som har inngått forpliktelser, og det er der det juridiske dilemma er. Det at Stortinget i dag diskuterer situasjonen knyttet til Island, er av stor viktighet. Det er helt naturlig at Norge som nasjon stiller opp for våre venner på Island. For Fremskrittspartiet er det viktig å påpeke følgende: Vi er glad for at det nå er stor tverrpolitisk enighet om støtten til Island. Det muliggjør at også fremtidig støtte kan gis og gjennomføres raskt. Statsgarantien for lån fra Norges Bank til sentralbanken på Island fikk enstemmig tilslutning av Stortinget i fjor, og var et viktig vedtak. Norge som bidragsyter er helt på topp i forhold til våre naboland, og viser med dette vår vilje til å støtte Island. Innstillingen som finanskomiteen har lagt frem, er tilnærmet enstemmig, men jeg har lyst til å trekke frem følgende merknader som er av særskilt viktighet for Fremskrittspartiet, og som vi forventer at Regjeringen legger klar vekt på: «Flertallet understreker at Norge ikke har gjort de konkrete IceSave-avtalene mellom Island, Nederland og Storbritannia til en betingelse for videre utbetaling av lånet til Island.» Dette er jo på mange måter problematikken som forslaget til Kristelig Folkeparti reiser, og En slik klar uttalelse fra komiteen bekrefter at Norge er villig til å bidra – uavhengig av diskusjonen mellom Island, Storbritannia og Nederland. Videre siteres fra innstillingen: «Flertallet viser til at det viktigste nå er å få på plass grunnlaget for at IMFs styre kan behandle og godkjenne neste gjennomgang av stabiliseringsprogrammet.» Her forventer Fremskrittspartiet at Regjeringen, gjennom sin representasjon og eventuelle innflytelse i for at en slik styrebehandling kan bli gjenstand for en snarlig avklaring, og at Storbritannia og Nederland ikke bruker konflikten uenighet knyttet til IceSave til å trenere videre behandling i IMFs styrende organer. For Fremskrittspartiet er det helt avgjørende at Norge er villig til å lytte – og handle raskt – dersom Island ber om ytterligere bistand, ut over det som er gitt gjennom statsgarantien i fjor. Fremskrittspartiet mener Norge må være villig til å strekke seg langt for å bistå islendingene. Norge som nasjon – med våre finansielle muskler – skal gå i bresjen for en slik bistand, dersom Island skulle ha behov for ytterligere støtte i form av lån e.l. Men for Fremskrittspartiet er det også viktig at vi følger opp det Island selv ønsker, og ikke det vi eventuelt tror at islendingene trenger. Så kan jeg jo legge til at Fremskrittspartiets stortingsgruppe var på Island i helgen. I tillegg til å ha lava opp til knærne hadde vi møter både med dagens politikere og gårsdagens politikere. Det var tidligere statsminister Haarde, det var leder av selvstendighetspartiet i tillegg flere andre. De bekrefter det som jeg nå sier, at det store juridiske spørsmålet er hvorvidt Island står ansvarlig som nasjon for forpliktelser pådratt seg av tre privateide banker. Det stiller et veldig vanskelig spørsmål. Det har ingenting med det som lederen av komiteen antydet, at Island gjør opp for seg. Island er i denne sammenhengen ingen enhet, og det er Islands argumentasjon.
bare komme med noen kommentarer. Jeg tror ikke jeg skal blande meg så mye opp i verken diskusjonen om islandske politikeres dugelighet eller den juridiske betraktningen. Det jeg i og for seg konstaterer, er at Island ønsker å komme til en avtale selv, de har ikke egentlig bedt om det som ligger i forslaget fra Kristelig Folkeparti. Det tror jeg, som også saksordføreren sa, er uhyre viktig. Island trenger flere venner enn bare Norge, selv om Norge selvfølgelig stiller seg solidarisk med det som har skjedd der oppe, og ønsker å bidra til å finne løsninger. Derfor er vi så langt fornøyd med det Regjeringen har gjort. Jeg noterer meg også at utenriksministeren kommenterte det i sin redegjørelse i dag, og at situasjonen åpenbart følges nøye. Det er viktig for Høyre også at man skiller det som er IMFs rolle og betingelsene for at stabiliseringsprogrammet skal gjennomføres. Det har vi fått forsikringer fra Regjeringen om, så der er vi fornøyd. Jeg tror også det er litt viktig å understreke at Island ikke er noe utviklingsland. Island er et uhyre velutviklet samfunn med en meget sterk verdiskaping og arbeidsevne. Islendingene jobber hardt, og ifølge brevet finansministeren har sendt komiteen, og også andre beregninger jeg har sett, kommer ikke gjeldsbelastningen til Island, selv etter at man har fått ordnet opp med IceSave, til å være avskrekkende i forhold til hva mange andre land har. Så det er viktig å sette dette litt i perspektiv. Jeg tror Island selv ønsker å rydde opp, det skal vi lytte til, og så skal vi bidra når IMF mener det er riktig å gå neste steg i stabiliseringsprogrammet.
Den internasjonale finanskrisen var bare anledningen som førte til krisen på Island. Den egentlige grunnen var en nyliberalistisk politikk inspirert av Reagan og Thatcher. Forhåpentligvis vil Islands erfaringer nå være et eksempel til advarsel for alle. Nyliberalismen og nyliberalistisk politikk har klart og tydelig spilt Islands økonomi var dominert av tre store banker, Glitnir, Landsbanki og Kaupthing og 10–12 islandske finansielle forretningsfolk som gjennom de siste ti årene før krisen bygde opp omfattende forretningsimperier. Bankene og forretningsfolkene var vevd tett sammen gjennom gjensidige lån og investeringer, som ble kalt for det islandske brorskap. voldsom økonomisk ekspansjon var basert på massiv låntaking i utlandet. Det gikk bra så lenge kredittmulighetene var rikelige og renta lav. Med sammenbruddet i USA brøt også den islandske pyramideøkonomien sammen. Det ble lagt til rette for den økonomiske politikken da det i 1995 kom en ren borgerlig regjering til makten i Island under statsminister David Oddsson fra Med erklært forbilde hos Reagan og Thatcher iverksatte han en rendyrket liberalistisk økonomisk politikk med massive privatiseringer, nedskjæringer av offentlig sektor og total liberalisering av næringsliv og bankvesen. Finanskapitalen fikk makten i Island og dikterte politikken, og med det nye totale frihetsrommet begynte oppbyggingen av det som ble kalt «den nordatlantiske tigerøkonomien». Problemet var bare at ekspansjonen var basert på overdreven og hasardiøs låntaking, og man bygde opp himmelhøye finansielle korthus som var ekstremt sårbare. Det gikk som det måtte gå: Bankvesenet gikk over ende, renta har steget, og en ny regjering sliter nå med å rydde opp. Mange mennesker er rammet tungt av krisen, og jeg skjønner godt deres raseri og avmaktsfølelse når de rydder opp etter spekulantkapitalistene og de politikerne som jeg skjønner at Fremskrittspartiet har besøkt på Island i helgen. Island garanterte fullt ut for de islandske innbyggernes innskudd da Landsbanki gikk over ende, og nå står regjeringen på løftet om også å påta seg forpliktelser overfor IceSaves utenlandske kunder. Men det har, som kjent, vært stor strid om betingelsene. Islands økonomiske problemer handler om mer enn IceSave. Først og fremst handler det om at tilliten til islandsk økonomi må gjenreises. Derfor har Island framforhandlet et stabiliseringsprogram sammen med Det internasjonale pengefondet. Denne avtalen innebærer også et visst skifte i IMFs politikk ved at det nå ikke stilles krav om reduksjon i offentlige tjenester og økt privatisering, men tvert imot stilles krav om økt politisk kontroll med spekulasjoner og pengetransaksjoner. Det er viktig for Island at landet får godkjentstempel ved IMFs gjennomgang av Etter SVs mening er det ingen grunn til at landet ikke skulle få et slikt godkjentstempel. Norge har arbeidet for dette i IMF. Norges posisjon er at annen transje av lån til Island nå bør kunne utbetales fordi Island har vist at de står ved sine forpliktelser. Det er mye viktigere for Island å få godkjentstempel og lån fra IMF enn at Norge hjelper landet alene. Nederland og særlig Storbritannia har oppført seg brutalt mot Island. Det er all grunn til å støtte Island i bestrebelsene for å få en bedre IceSave-avtale. Det kan være grunn til å frykte at EU vil sørge for at IMF-godkjenningen blir utsatt for å fungere som et press for at Island skal godta Det vil etter min mening være en ny situasjon som Norges regjering og Islands regjering da må forholde seg til, hvis vi må konstatere at en slik situasjon har oppstått. Som nordiske brødre har vi hatt nær kontakt med Island og har gitt den hjelpen de ber om, og det bør vi fortsatt gjøre. Island har ønsket en bred økonomisk hjelpepakke, og Norge bør bruke sin internasjonale innflytelse til å bidra til det. Så må vi samtidig lære av Island og bidra til å bekjempe nyliberalistisk økonomisk politikk og demme opp for skadevirkningene av denne, både i Norge, i Island og i alle andre
Senterpartiets stortingsgruppe har hatt et sterkt engasjement for å bistå islendingene i en sak som viser at vi trenger en ny internasjonal rett. Garantiordningene for innskudd var ikke og er ikke lagd for en slik kollaps som skjedde på Island. Kritikerne av den frie kapitalbevegelsen som enkelte hyllet sterkt, framhevet risikoen for en slik kollaps, men det ble ikke satt inn nødvendige mottiltak mot det. I Klassekampen 28. januar 2010 skrev jeg bl.a.: «Norge kan ikke stå som passive tilskuere til islendingenes nød. Vi må strekke ut handa – og bør vise tydelig hvor vi står i en situasjon hvor det islandske folk blir forsøkt tvunget til løsninger uten at forpliktelsene er avklart gjennom internasjonal tvisteløsning.» Forslaget fra Kristelig Folkeparti som vi nå behandler, ble fremmet før den islandske folkeavstemninga. Ved folkeavstemninga den 6. mars, da jeg var til stede på Island og opplevde det bisarre resultatet at bare av dem som stemte, gikk inn for avtalen, så vi altså hvordan det gikk. Det var i en situasjon hvor statsministeren og finansministeren, som også er partiledere for de to regjeringspartiene, ikke stemte. De stemte ikke for avtalen. Det er jo rimelig spesielt, men kan dog forklares, for når den islandske presidenten sa nei til Alltingets flertallsvedtak om å gå for avtalen, førte det til nye forhandlinger om en bedre løsning. Avtalen var for dårlig, man var for dårlig forberedt, og det var også for dårlig internasjonal støtte. Etter at den islandske presidenten intervenerte, har jo Island fått større internasjonal støtte. Det er gledelig at den også er kommet fra Norge. Men den kanskje viktigste støtten er var at ved et slikt nederlag ved folkeavstemninga ble den politiske krisen på Island forsterket. Men det førte til noe godt, ved at opposisjonen ble trukket mer aktivt med i forhandlingene. Både Selvstendighetspartiets leder og lederen for det islandske «Senterpartiet», Framsóknarflokkurinn, er jo nå trukket inn i forhandlingene i referansegrupper. Etter den 6. mars har det skjedd lite i forhandlingene om IceSave, altså forhandlingene mellom Island på den ene sida og Storbritannia og Nederland på den andre sida. Men det som nå skjer, er at det er en langt mer profesjonell opptreden fra islandsk side. Det, kombinert med større internasjonal støtte, gjør at det er forhåpninger om at det kan bli en avtale som i større grad tar stilling til de forpliktelser som den islandske stat har kommet i. Vi får altså en forsmak på noe som bør kunne bli en ny rett i slike situasjoner. Det som jo er hovedpoenget for Island, i tillegg til at de skal betale for sine forpliktelser, er jo å stabilisere økonomien, da først og fremst kronekursen. Det som står i innstillinga, er gledelig. Det står der, avslutningsvis: «Denne pakken er etter flertallets syn ikke koblet til utfallet av Icesave-forhandlingene, så lenge betingelsene oppfylles etter det programmet som er avtalt med IMF, herunder at Island honorerer sine EØS-forpliktelser. Flertallet viser til at den islandske regjeringen veldig klart sier at betingelsene oppfylles, og mener derfor Norge bør være åpne for å diskutere dette programmet i IMF.» Det er viktig. Så står det også i innstillinga, som flertallet står bak: «Flertallet vil understreke at dersom det kommer andre forespørsler fra Island om støtte, vil Norge selvsagt diskutere dette.» Island har fortsatt et svært høyt rentenivå. Det høye rentenivået på Island er et av de store problemene for næringslivet på Island, for det medvirker til at det blir for lite interessant å investere. Samtidig har Island fortsatt kapitalkontroll i forhold til utlandet. Det er etter vår vurdering viktig at det blir videreført, slik at en derigjennom kan beholde det instrumentet, slik at det er lettere å redusere rentenivået. Det er interessant at på Island har en kunnet devaluere sin valuta og dermed få økt konkurransekraft og dermed øke eksporten. Det er viktig for at islendingene skal komme ut av dette, altså ved at en får høyere eksport enn import, for det er den verdiskapingen som skal betale de forpliktelsene de er kommet inn
La meg først ta opp forslaget fra Kristelig Folkeparti som står i innstillingen. For det første har jeg lyst til å si at jeg er glad for den utviklingen saken har fått på norsk hold siden forslaget ble lagt fram. Jeg er meget tilfreds med at at man er beredt til å gi lån til Island uavhengig av IceSave-avtalens skjebne. Det er viktig å få på plass. Det har ikke alltid vært like klart om det har vært tilfellet. Jeg ser av ABC Nyheter i februar at da SVs partigruppe behandlet denne saken, ble det sagt at Norge hadde endret holdning, slik at forutsetningene om en IceSave-avtale ikke lenger sto ved lag. På spørsmål fra journalisten om ikke dette var en ny holdning, svarte finanspolitisk talsmann det syns jeg og. Derfor måtte jeg spørre to ganger om dette var offisiell holdning.» Egeland ville ikke offentliggjøre hvem fra Regjeringen som informerte stortingsgruppen om dette. Med andre ord er det klart at uklarheten knyttet til om det ble satt betingelser om at IceSave-avtalen skulle gjennomføres før det ble snakk om lån via IMF, i har vært langt inne i regjeringspartienes stortingsgrupper. Derfor blir det litt spesielt, synes jeg, å late som om det ikke har vært et diskusjonstema. Men la meg nå legge det til side og si at jeg er veldig glad for at det ikke lenger er noen uklarhet om at en slik forutsetning ikke stilles fra norsk hold. Så gjelder det hva som nå skjer. Det er helt klart at det var en blodavtale Storbritannia og Nederland presset Island til før jul i en utrolig vanskelig situasjon for Island på det tidspunktet da de var helt avhengige av, for å få noenlunde stabilitet, å gå med på nesten hva det skulle være. Mange har stilt spørsmål om det juridiske rundt dette, både på Island og andre steder. Det skal jeg for så vidt la ligge, bare konstatere at det nå er forhandlinger på gang. Det som er det viktige spørsmålet nå, er om IMF blir brukt i et spill hvor Storbritannia og Nederland bruker IMF til å tyne Island. Det har jeg en sterk følelse av skjer, selv om man ikke helt har klart å få dette på bordet. Men gjennom sine sterke posisjoner og som medlemmer av EU kan vi ikke se bort fra at det er dette som er i ferd med å skje. Det er i en slik situasjon, hvis alt låser seg på grunn av Nederland og Storbritannias holdninger, som da også blir førende for IMF og flertallet der, vi håper og tror at Norge ved en eventuell forespørsel er villig til å stille opp med kreditt overfor Island. Og vi snakker altså ikke om almisser, vi snakker om lån på alminnelige vilkår. Tiden vil vise hva som blir resultatet av de pågående forhandlinger. Vi kan i hvert fall konstatere at selv Nederland og Storbritannia må ha innsett at de vilkårene de fikk framforhandlet i første omgang, var totalt urimelige, ellers ville de vel ikke ha gått med på å revurdere sine posisjoner slik de nå er. Jeg er glad for at i hvert fall flertallet her ikke låser seg til å forutsette at alt må skje gjennom IMF, men – hvis det skulle vise seg å bli en stengt dør at det er åpning også for andre muligheter. Jeg vil bare si til slutt, siden det ble sagt at Island ikke har meddelt seg i denne saken: Den 5. mars sa statsminister Sigurdardottir: «Vi ser det som veldig uberettiget å koble løsning av Icesave til å utbetale lån fra Det internasjonale valutafondet IMF og fra de nordiske landene.» Og hun sa videre at det «ville vært veldig viktig» for Island at de skandinaviske landene utbetalte kriselån til Island før IceSave-striden var løst. Så dette er et tema også på høyeste hold på Island. Representanten Hans Olav Syversen har tatt opp det forslaget han refererte til. Jeg viser til det brevet jeg har sendt finanskomiteen om saken, og at det helt siden den islandske finanssektoren brøt i sammen i 2008, har vært Regjeringens linje å gå foran i det internasjonale samarbeidet for å støtte Island. Det er også slik at Norges rolle i så måte har blitt verdsatt av den islandske Den norske regjeringen har ikke gjort de konkrete IceSave-avtalene mellom Island, Nederland og Storbritannia til en betingelse for videre utbetaling av det norske lånet til Island. Det som imidlertid er en betingelse, er at styret i Det internasjonale pengefondet, altså medlemslandene i IMF, godkjenner neste gjennomgang av Islands stabiliseringsprogram, og at Island står ved sine EØS-forpliktelser, noe den islandske regjeringen ved flere anledninger har understreket at Island gjør. Disse betingelsene er felles for de nordiske lånene. Både statsministeren, utenriksministeren og jeg har vært i god kontakt med våre islandske kollegaer under Vi har understreket at Norge står ved sine forpliktelser overfor Island, og at vi stoler på den islandske regjeringens forsikringer om at Island vil overholde sine internasjonale forpliktelser. Derfor har vi også sagt at vi håper den nye situasjonen ikke vil føre til ytterligere forsinkelse i stabiliseringsprogrammet. Vi har gitt de øvrige nordiske land og det nordisk-baltiske styremedlemmet i Pengefondet at Norge ønsker styrebehandling av framdriften for Islands stabiliseringsprogram så raskt som mulig, og at Norge vil støtte en godkjennelse. Det er administrasjonen i Pengefondet som må beslutte når det er hensiktsmessig å gjennomføre neste styrebehandling. Både IMF og Island er avhengige av støtten fra det internasjonale samfunnet for å gå videre. vil støtte fra de europeiske land spille en særlig rolle. Selv om det ikke er noen formelle forbindelseslinjer mellom IMF-programmet og IceSave, ser det ut til at håndteringen av IceSave også vil være av betydning for å oppnå slik støtte. Jeg registrerer at det etter presidentens nei har oppstått en ny usikkerhet i andre europeiske land om Islands vilje til å oppfylle sine forpliktelser når det gjelder innskuddsgarantier i henhold til Island trenger å dempe den usikkerheten for å sikre seg tilstrekkelig internasjonal støtte. Jeg er enig med representanten Syversen i at det vil være uakseptabelt om Nederland og Storbritannia bruker IMF som en brekkstang for å få Island til å påta seg større byrder enn det landet er forpliktet til. Vi har imidlertid ikke noe grunnlag for å si om dette er tilfellet. Samtidig er det viktig ikke å så tvil om at ikke minst av både Island og Norge, som EØS- og EFTA-land. Jeg legger stor vekt på at støtten til Island skjer innenfor et internasjonalt samarbeid, og at de nordiske landene står sammen i så måte. Gjennom et slikt samarbeid får Norges støtte størst effekt. Dette er også understreket i der en behandlet garanti for lån fra Norges Bank til den islandske Sedlabanki, som den heter. Så vil jeg til slutt minne om at Island er et velutviklet og velstående land, med et bruttonasjonalprodukt pr. innbygger som ligger over gjennomsnittet i og sammenbruddet i det islandske bankvesenet. Islands økonomi er dynamisk, og konkurranseevnen er god. Islendinger har også ord på seg for å være arbeidsomme – og flinke til å holde orden i og rette opp økonomien når det kreves. De har i tillegg overskudd på handelsbalansen med utlandet. Arbeidsledigheten i 4. kvartal i fjor var på om lag I så måte ligger Island under det som er gjennomsnittet i Europa, der Norge er et av de få landene som ligger lavere, mens f.eks. både Finland, Storbritannia og Sverige ligger høyere enn dette. Det blir replikkordskifte. Jeg merker meg at finansministeren understreker at Norge står ved sine forpliktelser, og at han sier at støtten inngår i et internasjonalt samarbeid. Alt dette er

Vi føler et helt spesielt ansvar overfor et land som inngår i den nordiske familien, og ønsker å støtte Island litt utover det som er vanlig i en situasjon der et land har kommet opp i et uføre, slik Island har. Så spørsmålet mitt er: Hva gjør vi mer enn å stå ved våre forpliktelser og inngå i et internasjonalt samarbeid? Etter mitt syn vil fortsatt den beste løsningen for enn å stå ved våre forpliktelser og inngå i et internasjonalt samarbeid? Etter mitt syn vil fortsatt den beste løsningen for Island være å få fullført IMF-programmet. Så vil jeg si til representanten Myhre at vi også har hatt – som jeg også viste til i innlegget mitt – god kontakt med våre kollegaer på Island i hele denne fasen, og vi har vært villige til å bidra, sammen med andre land, i en fase av IceSave-forhandlingene. Dersom Island selv hadde ønsket det, hadde vi vært villige til å stille opp, men jeg kan ikke gå mer i detalj på hva det i så fall ville innebære, men jeg kan forsikre om at vi har vært villige til å stille opp for Island, men det må i tilfelle være Island selv som må komme med en konkret henvendelse til Norge om det. Jeg er enig med

så arbeidsom du vil, men når du har forpliktelser og ikke har penger til å betale dem med fordi det er stopp i lånetilførselen, hjelper det jo svært lite. Jeg vil nå bare få bekreftet at Regjeringen, i en gitt situasjon – dersom det låser seg helt i forholdet mellom Island og IMF, kanskje fordi Nederland og Storbritannia bruker det som brekkstang – er Norges posisjon at man selvfølgelig vil vurdere å
Jeg vil bare vise til svaret på den forrige replikken. I tillegg vil jeg også opplyse om at den islandske statsministeren har tatt opp med vår statsminister muligheten for at Norge kan utbetale sin del av lånet, selv om det skulle bli en utsettelse i IMFs behandling. Dette har vår statsminister tatt til etterretning, men samtidig understreker vi at det norske lånet er en del av et felles nordisk bidrag innenfor rammen av IMF. Jeg vil understreke det jeg sa i sted, at i denne fasen vil vi gjøre det vi kan for at låneprogrammet blir satt på dagsordenen i IMF, og at de nordiske lands bidrag i så måte kan gjennomføres etter den planen som ligger der.

som de nå har fått, og som de har fått den første utbetalingen fra. Det er viktig at vi gjør det vi kan for at det kan gå videre. Islendingene sier selv at de vil overholde sine internasjonale forpliktelser. Blant disse er altså å ikke forskjellsbehandle innskytere i Island og andre land når det gjelder innskuddsgarantien. Det er en del av forpliktelsene de Kristelig Folkeparti sier i innstillingen at det kan virke som om Storbritannia og Nederland bruker sin makt til å få Island til å måtte betale mer enn det som er rimelig. Representanten Syversen brukte vel uttrykket «blodavtale» i sitt innlegg, hvis jeg hørte riktig. Men hva er det Kristelig Folkeparti mener er rimelig at Island skal dekke? Finnes det noe annet utgangspunkt Den summen det er snakk om – det er vel 30 milliarder norske kr – vil jo også bli – noen mener til dels kraftig – redusert når man har gjort opp verdiene i boet, som vil dekke, noen mener kanskje opptil 80 pst. av den summen, noe som vil bety en betydelig lettelse i den belastning som avtalen Nå har statsråden forsikret om at hvis man kommer i en situasjon der man ikke kommer videre med lånepakken, vil Norge vurdere om vi kan bidra med vår andel alene, eller i forkant av at dette kommer i gang igjen. Jeg tror vi også må ha i bakhodet at hvis Norge skulle være den eneste som bisto med lån, ville vi måttet påta oss den forpliktelsen som ligger i å sørge for at Island følger stabiliseringsprogrammet – det som IMF gjør. Jeg er ikke sikker på om det hadde vært en like behagelig oppgave overfor dem vi betrakter som et broderfolk og gode venner i Norden. Det er en uhyre vanskelig situasjon på Island. Den ble ikke bedre etter at presidenten nedla veto og saken ble sendt til folkeavstemning. Jeg vet ikke om det er det beste bidraget at vi nå forespeiler islendingene andre løsninger som kan høres lettere ut i den situasjonen den islandske regjeringen står i. De har – jeg hadde nær sagt – kanskje nok med sin egen president i så måte. I 1864 ble Danmark angrepet av Østerrike og to av Europas stormakter. I et storpolitisk spill ble Danmark offeret og hadde selvfølgelig ingen sjanse til å forsvare seg mot ble Henrik Ibsen rasende og skrev diktet «En broder i nød». Sverige og Norge kjente ingen forpliktelser til å hjelpe Danmark. De hadde ikke skrevet under noen avtaler om å gjøre det, og forholdt seg derfor i ro mens danskene forsvarte seg fortvilet mot overmakten. Men hvis Ibsen hadde levd i dag, ville han ha skrevet «En broder i nød Vi har å gjøre med et nordisk naboland som er i nød. De har kommet opp i en situasjon som var helt uforutsigbar, og som i dag gjør at Island ikke har noen synbar vei ut av miseren. Når det fra norske myndigheter sies at vi står ved våre forpliktelser, og at den støtten vi eventuelt skal gi, inngår i et internasjonalt samarbeid, er ikke det nok. Vi burde kjenne et sterkere ansvar i og med at det dreier seg om det landet som kanskje står aller nærmest Norge historisk, og sågar geografisk. Svært mange mennesker i Norge krever at Norge strekker seg litt lenger enn vi hadde gjort om dette hadde dreid seg om et hvilket som helst annet land i hele verden, og det bør Regjeringen merke seg. Presidenten er faktisk i tvil om sammenligningen med et militært angrep på Danmark er parlamentarisk relevant i denne sammenhengen, men lar det passere.
Finansministeren sa til meg på vei opp at diktet hadde en relevans, og det støtter jeg meg til i hvert fall! Jeg synes det var et kraftfullt innlegg av representanten Jeg har lyst til å kommentere Svein Roald Hansens spørsmål: Hva er det vi egentlig mener med urimelige vilkår eller blodpenger, som jeg sa. Det er ikke det at man ikke skal sørge for å gjøre opp for seg overfor innskytere. Poenget er at Nederland og Storbritannia jo har gjort opp overfor disse innskyterne, og de vil ha pengene tilbake fra Island. Det vil de ha på betingelser som er helt urimelige, med en rentesats som er helt urimelig pluss, pluss. Jeg må si jeg er litt overrasket over spørsmålet. Hvis det er slik at Arbeiderpartiets talspersoner her mener at den opprinnelige avtalen, som ble inngått mellom Island og Storbritannia og Nederland, er rimelig, går man snart lenger enn Nederland og Storbritannia selv, som har gått med på å justere sine posisjoner. Jeg må si at jeg også hører at Norge skal stå ved sine forpliktelser. Jeg må si at jeg framover er spent på hva det i praksis vil bety. Vil det bety at man ikke motarbeider en løsning? Det er det minste. Spørsmålet er i hvilken grad man vil være en pådriver for å få til en løsning innenfor IMF. Jeg velger å tolke finansministeren positivt. Jeg har også lyst til å minne om hva statsminister Sigurdardottir i Island sa for kort tid siden om denne forsinkelsen som nå oppstår: «Denne forsinkelsen bremser vår økonomiske gjenoppbygging og ødelegger vår kredittverdighet.» Jeg håper at vi ikke bare viser våre – hva skal vi si – vyer for det nordiske samarbeidet i festtaler, men også viser det i praksis. Inntil det motsatte er bevist, regner jeg med at også Regjeringen arbeider etter de linjer. Jeg har bare en liten kommentar. Jeg ser av innstillingen at det er en særmerknad fra Fremskrittspartiet som har falt ut. Det var representanten Syversen som gjorde meg oppmerksom på det. Nå husker ikke jeg den ordrett, men jeg vil likevel gjerne gjøre salen og presidenten oppmerksom på at det skal en særmerknad fra Fremskrittspartiet inn i innstillingen.

Statsråden bør i dag besvare spørsmålet om han syns dette stortingsvedtaket blir fulgt opp. Svaret ligger nok snublende nær, for slik er det dessverre ikke blitt. Denne regjeringen har stort sett anvendt avkastningen til nye driftstiltak, som hindrer prioritering av de nevnte tre formålene. Samferdselsinvesteringene er nå på et historisk lavmål, målt som prosent av BNP eller prosent av statsbudsjettet med knappe 2 pst. Regjeringen hevder at vedtatt Nasjonal transportplan betyr en storsatsing på veg og bane. I kroner og øre er dette riktig, men samtidig er det ingen regjering som har bevilget mindre til samferdsel i nominelle kroner enn foregående regjering. I reell kroneverdi får vi imidlertid såpass mye mindre for pengene nå enn for fire år siden at vi sannsynligvis også nå har en reell tilbakegang. Av samme grunn har jo også bompengefinansiering nådd et historisk høyt nivå og blitt større enn statens eget bidrag til investeringer i vegnettet. I årets budsjett er Regjeringen skyhøyt over i handlingsregelen, så også i unntaksåret 2009. Utfordringen er jo å få pengebruken ned på et akseptabelt nivå i tråd med handlingsregelen. Dette er Høyre helt enig i. Samtidig er det viktig at kuttene blir tatt på de rette stedene. Da er vi bekymret for at avisene stadig refererer regjeringskilder som sier at samferdsel nå må nedprioriteres. Høyre mener at finansministeren må børste støvet av handlingsregelens forutsetninger, som hans parti var med på å vedta i sin tid. Dernest gjelder det å finne fram til smarte og framtidsrettede løsninger, som ny prosjektorganisering og nye finansieringsmodeller. Høyre anbefaler en utstrakt bruk av offentlig-private samarbeidsmodeller og har mange konkrete forslag til gryteklare veg- og baneprosjekter. I dag ser vi et enormt etterslep på norsk veg og bane. Høyre foreslår fondsløsninger med avkastning avsatt til å ta igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet vi har opparbeidet oss på veg og bane. Vil finansministeren ta i bruk slike nye virkemidler? Jeg er spent på svaret, men det er også store deler av norsk næringsliv og alle organisasjonene som arbeider med trafikkopplysning og sikkerhet på vegene våre. Også statlige etater som Statens vegvesen og Jernbaneverket har bedt om dette og om Regjeringens vilje til å tenke nytt og ta i bruk vellykkede løsninger som anvendes i de fleste andre land. meg et par sitater fra en utmerket kronikk av en ikke ukjent finansminister og hans tidligere regjeringskollega Matz Sandman: «bevilgningssystemet i statsbudsjettet bygger på årlige budsjetter og kontantprinsippet, derfor blir konkurransen om de «frie midlene» innenfor en ansvarlig budsjettramme meget hard. Det er disse midlene hardt tiltrengte samferdselsinvesteringer må kjempe om.» Og de fortsetter: «Tiden er derfor overmoden for å tenke nytt når det gjelder samfunnets behov for investeringer i infrastruktur.» Bedre kan det knapt sies. Høyre støtter disse tankene fullt ut og har nedfelt 23 handlingspunkter i vår alternative transportplan, som vi har kalt «Raskere frem – sikkert hjem». Høyre så i fjor at NTP-opplegget manglet noe som helst av sårt tiltrengte reformer, og at det ikke viste noen vilje til nytenkning innenfor samferdselssektoren. Og vi var ikke alene. Her står jeg med et dokument kalt «Nasjonalt løft for jernbane og veg. Modeller for langsiktighet og mer effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter». Dokumentet er et innspill til NTP fra Østlandssamarbeidet. I Østlandssamarbeidet samarbeider åtte fylkeskommuner, og de bygger på prinsippene i den kronikken jeg nettopp refererte fra. Kronikken var for øvrig skrevet et halvt år før dette dokumentet ble utgitt. Dokumentet oppsummeres med begrepet «de syv søstre». Dette er syv tiltak som foreslås for å modernisere norsk samferdsel og for å bringe oss i takt med land vi naturlig sammenligner oss med. «De syv søstre»-begrepet ble brukt fordi disse tiltakene kan innføres hver for seg, eller i samvirke med hverandre, som det heter i dokumentet. Jeg nevner disse kjapt fra dokumentet: flerårig budsjettvedtak, periodiseringsprinsippet, altså avskrivning, infrastrukturfond, lånefinansiering, Offentlig Privat Samarbeid, fristilling av Statens vegvesen og Jernbaneverket, og sist, men ikke minst, organisering av investeringsprosjekter i egne selskaper. Alt dette, og mer til, vil man også finne i Høyres alternative transportplan. Det er denne tenkningen til tidligere finansminister Johnsen, en fylkesrådmann med bakgrunn som arbeiderpartistatsråd og flere fylkesordførere fra Arbeiderpartiet, ja også fra andre partier, selvfølgelig, som vi vil fokusere på. Jeg aner en veritabel bølge, nærmest en tsunami av krav om å tenke nytt og modernisere. Men intet skjer. Jeg vet at dagens finansminister Johnsen har blitt konfrontert med dette tidligere, og at han på sitt sjarmerende vis sa at «dette var før og itte nå», altså dette var fra tiden før han kom inn i Regjeringen. Da spør jeg: Hvorfor er det slik? Er det slik at det er embetsverket i Finansdepartementet som styrer den politiske nytenkningen? Er det ikke nettopp finansministerens kloke og nøkterne analyse for bare to år tilbake som bør legges til grunn i Regjeringens reformer? Eller kan det være slik at viktige moderniseringstiltak stoppes på et ideologisk grunnlag og uenighet i Regjeringen, hvor Regjeringens venstreside får dominere? I så fall er det en svært kostbar ideologisk uenighet for samfunnet og et syn som bare et lite mindretall i denne sal deler. Norsk samferdselssektor taper nå åtte år på manglende gjennomføring av viktige moderniseringstiltak. Dette setter oss langt tilbake. Høyre støttet mange av strukturreformene arbeiderpartiregjeringene gjennomførte på 1990-tallet: Televerket, NSB, Luftfartsverket, Posten og Gardermoen-utbyggingen. Vi i Høyre ville den gang riktignok gå lenger og øke moderniseringstempoet, men fra den sittende regjeringen har det altså ikke kommet et eneste moderniserings- eller nyorganiseringsframstøt innenfor en så viktig sektor som samferdsel. Med finanskrisen og en anstrengt budsjettsituasjon blir følgende spørsmål enda viktigere: Er det de statiske, reaksjonære kreftene innenfor Regjeringen som stanser nytenkning og modernisering, eller er det statsrådens embetsverk? Uansett: En finansminister med stor tillit, også utenfor Regjeringen, burde ha alle muligheter til å skjære igjennom i denne ulykksalige situasjonen. Er han villig til det? Jeg kan love ham full støtte fra

den formelle handlingsregelen. Vi har hatt en handlingsregel tidligere også, men det skal jeg ikke komme inn på nå. Stortingets flertall sluttet seg da til retningslinjene for bruk av oljepenger framover. Hovedpoenget var at en skulle fase oljeinntektene gradvis inn i økonomien, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, som det heter i dag. I den stortingsmeldingen og i innstillingen fra finanskomiteen ble det pekt på at det handlingsrommet som følger av økt oljepengebruk, bør anvendes på en måte som også øker vekstkraften i norsk økonomi. Infrastruktur, forskning og skatte- og avgiftsreduksjoner ble nevnt i den sammenhengen. Det er ingen tvil om at investeringer i infrastruktur kan, dersom de innrettes fornuftig, bidra til å øke vekstevnen i økonomien. Det er imidlertid ikke slik at det bare er samferdselsinvesteringer som bidrar til å øke landets inntekter og velferd i framtiden. Mange av de formål vi bevilger penger til over statsbudsjettet, har den samme virkningen. Det gjelder f.eks. utgifter til utdanning, forskning, helsetjenester – til i barnehager er viktig for framtidens arbeidskraft. Det betyr at bevilgninger til samferdsel og infrastruktur må vurderes på samme måte som bevilgninger til alle andre gode formål på statsbudsjettet. De må også vurderes på grunnlag av deres bidrag til å fremme samfunnets interesser på stutt og lang sikt. Å utarbeide et statsbudsjett er å velge mellom ulike formål. Stortinget har gjennom sitt bevilgningsreglement sagt at det er noen prinsipper som skal ligge til grunn for utarbeidelsen av statsbudsjettet. Det innebærer at alle statens utgifter og inntekter skal inngå i statsbudsjettet, slik at både storting og regjering får et best mulig grunnlag for å foreta sine vurderinger. Det er fra mange hold kommet innspill om at en skal fravike det såkalte kontantprinsippet, og at årlige budsjettvedtak forhindrer at investeringer kan gjennomføres med rasjonell framdrift. Det er ikke riktig. For innenfor dagens budsjettsystem kan Stortinget vedta større utbyggingsprosjekter gjennom å godkjenne en kostnadsramme for prosjektet og gi departementet fullmakt til å inngå kontrakter som forplikter staten utover det kan Stortinget vedta større utbyggingsprosjekter gjennom å godkjenne en kostnadsramme for prosjektet og gi departementet fullmakt til å inngå kontrakter som forplikter staten utover det første budsjettåret. Denne muligheten brukes også i praksis. For å nevne et eksempel – riktignok ikke innenfor vegsektoren: Årlige budsjettvedtak og kontantprinsippet sto ikke på noen måte i vegen for at operahuset i Bjørvika kunne bygges med en rasjonell framdrift. Slik er det også for investeringer i både jernbane og veg. Kritikken av budsjettsystemet er, slik jeg ser det, ikke en påvisning av en feil i systemet, men egentlig ønsker om mer penger til bestemte formål. Det er helt i orden, men debatten kunne blitt mer oversiktlig, etter mitt syn, om en kunne enes om at dette dreier seg om prioritering, om hvor mye en ønsker å bruke, ikke selve budsjettsystemet. Gjennom Nasjonal transportplan 2010–2019 har Regjeringen tatt grep for å skjerme noen prioriterte prosjekter ved å prosjektfinansiere dem på egne poster. Det gjelder E6 vest for Alta, E16 over Filefjell og nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Formålet med å skille ut enkeltprosjekter på egne poster er å gi Statens vegvesen og Jernbaneverket økt mulighet til å se utbygging av hele strekninger i sammenheng, slik at man kan sikre en mest mulig effektiv utbygging. Samtidig er det slik at vedlikehold av infrastrukturen kan være en vel så lønnsom bruk av ressurser som nyinvesteringer. Vi har de siste årene sett en nødvendig vridning av samferdselsbudsjettet mot vedlikehold. Dette blir videreført i transportplanen. For å si det med et glimt i øyet: Den som har nok penger i banken, trenger ikke å kjøpe på avbetaling. For uansett hvor fristende avbetaling kan være i en tidlig fase, blir det alltid dyrere enn det ser ut til. Det representanten Halleraker egentlig spør om, er om jeg er villig til å ta i bruk alternative finansieringsmodeller for å unngå kutt i vedtatte planer. Jeg vet ikke om det er slik, men det ser på en måte ut til at Høyre ønsker å finne måter for å omgå handlingsreglen, som en i andre sammenhenger er en veldig sterk forsvarer av. Norge har egentlig ikke noe behov for å finansiere store utbygginger med lån som betjenes med framtidige bevilgninger over statsbudsjettet, og lånefinansiering av store samferdselsprosjekter skaffer oss ikke noe økt realøkonomisk handlingsrom. Privat lånefinansiering kan til og med bidra til å øke kostnadene ved samferdselsprosjekter, siden slik finansiering ofte kan være dyrere enn statens egen finansieringskostnad, nettopp fordi den norske staten er noe av det mest kredittverdige som fins. I St.prp. nr. 1 for 2006–2007 drøftet Regjeringen spørsmålet om hvorvidt gjeldende budsjettpolitikk bør legges om slik at langsiktige investeringer i realkapital prioriteres framfor øvrige utgifter på statsbudsjettet. Jeg satt ikke i den regjeringen, men jeg har lest om det. Etter en samlet vurdering kom regjeringen fram til at det ikke var ønskelig å innføre slike ordninger. Det ble i den forbindelse lagt vekt på at mange formål som finansieres over statsbudsjettet, kan bidra til å øke framtidig velferd og produksjonsevne i økonomien – som jeg tidligere har nevnt: utgifter til utdanning, forskning mv. Regjeringen konkluderte også med at investeringer i veg og jernbane fortsatt skal bevilges etter gjeldende budsjetteringsprinsipper, og at det således ikke skal etableres egne ordninger med lånefinansiering. Dette er fortsatt Regjeringens standpunkt. Det er bra å bli sitert på noe av det en har skrevet tidligere, men det overrasker ingen at jeg støtter det standpunktet som denne regjeringen har, Slik er det i et system der en har ført en diskusjon og kommet fram til en beslutning. Til slutt litt om selskapsorganisering. Selskapsorganisering av statlige virksomheter er først og fremst hensiktsmessig for virksomheter som opptjener inntekter i et marked og i konkurranse med andre produsenter. Det kan også være andre forhold ved virksomhetens karakter, f.eks. spørsmål om å finne en hensiktsmessig ramme for statens styring av ulike aktiviteter, som kan begrunne at virksomheter organiseres som egne rettssubjekter, som det heter. Ønsker om å kunne lånefinansiere statlige utgifter bør imidlertid ikke statlig virksomhet. Selskap som tar opp lån for å finansiere statlige utgifter med lån som senere må betjenes gjennom bevilgninger over statsbudsjettet i mange år framover, er ikke noe annet enn at en prøver å føre statens utgifter og gjeld utenfor statsbudsjettet. har vært tatt opp. Det er også omtalt i St.meld. nr. 16 for 2008–2009 om Nasjonal transportplan, der det bl.a. framgår at OPS-modellen har gitt raskere prosjektgjennomføring, men at det ikke er mulig å dokumentere verken høyere eller lavere kostnader enn ved tradisjonell gjennomføring. Videre står det, som jeg har vært inne på tidligere, at gevinster også kan hentes ut gjennom bedre kontraktsstrategier innenfor dagens system. Det konkluderes med at OPS-finansiering av vegprosjekter innebærer at staten lånefinansierer utgifter til vegprosjekter, og at Regjeringen derfor foreslår ikke å åpne for flere OPS-prosjekter nå. Handlingsregelen er et virkemiddel for å gjøre bruken av oljepenger mer forutsigbar. Slik støtter handlingsregelen også opp under pengepolitikken og reduserer faren for en forventningsdrevet styrking av Slik støtter handlingsregelen også opp under pengepolitikken og reduserer faren for en forventningsdrevet styrking av kronen. Men dette forutsetter at handlingsregelen er troverdig. Jeg tror at ulike former for det en godt kan kalle kreativ bokføring, statens budsjettpolitiske handlingsrom, samtidig som det undergraver handlingsregelen. Viktige og riktige valg av bruken av statens utgifter må tas gjennom riktige og viktige politiske prioriteringer i Regjeringen og til slutt i Stortinget.
når det gjelder statsrådens kommentar om lånefinansiering. Det er ikke fremmed i andre deler av offentlig forvaltning. Verken i kommuner eller i fylkeskommuner er dette ukjent ved store investeringer – ei heller i næringslivet eller i husholdningene, når man skal investere i noe som er ment å gi verdier for mange tiår framover. Så bare for å slå det fast: Høyre ønsker ikke å omgå handlingsregelen, men ønsker å sørge for at den oppfylles. Det er en viktig nyansering. Jeg har lyst til å dreie debatten litt tilbake til behovet for en større samferdselssatsing, og vil komme litt inn på noe av det som statsråden snakket om, nemlig prosjektfinansiering. Det er kanskje der det er mest åpenbart at dette har man ikke greid å gjennomføre på grunn av uenighet i Regjeringen, sett i forhold til hva man sa i Soria Moria-erklæringen, nemlig at man ønsker å satse på prosjektfinansiering. Og i budsjettdokumentene som statsråden refererte til, ble dette skrinlagt. Så sier man at fordi man nå har ført opp tre prosjekter i egne budsjettposter, bedriver man prosjektfinansiering. Det er i hvert fall ingen andre land i verden som omtaler det som prosjektfinansiering. Prosjektfinansiering er, som jeg tror statsråden utmerket godt vet, å ha egne budsjettrammer for prosjektene, å ha egne selskaper og en mulighet til å organisere seg på egen måte. Det kan være statlige eller private selskaper, med mulighet også for Vi mener det haster med å få bygd ut det norske veg- og jernbanenettet. Vi trenger bedre framkommelighet, sikrere veger og kortere reisetid over hele landet. Forutsetningen for å få dette til tror vi nettopp er å innføre nye organiserings- og finansieringsløsninger. Så ser vi gledeligvis i gårsdagens Aftenposten at og er svært positiv til slike nye tanker. Hun hevder at dette kommer til å bli nødvendig, og vil være åpen for denne typen prosjekter. Det interessante her i dag – og det tror jeg mange er spent på – er om finansministeren støtter dette, for dette skulle visstnok gjelde fra 2013. Det vil vi gjerne ha svar på. mener at hvorfor i all verden skal vi vente til 2013, når vi har mange gryteklare prosjekter som vi kan OPS-organisere eller prosjektorganisere allerede i dag. Jeg er veldig glad for at representanten fra Høyre ikke ønsker å omgå handlingsregelen og at han understreker hvor viktig det er å følge handlingsregelen. Det er ganske viktig at det blir sagt, for handlingsregelen har en forutsigbarhet ved seg som er viktig for utviklingen i norsk økonomi. Det som jeg også tror det er viktig å understreke, er at rammen i den nåværende Nasjonal transportplan er økt med om lag 100 milliarder kr i forhold til rammen i den forrige planen. Jeg tror nok det er slik at også når man regner i reelle kroner, så er rammen betydelig høyere enn det som var tilfellet i forrige periode, og lå inne i budsjettet i 2005 fra Bondevik II-regjeringen. Nivået i kroner og øre i forhold til det som er foreslått bevilget i 2010, er om lag 10 milliarder kr over 2005-nivået, og det er en betydelig økt satsing i denne perioden på både investeringer i infrastruktur, forskning og utdanning og på investeringer i framtidas arbeidskraft. Når det gjelder interpellantens første innlegg, så kan det sikkert være uenighet om størrelser, men det er ingen tvil om at denne regjeringen i stort monn har brukt handlingsfriheten til å satse på framtidige investeringer det norske samfunnet. Det som har vært et stadig tilbakevendende poeng i vegprosjekter og andre tunge samferdselsprosjekter, har vært framdriften, effektiviteten og det å ha en kontraktinngåelse som gjør at en får en sammenhengende og god gjennomføring av slike prosjekter. Som jeg sa i mitt hovedinnlegg, er det muligheter til det innenfor det bevilgningsreglementet vi har i dag. Men det er jo avhengig av at Stortinget har en reell vilje til å prioritere prosjekter på den måten. Jeg har fulgt norsk samferdselsdebatt helt siden jeg høsten 1974 fikk æren av, som vararepresentant, å bli saksordfører for vegkapitlet. Noe av det som er utfordringen i norsk samferdselspolitikk, er jo de mange små prosjektene som er viktige for at folk skal komme seg fram i dette langstrakte, og til dels grisgrendte, landet vi bor i. Men Stortinget har full mulighet til å gjennomføre prosjekter med større tyngde og kraft enn det som en ofte hører i debatten. Når det for øvrig gjelder samferdselsministerens uttalelser som sto på trykk i Aftenposten i går, så tror jeg det enkleste er å vise til interpellasjonen fra representanten Sortevik i Stortinget i går,

Så til interpellasjonen. Jeg mener for det første at vi må ha en bredere tilnærming til denne utfordringen enn interpellantens fokus på alternative organisasjons- og finansieringsmodeller og spørsmålet om fristilling eller ikke fra de årlige statsbudsjetter. Jeg mener at vi også må fokusere på det beslutningsgrunnlaget som regjering og storting får for samferdselsinvesteringene, nemlig Nasjonal transportplan. Målsettingen med planen er god og gir en helhetlig plan og et felles beslutningsgrunnlag for investeringer i transportsystemet her i landet. Dagens NTP er et godt skritt på veien i forhold til tidligere enkeltvise planer, men fortsatt er planen og beslutningene preget av at vi har fire ulike etater som planlegger, bygger ut og vedlikeholder hver sin transportform. Vår utfordring er å se behovene i sammenheng og å bygge ut, drifte og vedlikeholde et sammenhengende transportsystem i landet, i lys av målene for transportpolitikken, nemlig trafikksikkerhet, miljø og effektivitet. Dette må disse fire etatene lage grunnlag for i den felles transportplanen vi har, i sterkere grad enn i dag. Når det gjelder organisering, så har jo Høyre tidligere f.eks. foreslått å splitte Jernbaneverket i to statlige aksjeselskaper, og på hjemmesiden til Høyre står det at de ønsker å omdanne Jernbaneverket til et eget baneselskap med ansvar for eierskap, drift og forvaltning. En slik privatisering eller organisering har jeg ikke tro på vil bidra til å oppfylle målsettingen om et helhetlig, sammenhengende transportsystem. Tvert imot så mener jeg vi må opprettholde transportetatene som forvaltningsvirksomheter. Det vi imidlertid kan vurdere, er å slå sammen enkelte av disse etatene til én felles transportetat og ett samlet sekretariat for transportplanleggingen, for å få et enda bedre grep om helheten. Forut for at Nasjonal transportplan 2010–2019 ble vedtatt i Stortinget i juni 2009, var ulike organiserings- og finansieringsformer utprøvd og diskutert. Under Stoltenberg I-regjeringen ble det vedtatt å igangsette tre OPS-prosjekter. Disse prosjektene er nå ferdigstilt og evaluert. Jeg tror det er bred enighet om at måten OPS-prosjektene var organisert på og den forutsigbarheten som lå i finansieringen, gjorde at disse investeringsprosjektene ble gjennomført på kortere tid enn tradisjonelle samferdselsprosjekter, og dermed viser et bedre resultat i kost–nytte-analysen når det gjelder akkurat det punktet. Det er det verdt å ta med seg videre. Imidlertid viste evalueringene at det ikke var lavere kostnader knyttet til denne måten å finansiere og organisere prosjektene på. Regjeringen og flertallet i Stortinget konkluderte derfor i forbindelse med behandlingen av NTP med at vi ikke ville gå videre med flere OPS-prosjekter nå, men isteden legge til rette for at det i forbindelse med statsbudsjettet blir vedtatt flere større samferdselsprosjekter med en forutsigbar finansiering gjennom prosjektfinansiering. Prosjektfinansiering er spesielt viktig for jernbaneprosjekter som i dag kun finansieres over statsbudsjettet gjennom de årlige bevilgningene, og ikke i tillegg bompenge- og lånefinansieres som veiprosjekter gjennom bompengeselskapene. Jernbaneverket har beregnet at de kunne ha bygd nytt dobbeltspor mellom Skøyen og Asker vesentlig raskere og med en besparelse på 1,5 milliarder kr dersom prosjektet hadde blitt vedtatt som ett utbyggingsprosjekt, med prosjektfinansiering av hele prosjektet. Ut fra dette har Regjeringen i NTP 2010–2019 og i statsbudsjettet for 2010 prioritert å prosjektfinansiere tre samferdselsprosjekter, som også finansministeren refererte til, to på vei og ett på jernbane. Måten Regjeringen har gjort dette på, er å sette disse tre prosjektene på egne poster på budsjettet for å sikre forutsigbar finansiering, slik at Jernbaneverket og Vegvesenet kan organisere og gjennomføre disse prosjektene Poenget for Arbeiderpartiet ved å gå inn for prosjektfinansiering er å få gjennomført flere stor utbyggingsprosjekter på vei og jernbane sammenhengende og på kortere tid, samtidig som vi sikrer mindre utbedringer og investeringer i transportnettet. Dette mener vi ivaretas godt gjennom egne poster på statsbudsjettet for de store prosjektene, og årlig vurdering og prioritering av de minste, slik Regjeringen nå har lagt opp til. En slik transportpolitikk vil gi innbyggere og næringsliv raskere effekt av investeringene, og et effektivt, trafikksikkert og miljøvennlig transportsystem. Det er riktig som finansministeren sa, at vi hadde en debatt i Stortinget i går, og at samferdselsministeren var til stede. Hun sa svært lite – om hun i det hele tatt sa noe – om nytt finansieringsverktøy. Derimot sa hun: «Som Regjeringa har gjort greie for i Nasjonal transportplan , er dette ein bevisst strategi for at ein i størst mogleg grad skal kunna nytta inntektspotensialet frå trafikantane» – altså bompenger. Min utfordring til finansministeren er: Hva er den bevisste strategien til denne regjering for å investere norsk finansiell rikdom i norske veier og norsk jernbane, slik at Norge ikke bare har et av verdens største finansfond, men også veier og jernbane blant verdens beste? Så var finansministeren blant mange ting innom at det var unødvendig å kjøpe på avbetaling når man har penger i banken. Og det har jo staten! Like fullt har man altså gjennom bompengefinansiering tvunget nettopp bilistene til å kjøpe vei på avbetaling. Jeg skal gjenta som jeg anga i går, og som samferdselsministeren dessverre avviste som lite troverdig – men det er departementets egne tall: Fra 1990 til 2007 har bilistene betalt over 46 milliarder kr i bompenger. 15 av de 46 milliardene har gått med til avbetalingskostnader, innkrevingskostnader og rentekostnader. Bare vel 30 milliarder kr har gått til veibygging. Det er altså dyrt å tvinge bilistene til å kjøpe vei på avbetaling. Det er viktige spørsmål som blir tatt opp, både her i dag og som ble forsøkt tatt opp i går. Det er en sammenheng mellom tvangskjøp av vei på avbetaling gjennom bompenger og manglende statlig finansiering, som skyldes manglende vilje til å bruke gode, effektive og riktige finansielle verktøy. Ifølge Aftenposten sa samferdselsministeren i går at hun vil snu alle steiner for å få mer penger til vei og mer til bane. Slik Fremskrittspartiet ser det, er det jo faktisk finansministeren og hans departement som fremstår som den største steinen vi må flytte på for å få fart på byggingen av infrastruktur i Norge. Jeg registrerer at fagstatsråden, finansministeren, har endret syn. Han har på en sjarmerende måte frigjort seg fra de uttalelsene han kom med før han kom i regjering. Han har forlatt det synet at det er viktig med Han har forlatt det synet at det er lurt og klokt å bruke infrastrukturfond, at det er lurt og klokt, som mange andre land gjør, å bruke lånefinansiering – det brukes bl.a. i Sverige – at det er lurt og klokt å fristille og Statens vegvesen, at det er lurt og klokt å bruke mer offentlig samarbeid, at det er lurt og klokt å bruke offentlige utbyggingsselskaper, og at det også er lurt og klokt å se på innføring av periodiseringsprinsipp, som er vanlig i andre land. Det er faktisk slik at Finansdepartementet på mange måter fremstår som en slags museumsvokter av en svært gammeldags og svært dårlig sosialøkonomisk teori. Vår tids finanskrise førte til at det kom asfalt på nedslitte veier. Vi fikk altså en ekstrabevilgning i fjor på grunn av at det var finanskrise. Flere og flere skjønner at slik bør det ikke være, og slik trenger det heller ikke å være. Utgangspunktet for handlingsregelen, som vi gjerne skulle sett død når vi markerer niårsjubileet, var nettopp at vi skulle prioritere fremtidsrettede tiltak innenfor bl.a. infrastruktur. Slik har det ikke gått. La meg til slutt si – siden finansministeren var innom lånefinansiering: Ingen private bygger hus slik staten bygger vei. Ingen foretak investerer i nye anlegg slik staten investerer i infrastruktur. Både de private og næringslivets aktører ser at det er forskjell på investering og drift. De behandler det på ulik måte, og de bruker ulikt verktøy til å finansiere investering og drift. Det bør også staten gjøre.
Jeg var på – skal vi kalle det – et oppvaskmøte i Trøndelag i forrige uke, som gjaldt mangelen på strøm i området og den regningen som bedriftene ble påført gjennom dette. Da hadde vi en god kollega fra Arbeiderpartiet som sa at etterkrigsgenerasjonen har forsømt seg når det gjelder investeringer i kongeriket Norge. Jeg kunne ikke vært mer enig enn i akkurat det. Det blir stadig referert til handlingsregelen her. Det var nok en god oppfinnelse, men jeg tror nok at den gangen tenkte man – som det også er beskrevet – at den primært skulle brukes til investeringer i kongeriket. Slik har det ikke blitt. Vi har fått veldig kostbare velferdsordninger som stikker av gårde med storparten av det som ligger i fireprosenten. Derfor ser det ut til – som interpellanten sier – at det ikke bare er jernbane og vei, men også forskning, utvikling og utdanning som er viktige områder i vårt samfunn for å gjøre landet Da Dovrebanen ble bygget, og da Bergensbanen ble bygget, var Norge ikke et rikt land. Men vi greide det godt. I dag er vi et veldig rikt land – for å ta forsiktig i – og det synes ikke som om vi har råd til det vi burde ha gjort. Dette må vi i fellesskap finne en løsning på. Finansministeren sier at vi har prosjektfinansiering. Ja, det er veldig bra, men likevel viser det seg at mange av disse prosjektene tar lang tid. Da vi bygde fjøsbygning på gården min hjemme for noen år siden, besluttet vi ikke at vi skulle bygge grunnmuren det ene året, veggene året etterpå, taket det tredje året og innredningen det fjerde året. Nei, vi besluttet å bygge det i en smell, og så lånte vi penger til det. Slik ble det. Nå har vi nedbetalt lånet for lenge siden, og vi er helt sikre på at avkastningen fra driften i fjøset har ført til en bedre økonomi – selv om den ikke er så veldig god, er den dog bedre enn om vi skulle ha bygd det «step by step». Jeg vil understreke at en god vei, jernbane, forskning og utvikling er veldig viktige deler av samfunnet. Vi hadde et møte med SINTEF i går Norges posisjon innenfor forskning, hvor det ble påpekt at vi rett og slett mangler en del infrastrukturmidler for å kunne holde vårt internasjonale nivå. Innenfor maritim sektor er vi nr. 3 på verdensbasis, og det koster litt å holde den plassen. Derfor krever det investeringer. Jeg må innrømme at Høyre har foreslått at vi kunne sette av noen penger til fond som vi kunne bruke i denne sammenhengen. Interpellanten, Halleraker, har understreket alle de andre mulighetene. Hvis vi ikke gjør noe med dette, synes det som om det vil ta oss 30 år å få orden på en jernbane i Oslo-regionen, og for å få en skikkelig jernbane i resten av landet synes det å ta bortimot 100 år. Fra mitt synspunkt er det i lengste laget når vi vet hva det hadde ført til av utvikling i samfunnet om vi hadde fått det til i dag. Så sier finansministeren at det er Stortingets reelle vilje til å prioritere det beror på til slutt. Ja, det er for så vidt riktig, det, hvis Stortinget hadde Ved siste års budsjettbehandling gikk i hvert fall Regjeringens forslag igjennom i sin helhet. Så la oss håpe at Stortingets makt i forbindelse med budsjettet kunne øke noe.
og Høyre vil gjøre dette til en debatt om privat finansiering av veier gjennom OPS, Offentlig Privat Samarbeid. De får det til å høres som gratis moro, men i virkeligheten kan OPS gi en stor bakrus for skattebetalerne. Dette er veier på statlig avbetaling, og folk flest vet at å kjøpe på avbetaling er dyrt. Å bygge ut samferdsel handler om politisk vilje og evne til å prioritere samfunnets ressurser ut fra de mål vi har i politikken. SV prioriterer velferd og miljø, og ikke å øke veksten i privatbilisme og klimautslipp. SVs utgangspunkt for denne debatten er at jernbanen er diskriminert. Etter store investeringer i nye motorveier i østlandsområdet de siste årene er køene like lange. Det er bare flaskehalsene som har flyttet på seg. Heller ikke togene har noen ledig kapasitet å by på, og vinterens togkaos har vist oss hvor ille det står til. Alle er nå enige om at forsinkelser og innstilte tog er resultatet av lang tids politisk forsømmelse. Skiftende regjeringers forhold til toget har vært mer svikefullt enn en svikefull kjærlighetshistorie. EUs statistikk viser at Norge fra 1992 til 2007 lå på bunnen i Europa når det gjaldt jernbaneinvesteringer. Det tar tid å rette opp i tidligere svik og gjenskape troen på jernbanen. Samtidig har togkaoset fått fram et stort engasjement for å få norsk jernbane på Folk flest ber om en storsatsing på tog slik at de slipper å kjøre i bilkø til og fra jobb, og slik at de kan bidra til å hindre farlige klimaendringer og gjøre luften i byene mindre helsefarlig. SV har i regjering fått til en tredobling av jernbaneinvesteringene og en økt satsing for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Dette er en god start, men det er fortsatt ikke nok. En storsatsing på toget må kombineres med en forståelse av at de store veiutbyggingenes tid på det sentrale Østlandet er over. Vi kan ikke bygge nye motorveier inn til Oslo for å ta av for økt trafikk. Vi må la jernbanen gjøre jobben. Et moderne dobbeltspor har større kapasitet enn to firefelts motorveier. Derfor må vi skrinlegge Fremskrittspartiets og Høyres asfaltlagte planer om motorveier. Det er sløsing med samfunnets ressurser, og det vil ikke minst øke klimagassutslipp. I stedet må vi binde sammen landsdeler og regioner med raske togforbindelser. For å gjøre dette må jernbanen få mye mer penger i budsjettene. Mer oljepenger må investeres i grønne togforbindelser, og jernbanen må sikres langsiktig finansiering slik at hele strekninger kan bygges ut effektivt og uten forsinkelser. Vi må redusere byggingen av nye motorveier og i stedet satse på toget. Vi må anvende bompengeinntekter fra storbypakker og motorveier til å bygge ut jernbanen. Vi trenger 100 nye tog til NSB. Når togtrafikken øker, må vi sørge for å ha moderne og attraktivt materiell. Derfor vil vi at NSB skal doble sine bestillinger fra 50 til 100 nye togsett som skal settes inn når sporkapasiteten blir bedret fra 2011. Vi tar til orde for å innføre «flyavløsningsavgift». SV vil gjeninnføre seteavgiften på flytrafikken, som ble fjernet under for å bygge ut framtidsrettet jernbane mellom byene. Den ga Norge så sent som i 2001 1,5 milliarder kr i inntekter. Siden den gang har flytrafikken økt dramatisk, og det samme har klimautslippene. SV vil bruke noe av inntektene til å kompensere flytilbudet i distriktene. Resten av inntektene vil vi bruke til å bygge ut jernbane og klimatiltak. Det må nå være togets tur.
Eg vil takke interpellanten for å ta opp eit særdeles viktig tema. Men i enda større grad vil eg takke interpellanten fordi han har vore den fremste drivkrafta for å få til nye organisasjons- og finansieringsmodellar for samferdselspolitikken i Noreg dei siste ti åra. Han har bl.a. vore aktiv for å få fram tre vellykka OPS-prosjekt, som me i dag ser resultatet av. bilistar. Me hadde òg gleda av å besøkje Statens vegvesen, som peikte på at nettopp desse prosjekta var særdeles vellykka. Me har opplevd at resultatet av desse prosjekta har blitt at LO og NHO i dag stiller seg bak tenkinga her, og det kan verke som om det føregår ein prosess i Regjeringa i desse dagar som òg er positiv. Resultatet er i alle fall at vi får prosjekt som kjem tidlegare, som det er hurtigare å byggje, og som blir rimelegare. Da eg hørte statsråden markere at det snart er niårsjubileet til handlingsregelen, synest eg det er viktig å få fram kva som var tenkinga bak handlingsregelen. Jo, det var ei innfasing av oljepengane. Det blei sagt av Stoltenberg at dei oljepengane som var innfasa, skulle brukast til tre hovudformål. Det første var infrastruktur – dvs. samferdsel. Det andre var forsking og høgare utdanning. Det tredje var skattelette. Det kunne vore spennande å høre om finansministeren meiner at vi har lykkast med dette i dei ni åra som har gått. Eg meiner det har vore veldig mykje positivt med handlingsregelen, men eg synest ikkje at innfasinga vi har hatt av oljepengane, nødvendigvis har gått til dei tre hovudformåla som eit stort fleirtal i Stortinget peikte på da vi bestemte oss for handlingsregelen i 2001. Det er ikkje sånn at det berre er næringslivet som bruker den finansieringsmåten som representanten Halleraker tek opp. Også innanfor samferdselssektoren ser vi opningar for dette. Avinor er i dag av OSL Gardermoen, som det blei gjort investeringar på for til saman 11 milliardar kr. I dag er denne flyplassen verdsett av staten sjølv til 31 milliardar kr. No vurderer Avinor ei ny utbygging for 7,5 milliardar kr. Det vil ikkje kome over Det vil vere eit låneopptak som Avinor vil føreta – akkurat i tråd med den modellen som Halleraker peiker på her. Da er mitt spørsmål: Synest ikkje finansministeren at Avinor har ein god modell? Vil ein gå tilbake på den modellen, og vil eventuelt ei utbygging av Gardermoen ikkje skje i tråd med dei retningslinjene som Regjeringa legg opp til? Det er i ikkje samsvar mellom den modellen Avinor har, og det finansminister Sigbjørn Johnsen seier i dag. Eg synest Irene Johansen òg peiker på eit godt eksempel; vi kjenner til strekninga mellom Sandvika og Lysaker. Ifølgje Jernbaneverket sjølv kunne vi ha spart 2 milliardar kr dersom vi hadde gjennomført utbygginga av denne måte. Derfor er det viktig at vi no ser på nye organisatoriske måtar å gjere dette på. Dette har i eit livssyklusperspektiv òg med risikofordeling å gjere – kvar skal me leggje denne. Det handlar om fleksibilitet og innovasjon. Eg vil òg seie at det var hyggeleg at representanten Lasse Kinden Endresen deltok i debatten. Men eg synest det er viktig å seie til representanten Endresen at dette òg er ei moglegheit for jernbanen. Det er ikkje sånn at vi har denne tenkinga berre når det gjeld veg. Eg har lyst til å avslutte med å nemne fire grunnar til at eg meiner at OPS er på dagsordenen og bør vere prosjekt som vi fokuserer på. Det eine er ønsket om betre konkurranse som gjev grunnlag for innovasjon. Det andre er ønsket om betre risikofordeling ved at risikoen av den aktøren som kan påverke risikoen i prosjektet. Det tredje er ønsket om å effektivisere offentlege investeringar, og det fjerde er eit ønske om å finne eit godt verkemiddel mot det infrastrukturgapet som me ser auke år for år. Det meiner eg er gode grunnar til å sjå både på finansieringsmodellar og på organiseringsmodellar innanfor samferdselssektoren.
Jeg er verken statisk eller reaksjonær, som representanten Halleraker påsto at en del av oss var. Dagens rød-grønne regjering har vist at ved å prioritere bort skattekutt har det vært mulig å øke innsatsen både på velferd og investeringer i bl.a. infrastruktur. Det er viktig å slå fast ettersom interpellanten antyder at velferdsutfordringene blir så omfattende i årene framover at det vil bli problematisk å få til nødvendige investeringer i infrastruktur. Jeg tror det er mulig å få til begge deler, men da handler det selvfølgelig om å prioritere. Vi velger derfor bort skattekutt som vil koste titalls milliarder kroner årlig. Det kunne derfor være interessant å utfordre interpellanten på om han og Høyre kunne tenke seg å prioritere infrastruktur og velferd framfor skattekutt. Sporene tilbake til Bondevik-regjeringen er i så måte skremmende ettersom det meste da handlet om skattekutt om satsing på velferd og infrastruktur. Denne regjeringen satser stort på investeringer til infrastruktur. Vi erkjenner at behovene er store, og derfor har vi vedtatt en Nasjonal transportplan som er ambisiøs. Den står fast, og vi har til hensikt å følge opp de kraftige satsingene på vei og jernbane som ligger i dagens NTP. ønsker vi mest mulig vei og jernbane for pengene. Men vi er skeptiske til finansieringsordninger som OPS, som gjør at staten blir sittende med noe som kan ligne en husmannskontrakt. Det kan ikke være meningen at staten og bilistene skal betale unødig mye for investeringene i infrastruktur, eller synes opposisjonen det er greit å sløse med skattebetalernes penger på den måten? Som sagt er vi åpne for å vurdere finansieringsordninger som kan gi oss mest mulig igjen for pengene. Derfor gikk vi også inn for å teste OPS-modellen i sin tid, nettopp for å høste erfaringer. Det er også grunn til å nevne at vi også har plassert et par veistrekninger og jernbanestrekningen Oslo–Ski på egne poster på budsjettet. Problemet er at hvis omfanget av en eller annen form for prosjektfinansiering blir for stort, kan det være at en binder opp hele budsjettet. Bare på de tre ferdigstilte OPS-prosjektene betaler en årlig nesten en halv milliard kroner, og vi skal betale de neste 25 årene. Jeg registrerer at interpellantens parti ønsker så mange OPS-prosjekter at hele veibudsjettet vil bli bundet opp etter 2020. Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hele haken. Vi er selvsagt lydhøre når det handler om å få mest mulig ut av hver krone som brukes til investeringer i transportsektoren. Men enda viktigere er viljen til å prioritere dette området gjennom de årlige budsjettene. Her har dagens rød-grønne regjering vist en helt annen forståelse og vilje både gjennom Nasjonal transportplan og ved de årlige budsjettene enn den forrige regjering som interpellantens parti var en del av. Det blir snakket om troverdighet med hensyn til handlingsregelen fra denne talerstolen. Hva betyr det? Betyr det at vi kan bruke 4 pst. når vi har 1 000 milliarder kr stående på bok? Betyr det Betyr det at vi kan bruke 4 pst. når vi har 3 000 milliarder kr på bok? Eller 4 pst. når vi har 5 000 milliarder kr stående på bok? Er det slik at prisstigningen i Norge er i samsvar med avkastningen av oljefondet, Jeg takker interpellanten for å ta opp en viktig sak. Når jeg hevder at dette er viktig, er det med bakgrunn i at Norge gjennom den politikken og de finansieringsmodeller som er blitt gjennomført over flere tiår, har ført til at nasjonal infrastruktur regelrett forfaller, og etterslepet øker. over det årlige statsbudsjettet som vi har i dag, gir verken nok forutsigbarhet eller gode nok rammer for finansiering av større prosjekter. En slik modell vil ofte bety at store prosjekter drar ut i tid, noe som er meget fordyrende for prosjektene og i noen tilfeller gjør at inntjeningen i driftsselskapene kommer mange år senere enn forventet. Togstrekningen Oslo–Asker er i så måte et godt eksempel. Men det er ikke det eneste. Det skjer også innen veibygging. Det bevilgningssystemet som i dag rår, har medført mange års ekstra tid og utgifter til utbyggingen av E6 vest for Alta. Og det er litt underlig å høre at da dagens finansminister var fylkesmann, ønsket han å ha en effektiv utbygging av vår infrastruktur, mens han som finansminister mer har et ønske om å opptre som onkel Skrue. Slik jeg ser det, er en av de store utfordringene, uavhengig av OPS og rammeinvesteringer, at det ikke er like lett som noen hevder, å få til privat utbygging av vei og bane. Det er ikke merkverdig at mange prosjekter blir utført gjennom en modell hvor staten står for finansiering og også tar risikoansvaret, og private entreprenører står for utbygging. Men å snu den modellen på hodet og mene at privat risiko og kapital ønsker å gå inn i alle vei- og baneprosjekter, blir for drøyt. Uavhengig av om vi oppretter infrastrukturfond, om vi har AS og andre selskaper og også tar opp lån, er det altså slik at den statlige investeringen er fundamentet om man skal gjennomføre en satsing som går fort nok. Jeg etterlyser Høyre og Kristelig Folkepartis satsing. Hvor er den statlige finansieringen som vi alle vet må på plass om man skal bygge ut hurtig nok? Slik Fremskrittspartiet ser det, vil det uavhengig av modellen som blir valgt i ulike prosjekt, i langt de fleste tilfellene være slik at staten må stå for hovedfinansieringen. Derfor utfordrer jeg Høyre og Kristelig Folkeparti på dette. For selv om jeg er et rimelig ferskt medlem i transportkomiteen, har jeg altså problemer med å finne denne satsingen både i budsjett og i Nasjonal transportplan. En annen side av saken: Når det snakkes om ulike finansieringsmodeller, vil jeg også utfordre Høyre og Kristelig Folkeparti på om bompengefinansiering en av modellene som de ønsker, og som ligger implisitt i deres finansiering. For etter interpellasjonen i går om bompengefinansiering, hvor verken Høyre eller Kristelig Folkeparti var på denne talerstol, er det veldig mye som er uavklart med hensyn til politisk vilje og ståsted
For en tid tilbake var det en fylkesmann som tenkte lurt, og som var opptatt av at vi skulle ta i bruk nye finansieringsformer og nye måter å få mer til vei og mer til jernbane på. Jeg tror at denne fylkesmannen, som hadde en viss erfaring fra det å være finansminister tidligere, hadde med seg noen av disse erfaringene, og jeg tror også at fylkesmannen var opptatt av at folk skulle komme tidsnok på jobb, komme forutsigbart på jobb og komme hjem igjen. Jeg så til min glede i Aftenposten i går at den fylkesmannen som nå er blitt finansminister, hadde en medsammensvoren som også tenker lurt og klokt når det gjelder å ta i bruk nye finansieringsformer og nye organisasjonsformer som ville sikre mer til vei, mer enn det dagens regjering, der begge er medlemmer, har. Og jeg skjønner at det løfterike i det samferdselsministeren sa i går om å tenke nytt og være i åpen dialog i to år fram til ny Nasjonal transportplan, varte bare akkurat i ett døgn, så var det tatt ned. Denne åpenheten er nok til stede, men viljen og troen på at det finnes andre finansieringsformer, er altså tatt ned, og vi er tilbake på det samme sporet. Med dagens Nasjonale transportplan ligger Regjeringen 2,3 milliarder kr etter i første sving. Selv om man sier at Nasjonal transportplan dreier seg om mange penger, får vi altså mindre igjen for de pengene, og det er et historisk lavmål, målt i forhold til brutto nasjonalprodukt, når vi sammenlikner med det som har vært gjort tidligere. Vi ser også at når det gjelder de hundre milliardene som Regjeringen seg med, er 50 pst. – i hvert fall store andeler – private penger, betalt av oss som passerer disse bommene fra tid til annen. Da er private penger greit nok. Den satsingen som ligger i Nasjonal transportplan, vil føre til at det tar 30 år før vi får dobbeltspor i hele Det er ikke noe rart at tilliten til samferdselstilbudet, særlig innenfor de kollektive løsningene hos NSB og jernbanen, er på et lavmål, selv om kjærligheten til toget fortsatt er stor, og slik sett er et vindu for nettopp å kunne satse på samferdsel. Men jeg registrerer at Regjeringen nedprioriterer, ikke vil. andre finansieringsformer – Offentlig Privat Samarbeid, prosjektorganisering i den ekte formen, fondsetablering. Regjeringen vil ikke. De tre prosjektene som statsråden henviser til, er ikke ekte prosjektfinansieringsmåter. Det er en form for budsjettering. Man må gjerne ha det, men vi kommer altså ikke lenger av gårde, verken med mer vei, mer forutsigbar vei, raskere vei, billigere vei eller å prøve dette på jernbane. Det har vi ikke gjort i Norge før, og vi burde gjøre det. Det er også slik at Høyre har foreslått en modernisering av Jernbaneverket. Vi har også sett på en tydeligere ansvarsfordeling mellom Jernbaneverket og NSB. Riksrevisjonen har påpekt at nettopp organiseringen av ansvarsfordelingen mellom disse to er medvirkende årsaker til at regulariteten svikter, at ansvarsforholdene er utydelige, og slik sett gjør at toget ikke kommer. Regjeringen vil ikke være med på å modernisere. Så er det det å si at Europa gjør det. Europa ser både på nye, moderne finansieringsformer og på en annen type organisering, fra det som har vært statlige monopolinstitusjoner til det å ha moderne transportorganisasjoner. Det burde også være slik i Norge at Norges Statsbaner var et moderne transportselskap, som vant anbud ute i Europa, som gikk foran, som hadde til formål å frakte passasjerer fra a til å, og at man brukte tog og buss der det måtte passe. Europa tenker nytt. Frankrike bygger i sin planperiode De finansierer det ved å tredele, med en tredel på private, en tredel på de regionale og en tredel på staten. Det er slik at Høyre foreslo å avsette 50 milliarder kr i fond for å kunne ta igjen – ikke øke, men ta igjen – etterslepet på vedlikehold. Regjeringen vil ikke. «De syv søstre» som har vært omtalt i rapporten fra Østlandssamarbeidet, hvor man sammen med kollegaer av statsråden har medvirket til at vi kan ha nye ordninger for utbyggingsprosjekter, tror jeg ender opp med å bli to brødre, finansminister og statsminister, som ikke vil se samferdsel i et samfunnsplanleggingssystem. Det er en viktig debatt som interpellasjonen reiser. Det er store behov, og Norge har en stor finansiell styrke. Jeg er enig i at det må tenkes nytt. Når vi skal tenke nytt, må vi ikke tenke så nytt at vi ikke tar med oss det beste i det gamle. Det beste i det gamle er bl.a. det som heter kontant er konge – på engelsk «cash is king». Det er det som framgangsrike næringslivsledere i Norge lever etter. Det er kontant som er konge, for ved å betale kontant får du det billigst. Når staten har mye penger, og staten har de billigste pengene, er det ingen grunn til å låne penger av private, for det ville jo bli dyrere. Det ville være brudd med det fundamentale prinsippet. Det er riktig at en gjør det i Europa, men det er fordi de europeiske landene ikke har råd til å betale kontant. Stadig færre av dem har råd til å betale mindre kontant, men vi har råd. Så blir det sagt at hvis en etablerer egne økonomisk juridiske enheter og kan låne på det, er det bedre. En kan da låne fra statskassen og få rimelig billig penge fortsatt. Men det vil jo innebære at den demokratiske kontrollen eller de politiske prioriteringene som må ligge til grunn for samferdselsinvesteringer, blir mindre framtredende, blir mindre mulig å få til. Det er en klar svakhet ved det systemet. I Stortingets bevilgningsreglement har vi et prinsipp, kontantprinsippet, om at alle utgifter som staten har, skal føres til utgift det året Så har vi det faktum at enhver velferdsforbedring jamt over kommer inn i statsbudsjettet ved deler av et års kostnad, og blir så konsekvensjustert neste år med helårskostnad, men når det gjelder investeringer knyttet til Kystverket, Statsbygg, Jernbaneverket og Vegvesenet, fører kontantprinsippet til at de investeringene blir utgiftsført det året de påløper, mens de verdiene som den investeringen skaper, varer i mange år framover. Derfor har vi kommet i den situasjonen at investeringer i de sektorer som jeg nå har nevnt, vanskelig kommer opp i prioriteringa i forhold til velferdsforbedringer. Dermed får vi altså over tid for små investeringer knyttet til Norge. Det burde være en av de debatter vi burde føre videre, for å se hvordan det bevilgningsreglementet som Stortinget vedtar, som Stortinget kan endre, og som Finansdepartementet må følge opp, kan medvirke til at vi altså får en annerledes prioritering. Hvis vi så i den prioriteringa ønsker å satse på statlige investeringer, mens aktiviteten i privat sektor er så stor at økt statlig investering vil føre til at lønns- og kostnadsnivået i de bransjene stiger – ja vel, så kan vi jo ikke investere så mye som vi ønsker fordi helheten ikke blir ivaretatt. Så hele tida når det gjelder statlige investeringer, er det realøkonomien som avgjør hva du med fornuft kan gjøre hvert enkelt år. Derfor er Regjeringas politikk mye mer forsvarlig enn Fremskrittspartiets politikk, for de legger opp til en aktivitet som i sum, på privat sektor og på offentlig sektor, fører til en aktivitet som er utover de rammer som en har, og dermed får en mindre vei og mindre skinnegang igjen for pengene. Men at det er en viktig debatt, og at en må tenke nytt, er vi helt enig i, og vi gleder oss til videreføringa av den
Presidenten vil gjøre oppmerksom på at det tidsmessig er litt tvil om Gunnar Gundersen får ordet, men vi ser det litt an. Det var interessant å høre på finansminister Sigbjørn Johnsen, men jeg skulle gjerne hørt mye mer av fylkesmann Sigbjørn Johnsen fra denne talerstolen, fordi det er en mye mer offensiv mann. Det er en mann som vil ta i bruk nye modeller, nye muligheter. Så jeg skulle gjerne sett mer av fylkesmann Johnsen i stedet for så mye av finansminister Johnsen. Det er altså sånn at under 2 pst. av statsbudsjettets totale ramme går til samferdsel og infrastruktur, og det er jo den store diskusjonen, hvordan skal man klare å få opp dette, og hvordan skal man klare å få gjort mer med alle de utfordringene vi står overfor på samferdselssektoren. Det er enorme utfordringer. Men jeg synes jo at det er litt interessant når vi nå registrerer at noen av dem som sier at de vil bruke mye mer penger på infrastruktur og samferdsel, også sier at vi må ned på 4 pst. igjen, til handlingsregelen. Interpellanten fra Høyre var veldig klar og tydelig på at han og Høyre vil ned på 4 pst. For Fremskrittspartiet er ikke handlingsregelen det viktige. Det viktige er hvordan man bruker pengene, og at man bruker pengene på en fornuftig og god måte. Så sa representanten Halleraker at det er en «tsunami» om å tenke nytt. Ja, det hjelper ikke med en tsunami bare om å tenke nytt. Det må være en tsunami som sier at man ønsker å handle nytt, og at man ønsker faktisk handling, og det må også være politisk vilje til å handle. Finansministeren pekte på at det handler om å prioritere hvordan man skal bruke penger som staten har. Han var tydelig på at det er viktig også å gjøre noe med vedlikeholdet, og det er jeg helt enig med Vedlikehold er utrolig viktig, og det å bygge ny infrastruktur er utrolig viktig. Så sier finansministeren videre: Ingen behøver jo å låne penger når vi har så mye penger i aksjer eller i bankinnskudd, «penger i banken», som finansministeren kalte det. Det er kanskje fordi finansministeren synes det er så viktig å ha så mye penger i banken at det er bilistene som skal betale, for nå er det jo bilistene som betaler størsteparten av investeringene i infrastruktur i dette landet. Det er altså ikke sånn at det er staten som tar den store kostnaden, for bilistene har allerede betalt inn i form av skatter og avgifter på bil og bilrelaterte avgifter, i tillegg til at de blir pålagt bompenger, såkalt lokale initiativ, som jo flere og flere av dem som har stått bak de såkalte lokale initiativene, opplever som noe helt annet enn lokale initiativ – de opplever det faktisk som statlig utpressing. Så synes jeg også at det i denne debatten, og for så vidt i den debatten som har pågått i det offentlige rom de siste årene, er noen politiske partier som har litt forskjellig flagg, og de heiser og senker flaggene litt avhengig av hvilken type debatt man har. For når man ser på hva man legger fram i statsbudsjettet, som man kanskje bør forholde seg til, som er virkelighetens verden – ja så ser man at det er ganske stor forskjell på det man sier, og det man faktisk gjør i prioriteringene i de forskjellige partiene. Finansministeren var inne på dette med hvordan man bruker pengene, at man har mye penger som man kan bruke på en fornuftig måte, og så sier han at det handler om «politiske prioriteringer». Ja, det gjør det. Jeg har lyst til å ta fram et eksempel som kanskje er noe av det som illustrerer hvor håpløst det er at det ikke finnes politisk vilje hos flertallet til å satse mer på bygging av infrastruktur: I 2010 vil vi sannsynligvis bruke 28 milliarder kr på ulykker – 28 milliarder kr. Vi bruker 18,9 milliarder kr tilbake på infrastruktur på vei, og det gjelder både drift, vedlikehold og investering. I tillegg kommer 7,5 milliarder kr i bompenger. Hvis vi hadde brukt 5–6 milliarder kr og tatt de 500 verste ulykkesstrekningene og fått opp hadde vi redusert antall drepte i trafikken med 80–100. Det er en investering som ville gjort at vi ville fått igjen pengene i løpet av to–tre år. I tillegg ville man også hindret at 80–100 mennesker mistet livet i trafikken på norske veier etter at man hadde gjort dette grepet. Det er jo helt utrolig at man ikke ser at her er det faktisk både mulighet til å spare samfunnet for store kostnader og ikke minst spare familier og venner for å miste folk i trafikken. Vi har en nullvisjon, men det er altså ikke vilje til å følge opp den nullvisjonen, som alle de politiske partiene er enige om. Dette handler om hvordan man bruker pengene. Bruker man pengene på riktig måte, kan man faktisk redusere kraftig antallet mennesker som blir skadd og drept i trafikken i Norge, og det er utrolig lønnsomt. Og i motsetning til finansministeren, som ønsker at pengene skal stå i banken, ønsker jeg at vi skal bruke pengene til å investere nå. Så kan vi høste i framtiden, så kan vi bruke de pengene som vi i dag f.eks. bruker på ulykker, eller næringslivet bruker i form av økte transportkostnader, på investeringer som man kan høste av i framtiden, med lave kostnader både når det gjelder ulykker og for næringslivet.
Neste taler er Torgeir Micaelsen, og muligens får vi også tid til Gunnar Gundersen. Presidenten gjør oppmerksom på at en interpellasjon er på maksimalt 1½ time, og vi driver nå og teller minutter. Da skal jeg gjøre det kort. Det har vært interessant å følge debatten, om et interessant tema, med – hva skal jeg si – veldig mange ulike innganger til spørsmålet. Det sier vel bare noe om at veier og jernbane og kommunikasjoner generelt i Norge er et hett tema – av ulike grunner. skal komme tilbake til det, men først vil jeg bare knytte noen kommentarer til enkelte representanters påstander om at de store oljeinntektene som vi har faset inn i norsk økonomi siden handlingsregelens fødsel i 2001, skulle brukes på noen spesielle formål, hvor infrastruktur, vei og bane, var et av dem. Ja, det er jeg helt enig i. Det er en god grunn til det, for det det var ment som, var at når man så for seg at man fikk noen ekstraordinære inntekter som skulle fases inn i norsk økonomi over tid, det viktig at de pengene ble brukt til å øke vekstkraften i norsk økonomi. Men jeg mener det er feil å se på de eksemplene som Stortinget den gangen la til grunn for behandlingen, nemlig forskning, utdanning, veier, jernbane og skattelette, som en uttømmende liste for hva som kunne være fornuftige tiltak for Jeg har fortsatt til gode å se representanter i denne salen stå på talerstolen og si at veier og jernbane er viktigere for norsk vekstkraft og er viktigere å prioritere enn f.eks. investeringer i barnevern, utdanning, barnehager osv. Når vi snakker om investeringer for framtiden, kan jeg ikke forstå at det er noe mer mindreverdig enn å bruke penger på jernbane og vei. Hvis vi er enige om en sånn type inngang, gjenstår fortsatt hovedproblemet, som mange av representantene i denne salen ikke klarer å svare på: Grunnen til at vi står litt i dette uføret, at vi ikke klarer å ta vare på nøkkelstrekninger rundt omkring i det ganske land, at vi også opplever at mange steder rundt omkring i landet har høyst variabel kvalitet på asfaltdekket, at tog ikke går, osv., er at vekslende regjeringer over lang tid ikke har brukt pengene på det vi i denne salen tilsynelatende er enige om at vi skal gjøre; vi har brukt dem på helt andre ting. Så kan man si at det er feil. Men det er jo det som er problemet. Til disse alternative finansieringsformene: Jeg er åpen for å diskutere hva som helst som kan få mer ut av hver krone, men jeg tror rett og slett ikke på at svaret nødvendigvis er å drive med det finansministeren kaller «kreativ bokføring», for det er det det dessverre er. Hovedproblemet, hvorfor vi står der vi står, handler om to ting: At nivået på bevilgningene over tid har vært altfor lavt i forhold til ambisjonene, og at Stortinget ikke har klart å manne seg opp til å si at noen prosjekter skal gå foran andre. Med andre ord: Vi har satt i gang altfor mange enkeltprosjekter med små startbevilgninger fra år til år, som gjør at man ikke klarer å følge opp året etter, og så satt proppen i, og så opplever vi at det er helt uhensiktsmessig framdrift i mange av disse prosjektene. Så får vi disse rundt Oslo, der man sikkert kunne spart store beløp hvis man i større grad hadde turt å si at dette prosjektet skal gå foran andre. Til mine medrepresentanter: Vi har alle muligheter til å få til mer gjennomgående framdrift i mange av disse prosjektene, men da tror jeg vi også må være villige til å si at noen prosjekter er viktigere enn andre. Helt til slutt vil jeg bare si at denne debatten igjen har vist – og det er

anerkjenner i hvert fall at det er en ramme mot en realøkonomi som gjør at det ikke nødvendigvis er hvor mye penger du har i banken, som avgjør hvor mye du kan sette gang av aktivitet i norsk økonomi. Det har noe med hvor mange ingeniører, hvor mange fagfolk, hvor mange kubikkmeter med sement du får tak i – mens i Fremskrittspartiet har jeg inntrykk av at man overhodet ikke har noe begrep om det. Der sier man at disse alternative finansieringsmåtene nærmest skal gå på utsiden av den ordinære budsjettprosessen, de skal komme i tillegg til alt annet man driver med. Da tror jeg at vi vil oppleve én ting, og det har flere representanter vært innom her: Det som vil skje, er at vi vil få et særegent rentenivå, en kronekurs og kostnadene går i været i enda større grad enn vi har sett, og så får vi rett og slett mindre vei og bane for pengene. På rød-grønn side har vi vist at vi er i stand til å prioritere vei og jernbane foran andre gode formål. Vi har vist at vi er i stand til å prioritere enkeltprosjekter på budsjettet som har forutsigbar framdrift, men vi er også i stand til å prioritere det innenfor en mer normal økonomisk ramme. Jeg registrerer at man på borgerlig side ikke er i stand til å få til samme enighet. Da gir presidenten ordet til Gunnar Gundersen, og gjør oppmerksom på at vi har rekord med tolv inntegnede talere, med 5 minutter hver, i interpellasjonen, som vi da har rukket innenfor en og en halv time. Gunnar Gundersen, vær så god. Takk, president. Det var snilt. Etter det innlegget til Micaelsen kunne det sikkert blitt flere innlegg, for jeg oppfatter jo at det var et kraftfullt innlegg for OPS. Det har vi ikke tid til! Jeg synes i og for seg også at Regjeringen skal konsentrere seg om å styre ut fra sine forutsetninger og ikke hele tiden fokusere på Fremskrittspartiet. Jeg hører også med til dem som i hvert fall på dette området liker fylkesmann Johnsen bedre enn finansminister Johnsen – det gjelder ikke alle områder. Jeg synes det har vært nok av sitater, men jeg ble litt minnet på da jeg leste Madeleine Albrights biografi, det hun skrev da hun hadde flyttet fra Senatet over til en jobb hos presidenten, og måtte svare på sine egne brev: «What you see depends on where you sit». Det kan antakeligvis finansministeren underskrive. I løpet av innlegget til finansministeren klarte man å dreie debatten mot om Høyre ville omgå handlingsregelen, og det kan

særlig inn over seg, og der ligger vel kanskje noe av problematikken: For vi kan alle være enige om at pengene skal brukes fornuftig, og at man skal prøve å prioritere riktig, men det var jo nettopp det man gjorde ved å sette opp denne lista. Rundt omkring i landet begynner det nå å bli ganske så mye frustrasjon denne regjeringen bare har brukt én av ti kroner på de prioriterte investeringene handlingsregelen skulle ha gått til; det var åtte av ti i forrige periode. Det viser jo godt hva som ligger i det å prioritere. Jeg håper inderlig at finansministeren kan bekrefte at han også forholder seg til at det ikke bare var fireprosenten det dreide seg om med handlingsregelen, det var også en prioritering av hvordan pengene skulle brukes. Da var ikke alle samfunnsområder inkludert, for det var nesten det man kunne få inntrykk av. Så litt om OPS opp mot kontantprinsippet. Kontantprinsippet har vi prøvd ut, og jeg synes, som jeg sa, at Micaelsen egentlig holdt et kraftfullt innlegg for OPS. Vi har vist at vi ikke klarer å få til de prioriteringene som gjør at vi får til lange, større utbygginger av prosjekter. Det kommer små startbevilgninger, og man fortsetter å flikke, og det tar lang tid før prosjektene er ferdige. OPS har vist at man får rask gjennomføring, man får effektiv gjennomføring, og man får til dels også innovasjon i selve prosessen. Det er ganske viktig. Så det å gå bort fra kontantprinsippet er jo ikke å nedprioritere – nå ble det borte det jeg skulle si. OPS har vist at man når nettopp de målsettingene som Torgeir Micaelsen var inne på, og det gir oss de prosjektene vi er ute etter. Freddy de Ruiter var inne på dette med mer skatt. Vi vet nå at vi har en handlefrihet fram til 2020. Da stiger statens utgifter ganske kraftig. Infrastrukturen må bedres, og, som jeg har sagt tidligere, det er et opprør på gang ute. Hvis man nå ikke klarer å prioritere de sentrale ferdselsårene, som hele verdiskapingen i landet er avhengig av, og som næringslivet rundt omkring i hele landet er avhengig av, så tror jeg man kommer til å se kraftige reaksjoner på det man driver med. Det er nok å minne om veier som E6 og rv. 2, som den tidligere fylkesmannen kjenner godt til problematikken rundt – også i Hedmark. Debatten har vist at vi snakker mye om NTP og målsettingene der. Rammene øker, men effektiviteten i gjennomføringen øker ikke. Vi klarer ikke å følge rammene. Vi ligger etter allerede i første budsjettår, og det er for svakt. Så jeg hadde håpet å få høre at finansministeren var på samme spor om at OPS er aktuelt å ta i bruk. Han har enda et innlegg, der han kan dra seg inn igjen og si at han er
Jeg har lyst til å takke for en god debatt om et viktig spørsmål som opptar svært mange. Tillat meg bare et par små kommentarer til noen av innleggene. Først må jeg si at Lundteigen og Micaelsen hadde en interessant tilnærming. Jeg syns at vi skal ta en ny debatt om vi virkelig ønsker at samferdselsinvesteringer skal være en del av finanspolitikken, eller om man kanskje i større grad skal gjøre den til en del av pengepolitikken. Men det får vi ta en annen gang. Så til Freddy de Ruiter. Jeg tror han må kikke litt på hvilke typer skatteletter Bondevik-regjeringen gjennomførte. Det var nemlig skattelette med ett formål, nemlig å stimulere verdiskaping og vekstkraft i økonomien – og jammen greide vi det også. Så til Irene Johansen, som sier at Høyre vil privatisere Jernbaneverket. Det har vi aldri sagt. Vi har sagt at vi ønsker en Avinor-modell eller en Posten-modell – eller hva man måtte ønske å sammenligne med. Vi har fortsatt mange ubesvarte spørsmål, og jeg og Høyre syns at Regjeringen må avklare hva de vil. Hvem er det som bestemmer samferdselspolitikken? Her får vi altså motstridende signaler fra samferdselsministeren og finansministeren. Hvem skal vi tro på? Det er jo tilsynelatende enighet i salen om at vi bygger for lite veg og bane. Vegene blir stadig dårligere. I dag kom det faktisk en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå som viser at andelen dårlig veg har økt fra 38 til 42 pst. fra 2007 til 2008. Dette øker fortsatt. Hvorfor skal vi fortsette å bygge veg og bane på samme gamle som gjennom mange år har vist seg ikke å fungere godt nok? Det er en kjensgjerning at vi bygger mindre vei enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med, og langt mindre jernbane. Vi ser i praksis at selve organiseringen har betydning: Ved fristilling av prosjekter i egen selskapsform realiserer man prosjekter raskere, mer innovativt og smartere, fordi man må bære ansvaret videre i mange år. Det er veldig synd at finansministeren her avviser initiativet fra samferdselsministeren, slik jeg oppfatter ham. La meg legge til at jeg syns også det er synd at ikke finansministeren er villig til å bruke sin innflytelse til å påvirke politikken i en retning han selv står for, utenfor regjering. Som jeg har vært inne på tidligere i dag, dreier denne debatten seg i bunn og grunn om hvor mye penger vi skal bruke på investeringer i samferdsel – altså om rammen, om hvor mye en bruker, og hva slags valg vi skal gjøre. Det er en helt grei og ærlig diskusjon. Det var også noe av poenget i den nå mye siterte artikkelen som ble skrevet av fylkesmannen, som finansministeren kjenner godt, og som han kjenner seg igjen i – at det dreide seg om rammene, og rammen i NTP er jo betydelig økt i denne perioden, med over Når det gjelder handlingsregelen: Det ble nevnt i innstillingen om handlingsregelen i 2001 at en pekte på eksempelvis samferdselsinvesteringer, forskning og avgiftsreduksjoner. Men det er ikke mulig å gjøre et skarpt skille mellom ulike investeringer i forhold til hva som er viktig for framtiden, og det å investere i arbeidskraften og i utdanning er viktig. Det å investere i veg er viktig. Så jeg tror ikke det er mulig å sette det ene i én boks og det andre i en annen boks. Jeg er fortsatt opptatt av at en skal ha en effektiv framdrift og utbygging av vegprosjekter og jernbaneprosjekter, og at en bruker statens penger på en fornuftig måte. Så mener jeg også – og det er det blitt laget et poeng av – at det liksom er embetsverket som legger sin klamme hånd over statsråder – finansministeren inkludert. Jeg tror at alle statsråder, uavhengig av partifarge, gjør klokt i å lytte til det kunnskapsrike embetsverket vi har, som en bakgrunn for det å utforme politikken. Det er viktig. Jeg er åpen for innspill og argumenter som går begge veier. Det tror jeg er en viktig del av den politiske debatten, og det er også slik jeg oppfatter samferdselsministeren – at hun er åpen for å lytte til de synspunkter som nå kommer. Men samtidig er det også slik – og da siterer jeg det som samferdselsministeren sa i interpellasjonsdebatten i går: det er slik med OPS at hovudfunnet er korkje høgare eller lågare kostnader enn ved tradisjonell gjennomføring, og at gevinstar kan hentast ut gjennom endra kontraktsstrategiar innanfor eit system med ordinære løyvingar over statsbudsjettet, ser eg det som viktig i denne perioden å bidra til nye kontraktsformer.» Altså med andre ord: Det er å prøve ut det som Regjeringen nå har lagt til grunn, nye kontraktsformer. Det er å gjennomføre det vi kaller prosjektfinansiering innenfor de rammer som bevilgningsreglementet gir anledning til. Og så vil både jeg og andre statsråder forholde oss til det som Stortinget nå har vedtatt og sluttet seg til, og det er at en ikke skal gjennomføre flere OPS-prosjekter i denne perioden. Men jeg frykter verken debatten eller de innlegg som måtte komme i så måte, og jeg er åpen for både inntrykk og innspill. Men jeg forskutterer ingen beslutning – det er viktig. Da er sak nr. 7 ferdigbehandlet. Stortinget avbryter nå forhandlingene og tar pause fram til kl. 18. Da starter Stortinget med sak som er interpellasjon fra representanten Nikolai Astrup til finansministeren. – Møtet er hevet. Det